Da har jeg

I hjemkommunen var han ordfører og varaordfører og en viktig pådriver for samfunnsutviklingen på hjemstedet. Dette engasjementet beholdt han hele livet, også lenge etter at han ble rikspolitiker og en viktig stemme her på Stortinget. Edvard Grimstads lange rekke av tillitsverv i norsk politikk og organisasjonsliv har hatt betydning på mange måter. Han ble innvalgt på Stortinget i 1989 og var representant for Østfold i åtte år, frem til 1997. På Stortinget hadde han en rekke verv i ulike komiteer, bl.a. forsvarskomiteen og justiskomiteen. Fra 1993 til 1997 var han visepresident i Stortinget. Edvard Grimstad var en av bautaene i norsk politikk. Han tilhørte den rekken av tillitsvalgte som har tilført samfunnet kunnskap og klokskap gjennom erfaring og praktisk tilnærming til de store linjene i norsk politikk, en type kvalitet mange i dag etterspør. I Senterpartiet sier hans etterkommere at Edvard Grimstad i kraft av sitt engasjement og sin klokskap har etterlatt seg spor som har formet Norge i aller beste forstand. Det er en flott attest å ha med seg. Selv om de største sakene han befattet seg med, skjedde på Stortinget, mener de som kjente ham godt, at det er feil å peke på dette som det viktigste for Edvard Grimstad. Tillitsvalgte i Senterpartiet forteller at hjemfylket Østfold og Edvard Grimstad i mange sammenhenger var en og samme sak. Han reiste mye rundt i kommuner og bygder i sitt hjemfylke. En bekjent av Grimstad fra Rakkestad fortalte om de mange gangene han kom til bygda, enten som fylkespolitiker, stortingsmann eller som fylkesmann. Han kom ikke for å kaste glans eller sanke stemmer. Og det han hørte, tok han med seg videre. Han var ombudsmannen din enten du var stor eller liten. At han ble fylkesmann i hjemfylket Østfold da han gikk av som stortingsrepresentant, overrasket ingen. Edvard Grimstad avsluttet sitt sterke engasjement for de nære ting der det hele startet. Han var fylkesmann i fem år, og hjemfylket har mye å takke ham for. Edvard Grimstad var politiker med et stort hjerte. Da han som ung mann på 1960-tallet reiste til Kenya sammen med sin kone, Lene, fikk han ytterligere vidsyn. Opplevelsene og lærdommen preget ham resten av livet, og kjærligheten til Afrika ga ham en ekstra dimensjon. Her i Stortinget har vi mye å takke Edvard Grimstad for, og vi vil rette en takk til hele hans familie – først og fremst for at dere delte en kjær ektemann og far Vi lyser fred over Edvard Grimstads minne.

Representanten Kenneth Svendsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete: For Akershus fylke: Thore Vestby For Nordland fylke: Dagfinn For Østfold fylke: Fredrik Bjørnebekk Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at representanten Jens Stoltenberg fra 16. juni 2014 trer ut av Stortinget for å forberede oppdraget som generalsekretær i NATO. Denne meddelelse foreslås vedlagt protokollen. Første vararepresentant for Oslo, Truls Wickholm, har tatt sete som representant. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil

Komiteen oppsummerer det slik at de nevnte sakene vil bedre rammevilkårene for nyskapende virksomheter i Norge, og komiteen overleverer derfor enstemmige innstillinger i begge de to nevnte sakene. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover

Der flertallet i komiteen skiller lag med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er når det gjelder aldersgrensen for å gjøre bruken av barnehus obligatorisk. Flertallet vil gjøre bruk av barnehus obligatorisk for barn under 16 år, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gjøre bruk av barnehus obligatorisk for barn under 18 år, og det regner jeg med at de kommer tilbake til. Det har også historisk vært stor enighet rundt den politiske satsingen på å styrke rettssikkerheten til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep eller har vært vitne til slikt. Dette felles engasjementet resulterte i at det første barnehuset ble opprettet i 2007, og i dag finnes det ti barnehus rundt i landet. Hovedmålsettingen med etableringen av barnehus er å styrke barnets rettssikkerhet.

For å sikre at avhørene kan gjennomføres mer effektivt og så raskt som nødvendig, ønsker komiteen at ansvaret for avhørene flyttes til politiet. Tilstedeværelse av en dommer vil i så tilfelle ikke lenger være nødvendig for å gjennomføre avhøret. Barnehusene har gjennom sin tilblivelse etablert gode rutiner og er blitt utrolig gode i

Men uansett vil nok det viktigste grepet for å lykkes i å få ned ventetiden for dommeravhør være at politiet prioriterer etterforskning av vold og overgrep mot barn, samt at politiet prioriterer å bruke sine utdannede dommeravhørere til denne typen saker. Hvorfor setter så flertallet grensen ved 16 år? Jo, for Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har det vært viktig å sikre at det for de mest sårbare barna blir gjennomført dommeravhør innen tidsfristen. Vi støtter oss også mye på rapporten som ble forelagt regjeringen i 2012 etter evalueringen av Statens barnehus. Barnehusene har et stort tilfang av saker. Barnehuset i Oslo hadde de tre første månedene i 2014 en økning på 62 pst. sammenlignet med samme periode i 2013. Dette er en tendens som er lik i hele landet. Dette tilsier at det er nødvendig å styrke kapasiteten til Statens Jeg føler også at det er riktig å si, selv om det ikke er nevnt så mye i de skriftlige merknadene, at barnehusene ikke bare gjelder voldsutsatte barn, men også psykisk utviklingshemmede – det som er kommentert her om barn, gjelder selvsagt også for psykisk utviklingshemmede. Jeg er glad for at vi i dag gjennom denne behandlingen har fått på plass en klar prioritering av denne typen saker. Våre barn skal vi gjøre alt vi kan for å verne om, og sørge for at de som opplever å bli utsatt for eller er vitne til vold eller seksuelle overgrep, blir tatt på alvor og får nødvendig oppfølging. Eg vil starte med å takke saksordføraren for godt innlegg på vegner av komiteen, og eg vil takke alle partia i komiteen for eit godt samarbeid i denne saka. Som leiar av Arbeidarpartiets utval mot vald i nære relasjonar er eg veldig glad for at me har greidd å få regjeringspartia eit godt stykke på veg når det gjeld å gjere bruken av barnehus obligatorisk for barn. Det er eit godt stykke på vegen når det gjeld å styrke barns rettstryggleik. Men det er skuffande at ein ikkje vil at dette skal gjelde for alle barn. Eg må òg seie at eg er noko kritisk til formuleringa som fleirtalet har i sitt forslag til vedtak, som er som følgjer: «Stortinget ber regjeringen gjøre bruk av barnehus ved dommeravhør obligatorisk for barn under 16 år som har vært utsatt for vold eller overgrep, eller er vitne til slike saker, der dette er til det beste for barnet.» Kven skal vurdere det? I dag veit me at det i altfor mange tilfelle blir vurdert ikkje til det beste for barnet grunngjeve i reiseavstand. Undersøkingar viser at desse vurderingane gjeld dei vaksne og ikkje barnet, og at det blir opplevd langt for dei som følgjer barna. Eg er redd for at me gjennom å ha den formuleringa som fleirtalet føreslår, ikkje kjem til å oppnå det som Arbeidarpartiet, som UNICEF og som Barneombodet er opptekne av, nemleg å sikre alle barn

og overgrep, skal ha rett til tilbod ved nærmaste barnehus. Det meiner me at den ungdomen skal. Igjen gjer Arbeidarpartiet eit forsøk i Stortinget på å oppfylle eit samrøystes ønske frå justiskomiteen under behandlinga av stortingsmeldinga om vald i nære relasjonar frå i fjor, om å vedta den planlagde omfangsundersøkinga som regjeringa fjerna midlane til i fjor.

pengar til dette denne gongen heller. I ljos av store summar til taxfree og påhengsmotorar seier det litt om prioriteringa. Eg vil understreke avslutningsvis, trass i kritikken, at eg er glad for at forslaget frå Arbeidarpartiet har ført til at me Me er einige om at kapasiteten ved barnehusa må styrkjast, og me er einige om at me treng eit utgreiingsarbeid frå regjeringa for å skaffe fleire legar med rett kompetanse til å gjennomføre viktige medisinske undersøkingar av barn. Samtidig er eg skuffa over at det ser ut som om regjeringspartia har strekt seg akkurat så langt som dei har følt at dei måtte, men at dei ikkje ville vere med på å ta dei nødvendige stega for å vareta alle barn utsette for vald og overgrep. Eg hadde håpa at me hadde fått eit vedtak i dag som sikra alle barn under 18 år – for det er det som er definisjonen på barn i Noreg – obligatorisk bruk av barnehus. Det får me ikkje, men eg er glad for at me har kome eit godt stykke på veg.

Det siste er viktig for å ivareta formålet med barnehusene. Barn skal komme inn til avhør raskt og ivaretas på en fagmessig og skånsom måte. Tidligere har det vært opp til dommerne å avgjøre om barnehus skal benyttes, og dette har ført til ulik praksis i forskjellige deler av landet. Det mener jeg er uheldig, og det er derfor positivt at flertallet nå går inn for å gjøre barnehus obligatorisk for

grad en tidligere. Vi har sett en slik utvikling under nåværende regjering, bl.a. gjennom fjerning av foreldelsesfristen for grove overgrep. Jeg håper at Stortinget fortsetter å stille seg bak regjeringens politikk om en satsing på ofrene for overgrep og ikke bare en ensidig satsing på rehabilitering av kriminelle, slik vi så tendensen til under den rød-grønne regjeringen. Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Og det er ingen motsetning mellom god rehabilitering på den ene siden og en verdig ivaretakelse av voldsofrene på den andre siden. Stortinget stiller her noen klare krav til regjeringen, og jeg mener flertallet har klart å arbeide fram gode og nødvendige løsninger. Det haster å få på plass en forskrift for barnehusene, og det er åpenbart at kapasiteten I motsetning til de rød-grønne ønsker flertallet å beholde politiet som avhørsleder. Det mener jeg er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig faglig kompetanse. Det er også flere instanser som har påpekt dette. Jeg er sikker på at regjeringen forvalter de vedtakene vi gjør her i dag, på en god måte, og er glad for at justisministeren har et sterkt personlig

rettssikkerhet. Derfor er vi i Kristelig Folkeparti glad for at vi kan vedta det vi gjør. Og til representanten Vågslid, som er bekymret for formuleringene knyttet til at barnehus skal bli obligatorisk for barn under 16 år der det er til det beste for barnet, vil i alle fall jeg understreke at representanten kan ta det helt med ro, for dette er kun fordi det i visse tilfeller faktisk er sånn at det vil være bedre for barn å avhøres på en annen måte. Men jeg forutsetter at den vurderinga gjøres i god dialog mellom barnehus og politi. Så jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Også når det gjelder bekymringa for barn mellom 16 og 18 år, står det veldig tydelig i innstillinga at hovedregelen skal være at avhørene skal foretas på barnehus. barnehus. Derfor forutsetter jeg at det gjøres i størst mulig grad. Men det er også en prioriteringssak. I og med at en vet at det er kapasitetsutfordringer ved barnehusene, syntes vi i hvert fall fra Kristelig Folkepartis side at det var viktig å prioritere de under 16 år først, og så trappe det videre opp. Jeg vil også si at en viktig forskjell mellom dem under 16 år og dem over 16 år er at en når en er over 16 år, kan bli kalt inn som vitne i rettssaken. Derfor er det desto viktigere at de under 16 år kan gjennomføre et godt avhør på barnehuset. barnehuset. Så er vi også glad for at komiteen er enstemmig på at den ønsker å styrke kapasiteten. Som saksordføreren var inne på, fikk vi allerede i høringa et varsel om at bare de tre første månedene hadde barnehuset i Oslo en økning på 62 pst. – en enorm økning av saker. Det er positivt i den forstand at barnehusene blir brukt, men det er også en utfordring at det er så mange barn som rammes av så alvorlige overgrep. overgrep. Det viser også at vi har behov for å styrke kapasiteten når det gjelder forebygging, slik at vi kan unngå at det går så langt. Så er vi i Kristelig Folkeparti glad for at forskriften om avhør av særlig sårbare personer skal komme så raskt som mulig. Den har for så vidt ikke ligget veldig lenge, men det har likevel gått et år nå. Vi har knyttet en del forutsetninger til forskriften som også er viktige. Når det gjelder aldersgrensen, vet vi at evalueringen egentlig sa at den skulle senkes til 15 år, men vi men vi har valgt 16 år. Noe annet er det som går på å ta dommere ut av dommeravhørene. Det er kanskje litt merkelig, men vi gjør det for å effektivisere og korte ned tidsbruken. Tilbakemeldinger både fra tingretten, politiet og barnehusene er tydelige på at det er et godt tiltak. Politiet skal ha ansvaret, og en vil da kunne korte ned på et av leddene som en må innom. Dette gjelder også forskriften. Det siste punktet som også er viktig, gjelder kompetanse i forbindelse med legeundersøkelsene, at vi sikrer at det utdannes nok leger som at vi sikrer at det utdannes nok leger som har den kompetansen som trengs. Men jeg vil også understreke at for Kristelig Folkeparti er det viktig at det gjennomføres flere legeundersøkelser. Vi vet at det bare gjennomføres for ca. én av fem, og tilbakemeldingene fra barnehusene spesielt er at når det fra barnehusene spesielt er at når det gjennomføres legeundersøkelse, avdekkes det også ofte overgrep som en ikke nødvendigvis fikk fram i avhørene. Det er også en viktig tilbakemelding. Derfor håper jeg at vi kan få gjennomført flere av er glad for at Stortinget gjør disse vedtakene, og at vi på tvers av partigrensene kan finne enighet om viktige punkter. Men som saksordføreren sa: Det handler også om prioritet i politiet. Vi ser at det er forskjell mellom politidistriktene. Nå gir vi i alle fall mer verktøy, vi gir mer ressurser, og så ber vi justisministeren i sin kontakt med politimestre og med politidirektøren om å sikre at politidistriktene faktisk prioriterer barns rettssikkerhet enda sterkere. Først vil eg takke forslagsstillarane frå Arbeidarpartiet for at forslaget er

Når ein reiser rundt og besøkjer barnehus i dag, er erfaringane nesten utelukkande positive. Det viktigaste er at ordninga fungerer for dei ho er sett til å ta vare på, nemleg ungane. Menneske som er vortne utsette for straffbare handlingar, treng å bli tekne på alvor og bli tekne vare på på ein så god måte som mogleg. På barnehusa kan ungar og utviklingshemma Dei møter eit tilrettelagt og planlagt opplegg frå dei går inn døra, faktisk også før dei går inn døra. Eit aspekt eg også vil trekkje inn i debatten, er strukturen på barnehusa. Det er viktig at vi i framtida sørgjer for at avstanden til barnehusa blir så kort som mogleg, slik at det ikkje blir ei hemjing for bruken. Eit av dei siste barnehusa som vart opna, er i Ålesund. Vi bør vurdere å opne fleire, andre samtidig må vi passe på at fagmiljøa ikkje blir for små. Dette er ein balansegang. Så til dei konkrete forslaga: Senterpartiet fremjar, saman med Arbeidarpartiet, fleire viktige og framtidsretta forslag i denne saka. For det første er vi opptekne av å gjere bruken av barnehusa obligatorisk. Det skal ikkje vere opp til ein dommar å vurdere kvar avhøyret skal gjennomførast; hovudregelen skal vere barnehusa. Tekniske hjelpemiddel gjer at ressursspørsmål for politiet, dommarar eller forsvararar ikkje kan gjerast gjeldande. Dei kan i større grad enn tidlegare følgje avhøyra via videolink. For dei ungane som må avhøyrast på barnehus, dreier det seg stort sett om berre ein gong i livet. Då må omsynet til optimal behandling gå framfor andre omsyn. Det viktigaste er at den informasjonen som kjem fram i avhøyret, er korrekt, at den informasjonen som kjem fram i avhøyret, er korrekt, at han ikkje er påverka av ytre omstende, og at situasjonen rundt avhøyret ikkje kjennest som nok ei traumatisk oppleving for overgrepsutsette ungar. Vidare føreslår vi at ein skal kunne opne for at også andre enn politiutdanna skal kunne gjennomføre avhøyra. Dette meiner eg er svært framtidsretta. Arbeidsstokken i politiet vil dei næraste åra bli meir samansett. samansett. Nye profesjonar vil utgjere ein viktig del, også av etterforskingsapparatet. Det er viktig å ha særleg kompetanse om ungar og korleis ein skal prate med dei, forutan kunnskap om etterforsking, strafferett og straffeprosess. Då trur eg det er uheldig at det er politiutdanna som har monopol på dette.

Noreg. På dei ti åra som har gått, har vi – dersom eg ikkje tek heilt feil – fått ti barnehus over heile Noreg. Barnehusa har vist seg å vere svært vellukka. Der gjennomfører ein dommaravhøyr, medisinske undersøkingar og oppfølging på éin og same stad. Der har ein kunnskap og kompetanse om overgrepa som vert gjorde mot barn, på mange ulike fagområde, slik at personalet faktisk Barn som er utsette for eller vitne til vald eller seksuell vald, får ein stad å vende seg til, og får ha å gjere med folk med barnefagleg kompetanse. Det gjev barn meir tryggleik i ein ekstremt vanskeleg situasjon, og det sikrar òg at dei avhøyra som vert gjennomførte, får større verdi for etterforskinga. Oppsummert: Eg trur ein må seie at barnehusa representerer eit stort framsteg for barns rettstryggleik og

om ein hadde diskutert rettar ved grove overgrep mot vaksne, hadde vi hatt vanskeleg for å akseptere at det ikkje skulle gjelde alle vaksne, berre dersom nokon vurderte at det var til vårt eige beste. Eg er klar over at det vil vere ulikt i ulike vurderingar, men det bør vere ein rett, det bør gjelde alle barn. Den viktigaste utfordringa vi står overfor i åra som kjem – for at det skal verte ein reell rett – er å ha kapasitet og kompetanse til faktisk å setje det ut i livet. Kapasitet, det at det finst kapasitet på barnehus over heile landet som er nok til å gjennomføre dette, og kompetanse, ikkje minst at den naudsynte medisinske kompetansen vert bygd ut og etablert, vil vere svært avgjerande for om dei naudsynte helseundersøkingane vil kunne gjennomførast når det er riktig, og for dei prioriteringane politiet er nøydd til å gjere. Eg håpar å få høyre justisministaren avklare at ein i saker som gjeld overgrep mot barn, som vi her snakkar om, vil få ein tydeleg beskjed om prioritering i arbeidet – det gjeld politi, påtalemyndigheit osv. – frå justisministeren. Eg høyrde representanten frå Kristeleg Folkeparti m.a. seie at at han ikkje er bekymra for den vidare oppfølginga her. Eg er diverre litt meir bekymra, fordi vi per no veit at det er ein ganske alvorleg situasjon, med ein svært stor del barn som ikkje får dei behova dei har i ein slik situasjon, dekte. Eg forstår derimot godt at det vil vere naudsynt å gjere ei prioritering når kapasiteten ikkje er der. Den viktigaste prioriteringa vil vere naudsynt å gjere ei prioritering når kapasiteten ikkje er der. Den viktigaste prioriteringa vil dei næraste åra vere å prioritere alle overgrepsutsette barn framfor andre omsyn, når ein skal leggje fram budsjett og gjere vurderingar i det vidare, slik at det vert ein rett som kan oppfyllast for alle barn. Heilt til slutt vil eg nemne at dette òg gjeld psykisk utviklingshemma vaksne, som ordføraren for saka sa i innlegget sitt – som vi var glade for. SV legg fram fleire forslag som

dag. Det er mange reflekterte og gode komitémerknader og innlegg fra salen i dag. Forslagsstillerne ber regjeringen om å fremme lovforslag bl.a. om obligatorisk bruk av barnehus ved dommeravhør av barn under 18 år. Jeg ser at komiteen i sin innstilling tilrår at bruk av barnehus gjøres obligatorisk ved dommeravhør av barn opp til 16 år 16 år der dette er til det beste for barnet. Jeg har registrert at flere har problematisert det spørsmålet fra talerstolen i dag. Jeg mener representanten Ropstad er inne på det som er poenget – dette vil være en reell vurdering ut fra hva som er barnets beste. Det er viktig at vi ikke lager et sett med regler som faktisk hindrer at barnets beste blir lagt til grunn. I motsetning til representanten Vågslid har jeg tillit til de vurderingene som da gjøres, og dersom det, mot formodning, skulle ende slik at de vurderingene ikke er er tillitvekkende nok, vil vi måtte adressere den problemstillingen på nytt. Vi har en situasjon i dag hvor de aller fleste avhør av barn blir gjennomført på barnehus, men det kan være noen tilfeller da det er bedre for barnet at avhøret skjer i andre sammenhenger. Det er flere som har vært inne på arbeidsgruppen som ble ledet av som det også vises til i innstillingen. Han fikk i oppdrag å utrede og foreslå endringer i regelverket for avhør av barn og psykisk utviklingshemmede, og også andre særlig sårbare personer. Han og arbeidsgruppen foreslo at barnehus burde gjøres obligatorisk for barn under 15 år som skal avhøres som fornærmede. Nå beslutter Stortinget i praksis 16 år. for aldersgrensen som Sæverud-utvalget i sin tid foreslo, er også verdt å ha med seg, fordi de i det tilfellet har analysert endringen i overgrepsmønster for barn over og under 15 år. Der er det også en del forskjeller som det er greit å ha med seg inn i den videre diskusjonen om disse spørsmålene. Når det gjelder kapasiteten ved barnehusene, har flere adressert at det er en stor utfordring. Ventetiden er uakseptabel lang og har vært det over lang tid, helt uavhengig av regjering. Det er en kjempeutfordring. Vi har allerede satt i gang en rekke tiltak for å bidra til å bedre saksbehandlingskapasiteten, og Politidirektoratet har på beskjed fra meg i første runde satt i gang det jeg kaller en nasjonal dugnad for å gjøre noe med dette på kort og lang sikt. De har lagt frem en konkret tiltaksplan for å få ned ventetiden. Vi skal se resultater etter den planen allerede ved årsskiftet. Samtidig skal Politidirektoratet utarbeide en langsiktig plan for å sikre at ressursene til avhør brukes fremtiden. Det er nok sånn at det er mange i politiet som har den relevante kapasiteten eller den relevante utdanningen, men veldig ofte er de satt til annen type arbeid, av mange ulike årsaker. Det at vi nå har god tilgang på ekstra utdanningsplasser ved Politihøgskolen på dette området, er en viktig premiss for at en skal sikre at politiet har nok personer med den relevante kompetansen for å gjennomføre disse avhørene. Så har komiteen – og forslagsstillerne – vært tydelige på å be «regjeringen utrede behovet for flere leger med sosialpediatrisk kompetanse». Det er en åpenbar utfordring, og jeg stiller meg bak den klare oppfordringen. Jeg har fått opplyst at helse- og omsorgsministeren vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan den sosialpediatriske kompetansen best kan sikres fremover.

Den rapporten viser at det er store utfordringer for oss. Dette er et politisk område som jeg er veldig opptatt av å løse bedre, og jeg er veldig glad for det ektefødte engasjementet som veldig mange av medlemmene fra komiteen viser, både i og utenfor denne sal. Det blir replikkordskifte. Jeg vil takke for et godt innlegg og for et godt samarbeid i saken. Det er

noe av det som statsråden har vært inne på før, som han har tanker om, kanskje til og med krever ekstra høring dersom det skal gjøres endringer. Det andre går på kapasiteten. Vi vet jo, som jeg var inne på, at det var 62 pst. økning i Oslo de første tre månedene, lignende tall fra de andre barnehusene. Så jeg vil utfordre statsråden på hvordan han tenker, og at han forsikrer seg om at det er nok kapasitet på barnehusene også for inneværende år. Én ting er neste års budsjett, som vi er tydelige på at vi ønsker å styrke, men hva tenker han for inneværende år? Arbeidet med forskriften er i full gang. Men det er riktig som representanten Ropstad sier – og som jeg også har sagt i Stortinget tidligere at høringen viste veldig sterk uenighet om forslagene i høringen. Det betyr at vi er nødt til å bruke litt lengre tid enn det jeg skulle ønske vi gjorde. Vi har et veldig sterkt fokus på at denne forskriften skal komme Men det kan bety at en er nødt til å ha en delvis høring på enkelte nye forslag som kommer. Derfor tør jeg ikke å sette noen datofrist for dette arbeidet, men vil forsikre om at vi har høyt trykk. Når det gjelder kapasiteten i inneværende år, har Politidirektoratet nå kartlagt hva slags kapasitet som foreligger, og har lagt inn et arbeid som nå skal intensivere ventetiden for barna. Jeg regner med at vi ser raske resultater av dette, og at vi allerede ved årsskiftet vil konstatere en nedgang i ventetiden. For Arbeidarpartiet er

dag. Då har eg lyst til å spørje statsråden: Kven er det som reint faktisk skal ta vurderinga av når bruken av barnehus er til beste for barnet? Er det dei som gjer det i dag, politi og domstolar? Skal det vere barnehusa? På kva slags måte blir det betre for dei ungane gjennom dette forslaget dersom det skal leggjast til ei vurdering før ein avgjer om barnet skal få tilbod ved barnehuset som ganske mykje forsking slår fast er det beste tilbodet? I dagens system vil det være dommeren som foretar beslutningen om hva som er til barnets beste. Det er en rettslig standard som domstolen må forholde seg til. Jeg er helt enig med representanten Vågslid i at det aller beste for barnet i de aller fleste tilfellene vil være bruk av barnehus. Det kan være noen tilfeller der barnets beste vil være noe annet, f.eks. hvis de har nær tilknytning til det lokale politikontoret – den typen relasjoner – eller at reiseavstanden er veldig stor. Det kan være vitneavhør istedenfor offeravhør. Det er mange typer vurderinger som må tas. Men vurderingen skal alltid ta utgangspunkt i hva som er barnets beste. Jeg har tillit til at den vurderingen vil være forsvarlig og god. Som jeg nevnte i mitt innlegg: Hvis vi opplever at det ikke er tilfellet, mener jeg at vi må adressere dette på nytt. Så forstår jeg også utfordringen knyttet til dette med alle barn. Men hovedregelen i dag, også for dem mellom 16 og 18 år, vil være at de skal få tilbud om å bli avhørt på

politiet, moglegheita til ikkje å bruke barnehusa, når det er det me meiner er det beste for avhøyr av barn. Jeg nevnte noen eksempler i mitt foregående svar til representanten. Det er vanskelig å komme med et helt konkret svar, for det må vurderes i de konkrete tilfellene, som er veldig ulike i sin karakter. Men jeg vil være veldig tydelig både overfor representanten og i denne sal på at det ikke er en relevant faktor i barns beste-vurderingen hva som er best for Det er en rettslig standard om hva som skal vurderes inn i barns beste-begrepet. Det er barns beste som skal ligge til grunn. Det betyr at om voksne synes det er ubehagelig å reise langt, er ikke det en relevant argumentasjon. At det koster mer penger å reise til barnehusene, er ikke en relevant argumentasjon. Så det er en reell og faktisk barns beste-vurdering. Så er jeg helt overbevist om at både fra mitt ståsted og fra representanten Vågslids ståsted vil dette bli fulgt nøye med på. Dersom vi observerer en praksis som ikke er innenfor de rammene som vi mener er riktige, vil vi naturligvis måtte endre på rammen. Innanfor dei fleste felta er

av vold og overgrep mot barn». Spørsmålet mitt er: Kva meiner statsråden ville ha vore fordelen med å få gjennomført denne planlagde omfangsundersøkinga? Som representanten Klinge sikkert er kjent med, ligger denne tilskuddsordningen ikke under mitt konstitusjonelle ansvarsområde, men under barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. Jeg mener helt generelt det er viktig at vi skal ha kunnskap på dette området. Det er allerede iverksatt en rekke tiltak for å få bedre kunnskap. Jeg viste i mitt innlegg i sted til i mitt innlegg i sted til omfangsundersøkelsen fra NKVTS, som gir viktige bidrag og kunnskap om vold og overgrep, også mot barn. Jeg tror vi alltid vil være i en situasjon hvor vi må søke å få enda mer og bedre kunnskap om et veldig alvorlig og tabubelagt tema – for at vi skal kunne innrette virkemidlene på en best mulig

I forrige periode var jeg så heldig å få lov til å sitte i justiskomiteen. Noe av det første jeg da gjorde, var å reise og besøke støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep på Gjøvik. Det var en kald vinterdag, men inne ble jeg møtt av fantastisk varme mennesker. De hadde grusomme historier å fortelle. En av damene fortalte at hun hadde vært utsatt for overgrep da hun var barn, men hun hadde fortrengt det. det. Gjennom oppveksten hadde hun slitt med angst og depresjoner. Det var først i voksen alder hun skjønte hva som hadde skjedd med henne. Det var først i voksen alder hun kunne begynne å bearbeide det for å bli frisk. Hun fikk hjelp til slutt, men tenk på alt hun gikk gjennom, og tenk på all den tiden som gikk – helt forgjeves. Heldigvis er det nå flere som får hjelp og oppfølging med en gang. Det er mange flere som anmelder, vi har fått mye mer kunnskap, og vi har fått barnehus – mye takket være den rød-grønne regjeringen, som etablerte det første barnehuset og siden etablerte mange flere. Selv om dette gode tilbudet finnes, er det ikke alle barn som får tilbudet. Derfor har Arbeiderpartiet fremmet forslag her i dag om å gjøre barnehus obligatorisk. Jeg er glad for at vi tar noen skritt i riktig retning, men jeg synes det er alvorlig at flertallet i denne sal vil forskjellsbehandle barn,

Så må jeg si at kunnskap er viktig. Skal vi greie å gjøre de rette tingene, må vi ha et godt faktagrunnlag. Jeg synes derfor det er synd at forslaget om en omfangsundersøkelse av voldsutsatte barn nok en gang blir stemt ned. Det er noe alvorlig galt med prioriteringene til flertallet i denne sal. Det er

men også for å ha vist et ekte engasjement i saken. Etter tydeligvis å ha reist rundt, hatt utallige møter, satt seg skikkelig godt inn i saken og snakket med en masse fagfolk og mange som berøres av dette forslaget, har Margunn Ebbesen gjort en kjempejobb som av. Derfor har jeg lyst til å gi ros til saksordføreren for et ekte engasjement i en særdeles viktig sak. Jeg registrerte at Arbeiderpartiet gjerne vil at vi skal komme lenger enn vi gjør i dag. La meg først si at vi kommer veldig langt med de vedtakene som Stortinget fatter i dag. Men jeg registrerte at talspersonen i Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, sa det var spesielt

all den tid revidert budsjett skal behandles førstkommende fredag og Arbeiderpartiet, som framsetter kritikken, ikke har foreslått én eneste krone ekstra til barnehusene i revidert budsjett. Man kan ikke komme og kritisere regjeringen når man selv ikke velger å foreslå økte midler til dette tiltaket. Jeg antar – når Arbeiderpartiet kommer til å slutte seg til rammene til regjeringens budsjettforslag, også i revidert at man er fornøyd med det nivået man legger seg på. Jeg takker for den støtten. Vi strekker oss nå til obligatorisk grense ved 16 år så fremt det er til barnets beste. Dette er et viktig signal. Man kan gjerne vedta 18 år, men utfordringen er selvfølgelig ressurser – det er begrenset med ressurser. Da er det noe som i hvert fall i mitt hode er veldig klart: Da synes jeg det er viktig å prioritere de minste framfor de eldste barna. barna. I tillegg er det slik at forskningen ikke er entydig. Det er ganske mange fagfolk som har et litt annet synspunkt på hvor denne grensen skal gå. Både justisministeren og saksordføreren har på en god måte forklart dette ut fra de faglige rapportene som foreligger. En samlet komité og et samlet storting gjør i dag et godt arbeid på de fleste områdene for å styrke barnehusene også i

det beste for barnet. Det er ni stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet som står bak representantforslaget der det blir foreslått en lovendring som gjør bruken av barnehus obligatorisk for barn under 18 år, og der det også foreslås å styrke kapasiteten ved barnehusene. Vi som har engasjert i oss i dette, representerer ulike komiteer og fagområder på Stortinget, men vi har alle et sterkt engasjement i nettopp denne saken. Det er en stor utfordring at enkelte domstoler ikke bruker barnehusene. Med dagens ordning er det opp til den enkelte tingrett å avgjøre hvor avhør av barnet skal finne sted. Dette svekker rettssikkerheten til de mest sårbare i vårt samfunn. Det var politimester i Tromsø Ole Bredrup Sæverud som i 2012 ledet en arbeidsgruppe som gjennomgikk regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og I denne rapporten framkommer forslag til ny forskrift for avhør av særlig sårbare personer samt flere lovendringer. I en evalueringsrapport om barnehusene som ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2012, framgår det at kun 69 pst. av alle dommeravhør som ble gjennomført året før, ble gjort på et barnehus. For meg som kommer fra Troms, er det bra å vite at vårt politidistrikt kommer mye bedre ut, med 80–90 pst. av avhørene lagt til barnehuset i Tromsø. Jeg er også glad for at Tromsø har den korteste ventetida fra sak er meldt, til avhør av barnet foretas. Dette har mye å gjøre med at vi har en politimester i nettopp Ole B. Sæverud som har et så stort engasjement i arbeidet for å hindre vold Den nevnte evalueringa viser også at barnehusene har jevnt over faglig høy kompetanse, og at barna som er inne til avhør, ivaretas bedre enn med tidligere praksis. Erfaringer viser at barn opplever seg godt ivaretatt når de kommer til barnehuset. Vold og seksuelle overgrep er blant de mest alvorlige forbrytelsene som begås, og det hersker ingen tvil om at det har langvarige og svært alvorlige konsekvenser for barn som blir utsatt Det er derfor viktig at både politi og hjelpeapparat bistår barn og deres familie på en god måte når overgrep skjer. Kompetansen hos helsepersonell må også styrkes, slik at de kan undersøke barn, og barnehusene og all kompetansen må nå være i stand til å gjøre en enda bedre innsats over hele landet. Jeg legger til grunn og forventer at regjeringa nå sørger for at så skjer. Eg er i utgangspunktet var nyskapande og radikale, som ideen om å ha barnehus, kan vinna brei tilslutning etter kvart. Eg har nokre betraktningar omkring moment som er komne fram i løpet av debatten i dag, særleg knytte til skiljet mellom 16 og 18 år. Eg registrerer at den fyrste talaren frå Framstegspartiet gjekk ganske langt i å trekkja fram eit utviklingsmessig skilje mellom dei som er 16 og dei som er 18 år, som gjer at sakene deira bør verta vurderte og behandla Representanten Leirstein sa òg i sitt innlegg at han såg det sånn at det er faglege grunnar til at ein burda ha eit skilje mellom sakene til dei opptil 16 år og dei over 16 år, mens representanten Ropstad trekte fram kapasiteten til barnehusa og det at ein kan verta innkalla som vitne i saka, som grunngjevingar for dette skiljet. skiljet. Eg vil seia at eg meiner det ville ha vore ein klar fordel for saka som såleis om dei representantane og dei partia som meiner at ein bør oppretta den typen skilje i alder, hadde ein meir stringent argumentasjon når ein gjer noko så uvanleg som å laga ein heilt eigen definisjon på kva det vil seia å vera barn i Noreg. Me i Arbeidarpartiet tek iallfall sterkt avstand frå dette skiljet, både prinsipielt og praktisk. Me meiner at ingen delar av den argumentasjonen ber. Når det gjeld barn under 16 år, kan me heller ikkje sjå at det finst gyldige argument knytte til kva som er best for barnet, som ikkje vil innebera at ein bruker barnehusa. Sånne eksempel på vurderingar knytte til kva som er best for barnet, kan eg heller ikkje sjå at har kome fram i løpet av debatten. Statsråden sjølv viste i innlegget sitt til forsking på feltet frå NKVTS, ikkje minst då han responderte på påpeikinga frå Lene Vågslid om at ein ikkje har prioritert omfangsundersøkingar av barn. Den forskinga som statsråden viser til, er ei forsking som er gjort blant vaksne, altså ikkje blant barn. Det er ikkje personar under 18 år som var respondentar i den undersøkinga han til. Det illustrerer viktigheita av at ein får oppdatert informasjon om omfanget av vald mot barn. Rapporten som statsråden viser til, er ein start, men han er ikkje nok, og han er heller ikkje spesielt relevant for saka som me behandlar i dag. Avslutningsvis til representanten Leirstein: Det er litt pussig å verta skulda for at me ikkje har lagt inn pengar til omfangsundersøkinga. Det er vitterleg bevist at det vart lagt inn pengar til det i 2014-budsjettet frå vår førre regjering. Eg stiller meg fullt bak representanten Leirsteins ros av saksordføraren både når det gjeld engasjement og at ho har sett seg grundig inn i saka. Det same kan eg kan eg dessverre ikkje seie om representanten Leirstein, for når han refererer til innlegget mitt, hadde eg forventa at han hadde høyrt litt betre etter. Derfor skal eg gjenta kritikken min. Kritikken min, som eg sette inn i eit ljos av taxfree og påhengsmotorar, handlar ikkje om barnehusa. Det handlar om omfangsundersøkinga. Eg trur dette er den fjerde debatten eg tek opp temaet omfangsundersøkinga, og det uroar meg at det enno ikkje ser ut til å ha sett seg at me meiner at dei midlane som regjeringa fjerna, burde ein ha funne rom for å finne att. Det var snakk om

som det som låg i den planlagde omfangsundersøkinga. Der vil eg vise til barne- og likestillingsminister Solveig Horne, som var her i Stortinget for eit par veker sidan og nemnde at regjeringa no skulle arbeide på tvers av departement med tema som vald i nære relasjonar. Då vil eg berre endå ein gong oppfordre justisministeren til å ta dette med barne- og likestillingsministeren. Det er snakk om 3,5 mill. kr og ei undersøking som er etterspurd blant mange.

gamle TV 2-slagordet. Det synest eg er veldig godt sagt, for denne debatten handlar om dei ungane som er utsette for ting som er så forferdelege at me eigentleg ikkje greier å tru det. Men det skjer, og mens eg besøkte barnehuset i Ålesund, hang det tre veldig små jakker på ein knagg. Det gjer inntrykk, det gjer noko med deg, og det må me ha i bakhovudet når me snakkar om desse sakene: sakene: Det er ting ungar blir utsette for, som er så horrible at me nesten ikkje evnar å tru det. Men det skjer, og derfor er mitt og Arbeidarpartiet sitt engasjement i denne saka så sterkt, og derfor meiner me det er så viktig at alle ungar opptil 18 år i dette landet skal få eit tilbod ved barnehusa. Det er

regjeringen var satt til 15 år, til 16 år nå. Det er jo også forskjell på en 5-åring og en 17-åring når det gjelder å forklare seg til en avhører. Men det viktigste her var å få ned ventetiden og se på hva vi kunne gjøre for å bidra til å få den ned. Da foreslår vi at dommeren skal ut av avhøret. Og dersom vi skal opp til 18 år,

mange undersøkelser viser at det ikke er det – antall avhørere – som er problemet, men bruken av dem under avhør. Politiet er nødt til å prioritere bruken av de avhørerne de har tilgjengelig. Derfor er jeg veldig glad for det som ligger i innstillingen i denne saken, at vi gir et tydelig signal, en tydelig beskjed tilbake til ministeren og til politiet: Politiet må prioritere å bruke dommeravhørere til avhør. avhør. Så har jeg lyst til å vise til en kronikk av Tone Davik og Inger-Lise Brøste, som sto i Aftenposten. Tone Davik jobber i Kripos og er fagspesialist innen dommeravhør, og Inger-Lise Brøste er fagansvarlig for dommeravhør ved Politihøgskolen, og de sier at det er «historieløst» å overlate avhør av barn til andre Det vil være forstyrrende for det gode arbeidet som gjøres i dag. Vi har forsøkt dette før, med observasjonsordningen – forskning og erfaring viste tydelig at dette av flere grunner ikke var noen god løsning». Hvorfor skal vi ikke da lytte til det som vises av gode erfaringer – ikke ta inn noe som vi allerede i dag vet ikke vil være en god løsning?

ha obligatorisk undersøkelse ved barnehusene; da var det altså de under 16 år. Så det som altså var greit under Arbeiderpartiet, er ikke greit når Arbeiderpartiet er i opposisjon. Det er også da tydeligvis fakta. Og det er veldig interessante poenger fra Arbeiderpartiet, som nå er veldig opptatt av at om vi skal diskutere barn, så skal vi kun diskutere dem som er under 18. Har Arbeiderpartiet under sine åtte år i regjering foreslått å øke, og heve, den kriminelle lavalder – for den er ved 15 og ikke ved 18? Så hvis argumentasjonen til Arbeiderpartiet skal henge på greip, bør de jo, i anstendighetens navn, gå inn og se hva de selv har gjort i alle de årene de satt med justisministeren og hadde full mulighet til å gjøre disse endringene. Nå får vi på plass viktige vedtak. Men hvis man følger Arbeiderpartiets forslag nr. 1, om å gjøre dette obligatorisk for alle under 18, vil det selvfølgelig også koste mer penger enn det gjør i dag – det er også fakta – hvis alle skal få et tilbud og at det ikke bare blir en rettighet som man så dessverre må bryte ute i distriktene. Da er jeg tilbake ved mitt poeng fra i stad: Arbeiderpartiet har i revidert ikke lagt inn pengene for å følge opp sitt eget representantforslag. Så man fremmer altså forslag om å gjøre det obligatorisk for barn under 18, men samtidig – i samme uke – fremmer man ikke de pengene som trengs for at alle under 18 skal få dette tilbudet. Derfor har representanten Ropstad helt rett i at når vi nå øker til 16, er det for at vi skal sikre at de som er under 16, får et bra og godt tilbud. Så får man gjerne ta diskusjonen om man skal øke senere, men da må ressursene følge med, for uten ressurser blir også dette bare å kaste blår i øynene på folk. Som jeg har sagt i tidligere debatter: Arbeiderpartiet er flinke til å fremme forslag som koster penger, men de har til gode å vise at de faktisk dekker inn forslagene sine – og da er ikke forslagene mye verdt. Representanten Lene Vågslid har hatt ordet to ganger tidligere og får

og då kjem det til å kome fleire nye forslag, representant Leirstein, som ikkje kom dei åtte åra me sat i regjering. Så vil eg òg berre seie at det kjem ikkje til å skje at me legg inn pengar for regjeringa sine eigne feil. De kan få spa opp pengane sjølv til dei forslaga som de meiner er rette, og så skal me leggje fram eit budsjettforslag i form av det me meiner var rett. Me la inn pengar, 3,5 mill. kr – som er veldig lite pengar i den store samanhengen – til omfangsundersøkinga, som regjeringa fjerna. Det er faktumet, og eg håpar at dei midlane – etter at me debatterte så mykje no – i det minste kan kome i statsbudsjettet for neste år. Presidenten vil minne om at innlegg skal så mykje no – i det minste kan kome i statsbudsjettet for neste år. Presidenten vil minne om at innlegg skal adresseres til presidenten. Til det siste: Jeg tror representanten Vågslid og representanten Leirstein snakker om to forskjellige ting, for jeg opplever ikke at representanten Leirstein etterlyser penger til undersøkelsen, men til merkostnadene ved å gjøre barnehus obligatorisk opptil 18 år, og det er noe annet enn Men jeg synes vi nå, når debatten nærmer seg slutten, kan ta en pust i bakken og si at det er ganske all right at det i en debatt om et så viktig tema som dette, blir så høy temperatur om den ene ulikheten mellom flertallet og mindretallet i dette spørsmålet, nemlig hvorvidt det skal være obligatorisk fra 16 år eller fra 18 år. Jeg synes det er en styrke at Stortinget nå samler seg på den måten de gjør. Så har jeg registrert med en viss undring at

som de under 16 utsettes for, og det er forskjell på hvem overgriperen er – med tanke på over og under 16 år. Så det er altså noen argumenter for at man skal behandle disse sakene litt ulikt. Så tror jeg man også bør ta inn over seg det perspektivet som en ung jente på snart 18 år kanskje blir utsatt for hvis hun – obligatorisk – skulle henvises til barnehus for å gjennomføre et avhør etter en voldtekt. Jeg er ikke sikker på at dét ville bli opplevd som så mye bedre enn den situasjonen en person som da nesten er myndig, ville oppleve, som å bli behandlet på samme måte som en voksen person. Så det er noen dilemmaer i dette aldersspennet som jeg synes fortjener en litt mer reflektert tilnærming enn det som det har vært litt tendenser til i debatten. Men jeg synes vi skal glede oss over det vi kan glede oss over, nemlig at nå tar vi lange, gode skritt i retning av å sikre de sårbare barna en noe bedre situasjon. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Gjennom denne blir det gjeve oppreising til mange menneske som i barndomen vart utsett for urett frå samfunnet si side, menneske som staten hadde ansvaret for å gje omsorg til. I staden vart dei utsette for vald og overgrep. Ingen pengar – uansett beløp – kan gje desse menneska barndomen tilbake, men gjennom denne ordninga gjev samfunnet menneska ein viss oppreising for den uretten dei har vore I dette ligg det òg ei symbolsk handling, ei verdibasert handling, nemleg å visa at samfunnet ser dei, at Stortinget ser dei, at det òg ligg ei oppreising i dette. I dag behandlar me årsrapporten for 2013. Talet på mottekne søknadar under denne ordninga i 2013 viser at inngangen av saker fortsatt går noko ned. I fjor var det to utval i arbeid, men dei signaliserer at frå 2014 vil det vera berre eitt utval i arbeid, på grunn av nettopp den lave inngangen til nye saker. Komiteen vil derfor understreka viktigheita av at personar som ordninga er tiltenkt, søkjer om rettferdsvederlag – primært av omsyn til oppreisinga dette kan gje til den einskilde, men sekundært fordi det meir presist viser omfanget av dei som har kome særleg uheldig ut,

Mange har opplevd at foreldelsesfristen har medført at gjerningsmenn har sluppet unna straff, og mange av oss har ikke skjønt hvorfor slike avskyelige, kriminelle handlinger skulle foreldes. Som sagt: Dette har vært en kamp mange har kjempet i mange år, og mange som har blitt utsatt for overgrep, og mange pårørende har stått i første rekke i kampen for å fjerne foreldelsesfristen. Det er med i dag blir denne kampen kronet med seier. Som representant for Fremskrittspartiet kan jeg heller ikke unnlate å nevne at Fremskrittspartiet sto helt alene da vi første gang fremmet forslag om det i 2003, og vi sto alene i kampen for å få dette inn i straffeloven av 2005. Men i dag vil jeg aller først glede meg over at regjeringen, komiteen og Stortinget sørget for rask behandling av loven, og at denne kampen nå kan krones med seier. Jeg vil også benytte anledningen til å rose Kristelig Folkeparti for å ha satt problemstillingen på dagsordenen raskt etter valget gjennom et representantforslag tidligere i vår. Selv om regjeringsplattformen er klar på at dette er endringer som vil komme på plass i denne perioden, er det særdeles hyggelig at samtlige partier representert i justiskomiteen nå ser viktigheten av denne lovendringen for ofrene. Justiskomiteen har derfor tatt ansvar som kollegium, og sørget for at denne saken blir behandlet før sommeren.

at saker som allerede er foreldet etter gjeldende regelverk, ikke kan gjenopplives. Jo lenger vi venter med dette lovvedtaket, desto flere saker vil bli foreldet, og da vil ofrene og de pårørende miste muligheten til å få saken oppklart og overgriperen straffet. Det er en rekke alvorlige lovbrudd som vil omfattes av denne endringen. Saker om drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 og16 år unntas etter endringen fullstendig fra reglene om foreldelse. Disse lovbruddene vil med andre ord alltid kunne straffeforfølges, uansett hvor lang tid som er gått fra ugjerningen fant sted. Lovendringen vil også sørge for at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe før ofrene fyller 18 år i saker om vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og menneskehandel. Utskutt foreldelse for menneskehandel er for øvrig allerede vedtatt i denne salen, i den nye straffeloven av 2005. Vi må ta innover oss som samfunn, at tiden ikke alltid leger alle sår. Enkelte lovbrudd er så brutale, så grunnleggende umenneskelige, at vi som samfunn ikke skal tillate at straff faller bort på grunn av saksbehandlingsregler. Voldsofferet som har mistet sin trygghet, den sørgende og ensomme enken uten svar, moren til et misbrukt barn: Dette er mennesker som har gått gjennom det verst tenkelige. Vi kan ikke gi disse menneskene tilbake det de har mistet, men vi har en plikt som samfunn til å gjøre det vi kan for å stille opp. Disse ofrene og pårørende fortjener svar, de fortjener respekt, og de fortjener ikke minst å bli tatt på alvor. Jeg er derfor glad for at vi gjennom vedtaket her i dag tar et skritt i riktig retning for å bedre ofrenes situasjon her i landet. Det er virkelig på tide at ofrene blir tatt på alvor. Norge har vært veldig gode på å bygge opp en kriminalomsorg for å rehabilitere og ivareta de kriminelles rettigheter, men ofrenes rettigheter har ikke fått den oppmerksomheten de fortjener. Det er selvsagt viktig å sørge for rehabilitering i kriminalomsorgen, men etisk sett er det enda viktigere å ivareta ofrene. Jeg må påpeke at i motsetning til den kriminelle er et offer helt uskyldig i den situasjonen som har oppstått. Samfunnet har et grunnleggende ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet, og når innbyggerne utsettes for overgrep, bør samfunnet derfor ta et større ansvar for ofrene enn man gjør i dag. Vedtaket vi gjør her i dag, er første skritt på veien, men Fremskrittspartiet vil framover arbeide for å lansere en rekke tiltak for å Dette er en så åpenbart nødvendig lovendring at det egentlig er nesten skammelig at vi har ventet helt til 2014 med å få den på plass. Stortinget burde tatt ansvar på et mye tidligere tidspunkt. Fremskrittspartiet har god samvittighet. I dag kommer flere til å få det, men jeg synes de burde fått det tidligere. Denne salen hadde en bred debatt rundt disse endringene i forbindelse med behandlingen av 2005-straffeloven, og spørsmålet har også blitt tatt opp i en rekke spørsmål, forslag og representantforslag fra Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet. Hadde de andre partiene ønsket det, kunne vi hindret ti år med foreldelse av grov kriminalitet. Jeg vil likevel avslutte med å berømme justiskomiteen for et godt samarbeid i denne saken, slik at vi får på plass viktige og nødvendige lovendringer. Eg vil takke saksordføraren for utgreiinga. Eg er

Stoltenberg II-regjeringa sendte forslag om å fjerne foreldingsfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn på høyring i februar i fjor og varsla då ein eigen proposisjon til Stortinget i løpet av 2013, etter at høyringsrunden var over. I denne saka kom den nye regjeringa til dekt bord. Høyringa var avslutta, og saka var klar til å bli fremja. Men eg er glad for at den førre regjeringas arbeid med å fjerne foreldingsfristen blir følgt opp av den nye regjeringa. For dei aller grovaste brotsverka kan det ikkje setjast punktum før lovbrytaren er

stadium av livet da den som ble utsatt for overgrepet, er i ferd med å bli voksen. Behovet for å konfrontere den skyldige kan således øke med tiden. Seksuelle overgrep ble tidligere nedtonet. Ofrene bar på skam. Det samme kan man kanskje si at de også gjør i dag, men det som har skjedd, er at samfunnets holdninger til denne typen forbrytelser har endret seg. I dag møtes ofre og pårørende med en større empati og sympati med en forståelse fra samfunnet om at man skal forsøke å rette opp dette, så langt som mulig. Denne endringen som har skjedd i samfunnet, fanger ikke dagens lovverk opp på en god nok måte. Barn har ikke de samme forutsetninger som voksne for å ivareta sine interesser, og derfor er det viktig at loven gir en ekstra beskyttelse for barn. Drap, voldtekt og overgrep står i en særstilling som forbrytelser. nettopp disse sakene leger ikke tiden alle sår. Virkningen på den fornærmede er så sterk at det kan ta lang tid før den fornærmede klarer å ta opp saken på nytt. Den preventive effekten av å straffe overgripere når som helst for handlinger som ligger langt tilbake i tid, vil være sterk med den lovendringen Stortinget i dag vil vedta. Et menneskeliv er det høyeste rettsgode vår rettsorden beskytter. Et menneskeliv er uerstattelig. Etterlattes behov for oppklaring må veie tyngre enn at drapsmannen skal slippe straff for et forhold som ligger langt tilbake i tid, og at han i den perioden har oppført seg ordentlig og levd et lovlydig liv. Dessuten finnes det i dag metoder for å oppklare saker som ligger langt tilbake i tid, på en helt annen måte enn man tidligere har hatt,

vil starte med å takke regjeringa for raskt arbeid. Jeg vil si at det er kjekt å behandle saker der vi sloss litt om å ta æren for hvem det er som oppnår resultatet. Det viser kanskje også at vi er mange som har en liten bit av æren for at dette skjer. Vi hadde en god debatt om denne saken for et par om denne saken for et par måneder siden i denne sal. Da var det flere som løftet fram ofrene og den utrettelige kampen de har kjempet, og som har påvirket og gjort inntrykk på mange politikere og ført til at mange politikere har endret syn i saken. Det tror jeg det er verdt å minne om. Jeg vil

samme. Det betyr også at man i dag får en bedre situasjon, fordi når vi har bedre teknologi, når vi vet at det kan komme bevis som kan gjøre at vi kan finne den skyldige, skulle det bare mangle at også den skyldige skal kunne straffeforfølges i så alvorlige saker som dette. dette. Derfor er det også sånn at når jeg hører argumentet om at påtalemyndigheten må etterforske saker som er innenfor rimelighetens grenser, og at det derfor er viktig at det er en slutt, at det er en ende på når en skal etterforske visse typer saker, så kan jeg være enig i at det kan gjelde i noen saker, men det kan i hvert fall ikke gjelde når det er snakk om drap og seksuelle overgrep.

og departementet for godt samarbeid og godt arbeid, og jeg er glad for at denne endringa trer i kraft nå fra 1. juli. Da Stortinget debatterte dette temaet for

Ingen skal føle seg trygge på at dei ikkje kan bli stilte til ansvar for alvorlege kriminelle handlingar, også etter at den tidlegare foreldingsfristen går ut. Gamle saker som blir klara opp, kan også føre til at nyare saker, der same gjerningsperson er involvert, blir klara opp. Det er viktig for Senterpartiet å understreke at dette berre gjeld dei mest alvorlege og krenkande handlingar som menneske kan bli utsette for. For alle andre tilfelle vil foreldingsfristen framleis gjeld. For andre typar kriminalitet vil prinsippet om at det ein gong må bli sett ein sluttstrek, framleis gjelde. Eg vil avslutte med å seie at vi i Senterpartiet er veldig fornøgde med at denne lovendringa no kjem på

Forelding av straffbare handlingar er eit grunnfesta prinsipp i vår liberale rettsstat. Rett nok har vi oppheva foreldingsfristen for nokre brotsverk: folkemord, krigsbrotsverk, terror og brotsverk mot menneskeslekta, bl.a. fordi det her er snakk om brotsverk som kanskje i vel så stor grad er retta mot samfunnet, i tillegg til dei enkeltindivida som er involverte. Men vi skal vakte oss vel for å gjere det fleirtalet har tenkt å gjere i dag, nemleg å senke terskelen betydeleg for å fjerne forelding for andre brotsverk. Bevis blir svekte over tid, og faren for feil og justismord aukar. Nettopp fordi beviskravet, som representanten Ropstad var inne på, må vere like strengt når det har gått lang tid, er det vanskeleg å tenkje seg at det vil vere aktuelt å reise straffesak meir enn 25 år etter at ei alvorleg handling er gjennomført. Valdtekt, som ein i dag fjernar foreldingsfristen for, er vanskeleg nok å bevise etter 25 timar. Ein kan tenkje seg sjansen for at ein skal kunne bevise det etter 25 år. Behovet for straff i samfunnet og hos den fornærma og dei pårørande minkar etter kvart som tida går. Mange fornærma vil ha behov for å leggje saka bak seg. Straffa vil også ha liten eller ingen funksjon overfor den som eventuelt blir trekt til ansvar for eit forhold frå langt tilbake når han eller ho nærmar seg slutten av eit langt liv, kanskje 50 år seinare. Det er også vanskeleg å finne eksempel på noko som dagens lovendring faktisk vil angå, dvs. saker der ein etter så mange år som det her er snakk om, plutseleg får tak i tilstrekkelege bevis til å domfelle nokon. Derimot finst det eksempel på saker der ein gjerningsperson har stått fram og tilstått etter svært lang tid, nettopp fordi foreldingsfristen eksisterer. Eg vil våge påstanden at det ikkje er nokon fornærma som har vore lei seg for at det skjedde. Eller som Advokatforeningen skreiv i sitt høyringssvar i fjor, der dei gjekk tydeleg imot det stortingsfleirtalet no har tenkt å vedta: «Man kan selvfølgelig tenke seg tilfeller hvor en gjerningsmann tilstår et drap etter lang tid, og det ikke er tvil om at tilståelsen er korrekt. Gjerningsmannens tilståelse vil uansett foreldelse ha en betydning for etterlatte, og bortfall av straffeansvar kan muligens øke muligheten for en slik tilståelse, og dermed oppklaring av saken for de etterlatte.» Samla sett er det avgjerande for Venstre at motomsyna mot straffeforfølging aukar i styrke etter kvart som tida går, og at faren for å ramme uskuldige ikkje kan overskyggje eit eventuelt straffebehov i sånne Då vår framleis gjeldande straffelov av 1902 vart vedteken, uttalte den dåverande straffelovkommisjonen at «en rettslig undersøkelse etter måskje et halvt århundredes forløp ville selv i anledning av den største forbrytelse være en gjerning uten reell nytte, nærmest skikket til å bringe sorg og ulykke over uskyldige som skyldige». Trass i at det er lenge sidan 1902 er dette ei vurdering som står seg ganske godt. Under arbeidet med den nye straffelova, som endå ikkje er tredd i kraft, uttalte departementet følgjande i Ot. prp. nr. 90 for 2003–2004. «For reglene om foreldelse av straffansvar er det også et sentralt hensyn at verdien av vitneprov og andre bevis svekkes med tiden. Med dette øker faren for at en rettsavgjørelse kan bli feil. I straffesaker veier dette hensynet tungt. Og er man oppmerksom på usikkerheten ved bevisene, vil det ofte lede til en slik tvil at straffeforfølgningen ender med frifinnelse. For straffeforfølgningens preventive virkninger blir det langt på vei det samme enten eldre forhold henlegges på grunn av foreldelse eller ender med frifinnelse.» Då ein gjennomførte ei høyringsrunde i 2013, var det fleire faginstansar som stilte seg kritiske til å oppheve foreldingsfristen for dei aktuelle brotsverka vi snakkar om i dag. Nokre av dei peikte også på at forslaga først og fremst hadde betydning som politisk markering, meir enn ei reell endring som vil føre til fleire dommar. dommar. Der trur eg vi er inne på kjernen. For min eigen del vil eg i denne samanhengen seie at vi ser ein aukande tendens til at landets lovgjevande forsamling lar media og populistiske omsyn styre utviklinga av strafferetten og straffeprosessen, både når det gjeld straffenivå og no også forelding. Det er sterkt beklageleg.

Men eg trur at i konkurransen som har vore her om kven som skal ha mest ære, vil eg utpeike dei mange ofra, som har stått fram dei siste åra og sett denne saka på dagsordenen på ein annan måte enn før, som dei som fortener størst ære. Dei har påverka mange politikarar. Det er som politikar ikkje flaut å la seg påverke. Tvert imot bør ein lytte på folk som kjem med viktige synspunkt og bidrag og legg fram sine eigne erfaringar.

Jo, for det første snakkar vi om brotsverk som er av ein slik karakter at veldig mange ikkje erkjenner det for seg sjølv, endå mindre for nokon andre, før veldig lang tid er gått. Ein av dei har vore med på å drive fram denne saka – Annett Berntsberg Eck – var på galleriet her under behandlinga av Dokument 8-forslaget for nokre månader sidan. Ho meldte frå om overgrepet mot seg 35 år etter at det skjedde. 35 år etter var ho klar til å gjere det. var ho klar til å gjere det. Ho har akseptert at hennar sak var forelda, men har funne ro i at ho kunne bidra til at andre kan kome i ein annan situasjon seinare. Dette er fordi lovbrotet har ein annan karakter enn veldig mange andre. Dette gjeld det grovaste, mest krenkande noko menneske kan oppleve. I tillegg har vi vore gjennom ein samfunnsendring. Vi må erkjenne at for nokre tiår tilbake såg samfunnet på dette på ein heilt annan måte. Skal vi vere ærlege, er det vel ein del å gå på i samfunnet er fullt ut er akseptert og sett på som all right – og at ein føler det som naturleg – å stå fram. Som fleire representantar har vore inne på, har det skjedd ein endring i etterforskingsmetodar. Ein har i dag større evne til å oppklare saker – med større presisjon – enn for nokre tiår sidan. Etter mitt beste skjønn styrkjer vi rettssikkerheita for ei gruppe som med dagens foreldingsfrist ikkje har den rettssikkerheita dei har krav på og bør ha på grunn av at for ei gruppe som med dagens foreldingsfrist ikkje har den rettssikkerheita dei har krav på og bør ha på grunn av at veldig mange saker aldri kjem opp etter at overgrepet har funne stad. Det er grunnen til at eg meiner at det vedtaket vi gjer i dag, er riktig, sjølv om eg like mykje meiner det er riktig at vi har foreldingsfrister i dei aller fleste typar kriminalsaker, som vi framleis vil kome til å ha. Eg tar opp SV sitt

bra for en statsråd på et slikt område å ha et aktivt storting i ryggen, som arbeider hardt for at vi skal ha den nødvendige fremdrift i slike saker. Forslaget Stortinget nå behandler innebærer at det for de aller groveste forbrytelsene, ikke kan settes punktum før lovbryteren er straffet – uansett hvor lang tid som er gått siden forbrytelsen fant sted. Med dette forslaget gir vi fornærmedes og etterlattes rettsvern førsteprioritet. For ofrene og etterlatte er det viktig å få avklart omstendighetene rundt den kriminelle og straffbare handlingen, bl.a. for å kunne lukke et tungt og vanskelig kapittel i livet og for å få oppreisning. Det er disse hensynene som ligger til grunn for den utviklingen vi har sett internasjonalt, hvor krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot For fornærmede vil det dessuten være en tilleggsbelastning at tiden tikker ubønnhørlig mot et tidspunkt hvor muligheten for å få oppklaring og oppreisning forsvinner. Stortinget behandler også et forslag om at reglene om såkalt utskutt foreldelse også skal gjelde i saker om vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og menneskehandel. Det vil si at foreldelsesfristen tidligst løper fra fornærmede fyller 18 år. Også dette forslaget er viktig for å fremme fornærmedes rettsstilling. Det er vel kjent at Fremskrittspartiet lenge har vært en pådriver for å fjerne foreldelsesfristen for grove overgrep og at partiet ved tidligere anledninger har fått lite gjennomslag for et slikt syn i Stortinget. Derfor er jeg glad for det engasjementet Kristelig Folkeparti og andre i denne salen har vist for at den politiske situasjonen nå er annerledes. Jeg er enig i at æren ikke bare skal gis til Fremskrittspartiet alene. Det er mange som har vist et utstrakt engasjement, ikke minst alle de som representanten Solhjell nevnte i sitt innlegg, som har stått frem og vist viktigheten for dem for at dette vedtaket i dag skal fattes. Som det påpekes i justiskomiteens innstilling, har ikke offerperspektivet tradisjonelt fått den oppmerksomheten det fortjener. De endringene som nå er til behandling, vil bidra til å styrke ofrenes stilling. Det betyr imidlertid ikke at tiltaltes rettssikkerhet står i fare, som jeg har registrert at enkelte kritiske røster har gitt uttrykk for. Offerrettigheter og tiltaltes rettssikkerhet er ikke alltid på kollisjonskurs. De strenge beviskravene som vil gjelde i straffesaker må selvfølgelig også være oppfylt her – som ellers. Jeg er opptatt av at politi- og påtalemyndigheten også skal prioritere etterforskning av draps- og overgrepssaker, selv om det er gått lang tid siden forbrytelsen er begått. Det vil også være nødvendig å se nærmere på hvordan vi følger opp saker som har ligget uoppklart over lang tid. Jeg vil i den sammenheng gå i dialog med påtalemyndigheten for å se på den måten disse sakene følges opp på i dag, og vurdere om den er god nok, og hvordan vi kan forbedre prosessen med oppfølgingen av de sakene som har ligget lenge. Jeg er nemlig opptatt av at vedtaket i dag også skal ha praktiske konsekvenser. Det er, som flere har vært inne på, helt

Regjeringen har derfor nå fremmet et forslag om å gi kommunene mulighet til å vedta lokale forbud mot tigging – lokale forbud mot tigging i hele kommunen, hvis de enkelte kommuner og kommunestyrer ønsker det. Jeg har lyst til å si at det er på mange måter bare en liten utvidelse av hva den forrige regjeringen fremmet og fikk vedtatt i fjor, da man fikk innført at man kan vedta et forbud i enkelte områder av kommunen sin. Jeg har vanskelig for å se den prinsipielle forskjellen i at politiet kan bortvise fra et område i en kommune framfor å bortvise fra kommunen. Sånn sett konstaterer jeg at det er et ganske massivt flertall i Stortinget som ønsker å gi gi mulighet for å kunne ha et forbud mot tigging enten i deler av kommunen eller i hele kommunen. Mange av oss har også tatt til orde for et nasjonalt forbud. I den innstillingen som foreligger, har vi i Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet blitt enige om at vi fra neste år innfører et nasjonalt forbud mot tigging. Dette bør ikke være noen overraskelse. Det er Det er helt i tråd med hva de tre partiene lovte velgerne. Vi var helt klare på i lang tid før, og helt oppunder, valget, at vi ønsket – hvis vi fikk flertall i denne sal – å innføre et nasjonalt forbud mot tigging. Vi innfører nå det som vi har lovt. Det gleder meg også at meningsmålinger som utføres hyppig, ja stadig vekk, også om dette temaet, viser massiv støtte til det regjeringen har foreslått, og det disse tre partiene mener, nemlig at man ønsker til livs ikke minst den aggressive formen for tigging og det store omfanget av tigging som også medfører andre ting, ikke minst kriminelle handlinger, som Oslo-politiet påpeker – vi ønsker det til livs. Politiet har påpekt en eksplosiv økning av kriminalitet, ikke minst i hovedstaden. Det betyr ikke at alle som tigger, driver med kriminelle handlinger, men det er ingen tvil om at det er en sammenheng. Vi har også sett en del dommer i rettssystemet her i landet, hvor det påvises en sammenheng: De som kommer under påskudd av å tigge, som foreløpig er en lovlig virksomhet i Norge, gjør til dels grov kriminalitet under dette dekket av å tigge. Jeg ønsker ikke en slik utvikling. Vi har hatt forbud mot dette før. Det ble opphevet. Jeg tror ingen som var med på å oppheve det, kunne se for seg hva vi hadde i vente. Jeg konstaterer at regjeringen og den flertallsinnstillingen som foreligger, har bred støtte i befolkningen, og det er bra. Stortinget bør jo være et talerør for hva folk flest mener. Men det er ikke nok bare å forby tigging. Det er faktisk også veldig viktig med målrettede tiltak. Ikke minst her i hovedstaden, hvor Stortinget er lokalisert, ser vi veldig ofte at vi har veldig mange tunge narkomane som benytter seg av tigging for å få inn noen ekstra kroner hver eneste dag. Min påstand er at det er ingen norske statsborgere som må tigge for å klare hverdagen og ha mulighet til å håndtere den. Det er slik at Norge har verdens største sikkerhetsnett, og hvis det sikkerhetsnettet ikke treffer bl.a. tunge narkomane, må vi se på virkemidlene, for det er ikke noe liv, og det er ikke noen verdighet i, å sitte og tigge. Vi ønsker å gi disse menneskene verdighet. Derfor er jeg glad for at regjeringen, ikke minst i sin helsereform som ble lagt fram i går, er veldig tydelig på at nå legger man fram en styrking på rusfeltet. Men vi må gjøre mer. Derfor ligger det i innstillingen fra de tre nevnte partier en klar oppfordring om at tiltakene må målrettes. I tillegg må tiltakene i hjemlandene til mange av dem som er tilreisende tiggere, også målrettes, slik at man kan hjelpe dem på hjemmebane. Flertallet i justiskomiteen legger med dette fram – slik jeg ser det – en fornuftig og god innstilling i tre punkter og håper at flere vil slutte seg til den.

et prosentmål til bistand for å styrke hjelpen til Syria bl.a. Den forrige regjeringa vedtok også en lovendring som adresserte på en god måte utfordringene knyttet til at folk som tigget, og også begikk annen type kriminalitet eller var til ulempe for befolkningen generelt. Som også saksordføreren var inne på, kan det være en del av av denne problematikken. I denne saken er vi imidlertid helt enig med Kristelig Folkeparti. Vi mener at i den framlagte proposisjonen fra regjeringa er det ikke noe som tilsier at det er behov for endringer i det lovverket som ble innført under den forrige regjeringa. De fleste politidistrikter rapporterer om forholdsvis få problemer knyttet til tiggerivirksomheten. Hva er så sammenhengen som får en til å fremme dette forslaget nå, og styrke det, når det egentlig ikke foreligger noen grunner til det? Det kan være sånn at Fremskrittspartiet har et behov for å adressere sin politikk til sine kjente velgergrupper – den kommunikasjon som går på at vi oversvømmes av flyktninger, de vil flytte rundt i Norge der det ikke er tiggerforbud, eller uttalelser som på helt generell basis kobler kriminalitet og tigging, med to røde streker under. Ikke noe av dette mener jeg er dokumentert verken i det regjeringa har lagt fram i denne saken, eller i det som kom fram under høringa i saken, da vi Advokatforeningen framholder også at det ikke synes som om departementets framlegging underbygger en slik sammenheng. Så for Arbeiderpartiet er dette en viktig sak, men det framstår som om det er litt liksom-handlekraft som skal vises. Det gir Fremskrittspartiet og til å pakke gamle saker inn i nytt papir. Dagens finansminister, tidligere partileder, Siv Jensen, uttalte i 2012 at tiggere skulle settes på en buss og fraktes ut av landet. Det var det samme året som statsministeren, daværende partileder i Høyre, uttalte at hun mente det ikke var nødvendig med et tiggerforbud i Bergen. Hvilke konsekvenser får dette for den lille gruppa av tiggere i Norge? Det har den nye regjeringa ikke klare svar på. Det er kommet bekymringsmeldinger fra Frivillighet Norge, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og frivillige arbeidere innen rusfeltet. I Kristiansand har Frelsesarmeen gjort en utrolig god jobb. Sammen med andre frivillige organisasjoner og menigheter administrerer de et overnattingstilbud, og de har gitt opplæring til personer fra Romania som er her, og som har tigging. Ordføreren i Kristiansand, fra Høyre, uttalte at han ville ha en analytisk tilnærming til problemet tigging – litt av det samme som vi hørte Erna Solberg også uttalte i 2012. Da undersøkelsen som viste at det faktisk ikke var noen særlige problemer knyttet til tiggerivirksomheten i Kristiansand, kom, valgte allikevel ordføreren å stå på at forbudet skal innføres, og det skal skjerpes inn. Arbeiderpartiet mener at vi har et lovverk som kan håndteres strengt fra politiets side. Vi er helt klare på at vi skal ikke tillate at mennesker verken forulemper andre, er til sjenanse for allmennheten, eller begår lovbrudd – og samtidig tigger. Derfor mener vi at det lovverket som eksisterer, er bra, tigger. Derfor mener vi at det lovverket som eksisterer, er bra, og vi mener at det også har gitt gode erfaringer. Det viser de medieoppslagene som har vært om Bergen politidistrikt, som nå vil ta i bruk en del av de virkemidlene som var i den forrige loven. De refererer at de har hatt gode erfaringer med det.

og i noen tilfeller en kilde til kriminalitet. Forslaget vekker noen sterke reaksjoner, som er både forståelige og forutsigbare. De er forståelige fordi man umiddelbart kan tro at man nå skal fengsle alle som spør om en slant til bussen. De er forutsigbare fordi man har hørt om skremmebildene så mange ganger før. Nå skal det bli kriminelt å være fattig, nå skal det bli forbudt å be om hjelp. Slik er det selvfølgelig ikke. Det er den systematiske og nærmest profesjonaliserte tiggingen som vi ønsker å få under kontroll. Så må det bare sies at tiggerspørsmålet er et uhyre vanskelig spørsmål. Det er et vanskelig spørsmål av mange grunner. Vi i Høyre har tvilt oss fram til konklusjonen. Det å forby visse former for tigging innebærer en vanskelig balansegang mellom ulike ideologiske syn, justispolitiske spørsmål og sosiale hensyn. På den ene siden står det klare utgangspunktet at folk i utgangspunktet bør stå fritt til å gjøre hva de vil, så lenge de ikke

ingen som skal forby det å være fattig, det er ingen som skal forby det å be om hjelp i en akutt nødsituasjon. Men det må sies at det er en vesentlig forskjell på å be akutt om hjelp og det å drive med tigging nærmest som et arbeid. Det må også de mest liberale blant oss erkjenne. Når tigging foregår systematisk og kontinuerlig, er det åpenbart at det på et eller annet tidspunkt vil bli for forstyrrende for omgivelsene. Det betyr at vi på et tidspunkt er nødt til å ta hensyn til også de andre i samfunnet. Veldig mye av den aktiviteten vi ser i samfunnet i dag, er underlagt en eller annen form for regel eller regulering. Bare å akseptere at gatene våre skal bli en arena for systematisk tigging, uten å underlegge også den type aktivitet visse regler, er på grensen til naivt. Det er heller ikke slik at det å tillate tigging i seg selv er så veldig solidarisk eller menneskelig. Tiggeforbud løser overhodet ikke fattigdomsproblemet, men det gjør virkelig ikke tigging heller. I et samfunn som det norske så veldig solidarisk eller menneskelig. Tiggeforbud løser overhodet ikke fattigdomsproblemet, men det gjør virkelig ikke tigging heller. I et samfunn som det norske gir vi folk hjelp på helt andre måter, med helt andre midler. Det kan gjøres i like stor grad som før, enten man får et tiggeforbud eller ikke. Når vi nå har valgt å åpne for innføring av forbud mot systematisk tigging, er det fordi og samfunnsorden veid tyngre enn hensynet til at det skal være fritt fram for enhver norsk borger eller EØS-borger å ta i bruk gatene våre til å drive med permanent
gode debatter må jeg innrømme at jeg har gruet meg litt til denne. Jeg synes egentlig det er en veldig trist dag for Stortinget. Derfor ønsker jeg å begynne med å stille spørsmålet: Hva er egentlig problemet? Hvorfor skal Stortinget vedta et forbud i dag? Hva er problemet? Jeg hører det blir hevdet «kriminalitet». Men jeg klarer ikke å se sammenhengen mellom

jeg at jeg telte meg fram til tre. Jeg ser heller ikke at det dokumenteres at det er en sammenheng. Jeg har også hørt av representanter tidligere her at tigging ikke er lik kriminalitet. Må den utfordringa som kriminaliteten, uroen eller forstyrrelsen aggressiv tigging – som blir definert som det å løfte fram en kopp, med muntlig oppfordring om å gi – innebærer, møtes med et forbud? Nei, hvis det er et forbud? Nei, hvis det er kriminalitet, hvis det er uorden, har politiet de virkemidlene de trenger. Hvis det er kriminalitet, kan de slå ned på den. Som vi har hørt tidligere, har eksempelvis meldeplikt, som Hordaland og andre politidistrikter har tatt i bruk, redusert antall tiggere og gitt bedre oversikt – og vil også kunne hjelpe i kampen mot menneskehandel. Problemet er at dette er fattige mennesker, Problemet er at dette er fattige mennesker, mennesker som lever i nød – enten det er i Norge, i Øst-Europa eller i andre deler av verden – og som kommer til Norge for å søke hjelp. Vi hevder ikke at dette forslaget er et forsøk på å forby fattigdom – det mener jeg det ikke er – men det er et forslag som går ut på å hindre fattige mennesker i å kunne be andre mennesker om hjelp. hjelp. Det er ingen av oss som synes at tigging er bra, at det er positivt at mennesker med talent og egenskaper nedverdiger seg selv – sitter på gata og ber om hjelp – på den måten. Det er ingen som tror på at den varige veien ut av fattigdom er tigging, men hva er alternativet for disse menneskene? Jeg registrerer at det sikkert er arbeidslinje og andre typer tiltak som skal få menneskene ut av fattigdom. Jeg støtter 100 pst. opp om flere tiltak for å hjelpe tiggere på andre måter. Men for mange av disse menneskene vil det ta veldig lang tid før de har fått seg et arbeid. Jeg stiller spørsmålet: Hva er alternativet deres? Hvis de ikke kan sitte og be om hjelp, frykter jeg kriminalitet, at noen ser seg tvunget til å drive med prostitusjon og andre ting, som iallfall ikke er bra for dem. Hvis en går bare noen få år tilbake, ser en at da et samlet storting en sovende paragraf – diskuterte Stortinget seg fram til at det iallfall måtte være en klar sammenheng. Selv i innstillinga skrev justiskomiteen at det var en økende utfordring at det var flere som kom. En var klar over problematikken, men mente allikevel at en ikke kunne forby dette. Det er en diskusjon om hvorvidt det er brudd på ytringsfriheten

har, er å be om hjelp. Det skal altså bli forbudt. Jeg må få uttrykke min skuffelse over vår gode sentrumskollega Senterpartiet i denne saka. Heldigvis leste jeg i dag tidlig at det er håp for Senterpartiet – det er flere representanter som tar til orde for at Senterpartiet må snu. Jeg skulle ønske det var i andre saker enn denne Senterpartiet brukte sin mulighet til å danne flertall sammen med regjeringspartiene.

heller ikkje kan gå føre seg ved at folk blir oppsøkte heime der dei bur. Den raud-grøne regjeringa la i fjor fram ein lovproposisjon som omhandla at kommunane kunne innføre lokale forbod knytt til tid og stad, men denne nye lova som vi skal vedta i dag, gjer det mogleg å definere heile kommunen som tiggefri sone. Det er altså eit lite steg vidare. vidare. I komitémerknadane til den saka om lokale forbod som vi behandla i 2013, peikte ein samla komité på at vegen ut av fattigdom på sikt er skule og fast arbeid. Eg vil understreke at dette føreset at ungar får gå på skule av foreldra sine. I ein Brennpunkt-dokumentar som NRK viste for eit par–tre år sidan, følgde dei ein del rumenske tiggarar både medan dei var heime i Romania og medan dei oppheldt seg her for å Det tristaste ved heile programmet var eigentleg ikkje at dei vaksne sat på gata her til lands på dagtid og kjøpte seg pølser til kveld som dei åt i lortete teltleirar, men at ungane på spørsmål om kva dei ville bli når dei blir store, med ein gong svarte «tiggarar». Intervjua av desse ungane vart gjort medan foreldra oppheldt seg i Noreg, og ungane budde aleine med den eldste som barnepassar for resten av ungeflokken. Dette er etter mi meining uttrykk for ein kultur som vidarefører sosial naud og fattigdom. Det å la tigging vere tillate er ikkje noko godt verkemiddel for at desse ungane skal få seg ei utdanning og framtidig arbeid. Prosjektmidlar til skulegang er bortkasta om ikkje ungane får gå på skulen. Det er ingen som nokon gong har kome seg ut av sosial naud ved å tigge eller ved å lære Når Noreg gjev bistandsmidlar til fattige land, er målet ofte å sikre betre helsetilbod og å gjennomføre vaksineprogram. Det andre hovudføremålet er å leggje til rette for at folk på kort og på lang sikt skal klare seg sjølve, gjennom f.eks. å støtte prosjekt der ein tilbyr skulegang til ungar som elles ikkje ville hatt noko skuletilbod. Eg meiner det er utruleg viktig at Noreg målrettar innsatsen for å førebyggje og redusere sosial og økonomisk Derfor står det klart i punkt C i innstillinga frå fleirtalet i komiteen – beståande av Høgre, Framstegspartiet og Senterpartiet – at Stortinget ber regjeringa sikre målretta sosiale tiltak overfor tiggarar i Noreg. Vidare ber vi om at det blir klargjort om dei prosjektmidlane som Noreg overfører gjennom EØS-systemet, blir brukte til å betre økonomiske og sosiale kår hos dei fattigaste.

så det er berre å gå forbi. Då eg gjekk til Stortinget i dag, over Karl Johan, som er ein del av det offentlege rom, tenkte eg litt over det vi i dag skal diskutere. Vi er alle einige om at det offentlege rom skal vere for alle. Vi skal ha reglar for det offentlege rom, sjølvsagt skal vi det. Då tenkte eg over kva det er eg ikkje ville akseptert då eg

Eg må vel kunne seie – med fare for å fornærme nokon – at når til og med stortingsrepresentant Kjersti Toppe meiner at eit forbod er ein usedvanleg dårleg idé, er det kanskje verdt å lytte. Det har vore ueinigheit om ein skal ha lokale eller nasjonale tiggeforbod. Eg må nok seie – eg heldt på å seie dessverre – at dersom ein har tenkt å få dette til å fungere, vil ein nok bli nøydt til å innføre eit nasjonalt forbod, for når eg lyttar til dei store byane våre, der denne diskusjonen fyrst og fremst føregår, er det ikkje fleirtal for å innføre eg ikkje sjå at det er i borgarleg styrte Oslo, det kan eg ikkje sjå at det er i borgarleg styrte Bergen, der Høgres byrådsleiar i dag på NRK Radio sa at dersom det er slik at politiet ikkje har ressursar til å handheve ei meldeplikt, er det grunn til å spørje seg korleis dei då meiner at dei har ressursar til å handheve eit forbod. Dette med forbod og påbod var også noko som representantar frå regjeringspartia i valkampen var veldig opptekne av, at vi ikkje skal drive og forby alt Det er ei haldning eg er grunnleggjande einig i, det er ei sunn prinsipiell tilnærming til politikk. Men no har det gått litt tid, og vi har etter kvart oppdaga at den prinsipielle grensa for regjeringa når det gjeld kva som skal vere tillate og ikkje, går ein eller annan plass mellom det å ha på seg ein flytevest, og det å be om hjelp i den ytste naud. Eg tenkjer at det å be om hjelp i den ytste naud er kanskje noko av det siste ein bør vurdere å forby. Dette her vil ikkje løyse fattigdomsutfordringane, verken i Noreg eller i Europa. Det er det heilt andre verkemiddel som må gjere. Sosiale problem løyser vi med sosiale verktøy, ikkje ved å bruke straff. Verktøya for å hindre det ein påstår at ein vil hindre, menneskehandel, kriminalitet, aggressiv åtferd, finst. Heimlane finst. Politiet kan bruke dei Politiet kan bruke dei om dei ønskjer. Det einaste vi ikkje har ein heimel for i dag, er å gå inn og drive rein sosial renovasjon i gatene våre. Den heimelen har stortingsfleirtalet tenkt å utstyre politiet med i dag, og det er ytst beklageleg. Frå Venstres ståstad er det noko vi sjølvsagt kjem til å stemme imot, og kjem til å jobbe for å reversere så fort som mogleg, slik vi gjorde då den førre borgarlege regjeringa styrte, og ein omsider vart kvitt lausgjengarparagrafen. At den skulle innførast igjen av den neste borgarlege regjeringa, trur eg ikkje nokon hadde sett føre seg, og det er det ein god grunn til.

nemleg: «Begrepet tigging må forstås slik at det omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg selv eller sine nærmeste.» Det er ikkje gjort noko skilje mellom stille å sitje der eller aktivt å gjere det. Så det fleirtalet vil innføre no, er lovforbod mot å tigge eller å be om hjelp. Ein brukar ofte «aggressiv tigging». Eg har budd i norske storbyar i et par tiår – først og fremst Oslo, men òg ein periode i Bergen – og eg prøvde i dag å tenkje igjennom om eg kan hugse å ha opplevd aggressiv tigging. Intens, kanskje – irriterande, ja, sikkert, men aggressiv tigging? Det å vere aggressiv på norske gater er det faktisk å regulere, og det er allereie mogleg å ramme det gjennom den eksisterande straffelova vår. Så vert det brukt som argument her at tigging ofte er knytt til kriminalitet, og det er det ingen tvil om. Men kriminalitet har det ved seg at den er kriminell. Den er allereie ramma av straffelova. Det er sjølve definisjonen på kriminalitet,

folk stør det – og det er det heller ingen tvil om. Men det eg kunne tenkje meg at representantar, særleg frå Høgre, kunne seie to ord om her oppe, er: Vil dei i framtida sjå for seg å byggje rettsstaten og rettsvernet på om det har brei støtte i meiningsmålingar det dei har tenkt å innføre frå Stortinget? Stortinget? Så må eg ta opp eit par argument til som har kome opp i debatten. Representanten Ulf Leirstein seier at ingen norske statsborgarar må tigge i dag. Det er hans påstand – med vekt på «norske» statsborgarar la eg merke til. Eg trur etter å ha følgt debatten i diverse norske byar – lat oss vere ærlege om det og erkjenne det – dreiar mykje av denne debatten seg om ein del utanlandske statsborgarar, i stor grad romfolk. grad romfolk. Grunnen til at ein innfører eit nasjonalt forbod er at ein kan unngå dei. Det har meir direkte vorte trekt fram i ein del av dei lokale debattane. Lat meg invitere Framstegspartiet til seinare i debatten å reflektere over følgjande spørsmål frå talarstolen – sidan vi er i 2014: Korleis trur Framstegspartiet det om 200 år vil verte vurdert at ein i 2014 vedtok ei lov i Noreg som kunne oppfattast slik at ho skulle gjere det vanskeleg for romfolk å få tilgjenge til riket? Det kunne vore interessant å sjå om dei har nokre refleksjonar om forholdet er slik, korleis det vil verte oppfatta. Så til to andre ting. Det første er: Noko av det mest absurde her er etter mitt syn tanken om at ein skal ha eit lovforbod mot tigging, men at ein ikkje skal ha eit lovforbod mot å kjøpe sex. Det ikkje skal ha eit lovforbod mot å kjøpe sex. Det er fire moglege kombinasjonar av dei to standpunkta. Tre av dei er etter mitt syn mogleg konsistent å grunngje og å meine. Men akkurat den Høgre og Framstegspartiet har, vil eg seie er nesten uforståeleg at ein kan ha. Det er fullt mogleg å forby tigging og fatte dette vedtaket, men å fjerne tigging i verda trur eg ikkje er mogleg å gjere gjennom lovforbod – berre gjennom andre verkemiddel. Eg har reist i mange land, men eg kan ikkje hugse å ha vore i eit utan tigging. Til slutt vil eg ta opp SVs forslag om ulike tiltak som kan vere riktig bruk av EØS-midlane ved tiltak i Noreg, som vi vel å fremje her sidan denne einigheita kom etter at innstillinga til revidert nasjonalbudsjett Da har representanten Bård Vegar Solhjell tatt opp de forslagene han refererte Jeg skal i første rekke holde meg til det som er regjeringens forslag i saken, men har lyst til å takke saksordføreren for et godt og konstruktivt arbeid i Stortinget, som har ført til at Stortinget nå slutter seg til den lovproposisjonen regjeringen har fremmet, og i tillegg gir regjeringen en slags marsjordre for å fremme en ny lovproposisjon med et bestemt innhold. Jeg er også glad for at Stortinget i eget vedtakspunkt i dag vil fatte vedtak om at en skal gjennomføre målrettede tiltak overfor tiggere i Norge gjennom en rekke ulike tiltak som er aktuelle, og som også sier noe om viktigheten av å følge opp bruken av EØS-midler for fornuftig bruk i hjemlandet til mange av Så har jeg lyst til å nevne innlegget til Arbeiderpartiets taler fordi jeg synes det er litt spesielt at det fremstilles som om det er en stor forskjell mellom den sittende regjeringens forslag og den forrige regjeringens forslag når det gjelder forbud mot tigging. Jeg er enig i at det er en forskjell, og jeg er enig i at det for enkelte kommuners vedkommende vil være en stor forskjell i form av at det det vil være lettere å håndheve, men at det å ha muligheten til å forby tigging på bestemte tider av døgnet i bestemte gater i en kommune skal være så veldig mye bedre enn at en vedtar et generelt tiggeforbud i hele kommunen, har jeg vanskelig for å forstå. Men verden ser sikkert annerledes ut utenfra regjeringslokalene, men jeg synes det er litt litt underlig. Jeg har også lyst til bare kort å si, selv om ingen har sagt det fra talerstolen her, at det er mer enn indikert i debatten utenfor denne salen som et argument mot forbud mot tigging at man kan ikke forby fattigdom. Jeg er enig i at man ikke kan forby fattigdom. Men man kan heller ikke løse fattigdomsproblemet ved å tillate tigging. tigging. Det argumentet er egentlig like svakt uansett hvilken retning du bruker det argumentet i. Jeg synes heller ikke det er en riktig refleksjon å hevde at det forbudet som regjeringen har foreslått, og som sannsynligvis vil få flertall senere i dag, og heller ikke forslaget om en ny proposisjon, vil føre til at det er forbudt å be om hjelp. Å generalisere på den måten synes jeg faktisk er ganske uheldig. Realiteten i dette er at en skal forby det som defineres som aggressiv eller aktiv tigging, fremoverlent tigging, som også ifølge mange politidistrikter er kombinert med kriminalitet. Jeg er heller ikke enig i at det er et sosialt Og jeg må si at oppfordringen fra representanten Solhjell om refleksjoner rundt forslag som skulle gjøre det vanskeligere for romfolk å få tilgang til riket, gir noen assosiasjoner som helt sikkert var intendert, men som er fullstendig feil. Den typen utsagn fra Stortingets talerstol i en debatt som er krevende fordi det er stor politisk uenighet rundt den, burde ikke representanten Solhjell tillate seg.

at brudd på de nye lovene skal medføre, hvor skal de eventuelt sone og hva slags straff skal de sone? Når det gjelder det siste, er forslaget fra regjeringen at det følger det ordinære systemet for brudd på politivedtektene og det reaksjonsmønsteret som ligger der. Hva som skal være straff for brudd på nasjonalt tiggeforbud, må en komme tilbake til i proposisjonen som stortingsflertallet bestiller i løpet av dagen, slik jeg har forstått det. Når det gjelder den kategoriske sammenhengen mellom kriminalitet og tigging, er det basert på tilbakemeldingene fra politidistriktene, som er de nærmeste til å vurdere hvorvidt det er den typen sammenheng. sammenheng. Så er det heller ikke helt reflektert, etter min oppfatning, å si at det å begå kriminalitet er kriminelt, så da er det problemet løst, som representanten Solhjell var inne på fra talerstolen. Utfordringen her er jo at hvis en kan knytte en del aktivitet av kriminell karakter til tiggermiljøet, er det klart at en ikke får løst problemet uten at en også løser tiggerutfordringen. Tilbakemeldingene fra politidistriktene er i all hovedsak, fra dem som har gitt tilbakemelding om dette, at de mener det foreligger en sammenheng. Jeg har også to spørsmål. Det første går på de tiltakene som regjeringa og Senterpartiet ønsker å innføre for å hjelpe mennesker som er i Norge. Jeg regner med at det også gjelder utenlandske statsborgere som kommer til Norge for å søke jobb og lykken, men ikke lykkes med å få seg en jobb og trenger penger på en eller annen måte. Hvilke tiltak ønsker statsråden å innføre for å hjelpe gjelder det andre spørsmålet, vil jeg først bare si at jeg er glad for at statsråden er så tydelig på at dette ikke dreier seg om å ta ei gruppe mennesker. mennesker. Det har jeg hørt fra ham før også, og det fortjener statsråden ros for. Det kan nemlig virke som det er på grunn av tilstrømming av EØS-borgere at det er behov for et forbud. Det er også ut fra endringa fra 2005 og fram til i dag. Så hva vil statsråden gjøre for å unngå eller hindre at dette ikke kun blir noe som rettes mot romfolk, men at det blir et forbud som skal overholdes overfor alle? Jeg tror jeg da må svare på det som er regjeringens utgangspunkt for den proposisjonen regjeringen har foreslått. Jeg kan naturligvis ikke i dag fortelle om hva slags forslag regjeringen vil fremme som oppfølging til de de anmodningsforslagene som blir vedtatt i dag. Det er jo forslag som skal ut på høring, og som skal gjennom sin ordinære prosess før det kommer tilbake til Stortinget for rask effektuering. Når det gjelder tilstrømming av EØS-borgere, er det ett element som har tiltatt de senere årene i forhold til det som var tilfelle, da løsgjengerloven ble opphevet. Det er klart at den virkelighetsendringen vil ha betydning for hvordan man skal vurdere den situasjonen som man nå står oppe i. Et forbud vil være av generell karakter, det vil ramme alle som forsøker å tigge, i de kommunene som innfører disse tiggeforbudene, og det vil bli enklere og greiere for politiet å følge opp. Det er også et viktig element i den muligheten kommunen nå gis, til å forsterke forbudet mot tigging utover det den forrige regjeringen ga mulighet til.

de tiltak det her snakkes om, skal da positivt nå dem som i dag er tiggere, dem som i dag blir rammet av den lovendringa vi nå gjør. Mitt spørsmål er: Er da statsrådens forståelse av det vi nå gjør, at de som rammes, skal få andre ytelser, slik at de ikke trenger å tigge til livets nøkterne opphold?

gjennom bl.a. tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som tilrettelegger tilbud for bl.a. tiggere, som denne regjeringen har videreført etter vedtak i Stortinget. Det er sosiale tilbud i form av overnattingstilbud, muligheter for å ivareta personlig hygiene og så videre, og det er jo tiltak som gjelder i dag, helt uavhengig av det lovvedtaket som ble fattet.

dag. Da blir mitt spørsmål ganske enkelt. Disse tingene, som man ønsker å bekjempe, er noe man har lovhjemler og regler for. De store byene benytter det aktivt, jeg hadde selv ansvaret i fjor i Oslo. Man håndterer det, det er ikke noe ønske blant folkevalgte om å få til en endring, og tigging er noe man gjør, ikke noe man er. Da blir mitt spørsmål: Hva er det med selve handlingen i det i det offentlige rom – å sitte helt stille med en kopp foran seg uten nødvendigvis å si noe som helst – som tilsier at dette bør være straffbart? Jeg er faktisk uenig i premissene for spørsmålet. Jeg mener at man ikke i tilfredsstillende grad håndterer den omliggende kriminaliteten. Det er et enormt antall lommetyverier og enkle tyverier i oslogatene. Det er en sånn mengde at det er tilnærmet umulig for politiet å håndtere det gjennom det ordinære strafferettssystemet. Så lenge politiet mener at det er en sammenheng mellom tigging og den typen kriminalitet, mener jeg og regjeringen at det er nødvendig å gi kommunene muligheten til å velge det som et virkemiddel for å hindre annen type kriminalitet i egen kommune. Hvorvidt kommunene velger å benytte seg av den muligheten, blir det altså

tigging, og ein representant frå Høgre sa tidlegare at det berre gjeld systematisk tigging. Så lat oss teste det: Viss ein person sit heilt i ro med ein kopp framfor seg, som har vorte brukt som eksempel, og kanskje med eit lite skilt der han oppfordrar til å gje pengar, og det ikkje kan dokumenterast at han er del av eit organisert, kriminelt nettverk, men gjer det aleine eller berre med familien sin, kan eg då forstå det sånn at det ikkje vil verte ramma av dei

Spørsmålet er: Er vi førnøyd med situasjonen, slik den er i dag, eller må vi prøve nye virkemidler? Ingen tigger frivillig. Det har en begrunnelse, enten det er rusproblemer eller sosial nød. Spørsmålet er da: Hva kan vi gjøre for at disse folkene skal slippe å livnære seg ved tigging? At sosiale tiltak skal gå hånd i hånd med et forbud, har vært en Velferdsstaten er bygd på at vi skal ta oss av dem som ikke klarer å brødfø seg selv med eget arbeid. Senterpartiet mener derfor at sosiale tiltak som tilrettelagte bosteder, tilrettelagt arbeidstilbud, aktivitetstilbud og helsetilbud er nødvendige tiltak som må komme på plass for denne gruppen. Så har man de siste årene hatt en kraftig vekst i antall tilreisende tiggere, folk som kommer fra ytterst vanskelige kår i Når de kommer hit, har de ikke mulighet til å skaffe seg bosted. Mange sover under broer, i parker og i biler osv. Slike bilder gjør inntrykk, og vi må spørre oss: Hvordan kan vi hjelpe disse på best mulig måte? Alle kjenner vi til hva slags problemer dette skaper for de nære omgivelsene. Da er det faktisk slik at hjelp i hjemlandet er det beste. Utdanningstilbud for unger er et tiltak som vil bedre situasjonen og hindre at fattigdommen går i EØS-midlene må følges nøye, slik at de går til målrettede tiltak. Det er slik at når foreldrene kommer til Norge for å tigge, blir de eldste ungene overlatt foreldreansvaret for mindre søsken. Mange av hjelpeorganisasjonene ber om et forbud fordi disse ungene da faller ut av gode tiltak i hjemlandet. Jeg har stor forståelse for at denne typen saker er vanskelig, og grensen mellom justis- og sosialpolitikk går over i hverandre. Rådene fra Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og Riksadvokaten har vært klar: De ønsker et nasjonalt forbud. Ingen har noen gang kommet ut av sosial nød ved å tigge, men mange har fått et bedre liv ved at storsamfunnet har stilt opp for dem. Det er det som er den norske modellen. Jeg merker meg motstanden som kommer i denne saken, men jeg merker meg også at ingen av motstanderne sier noe om hva de mener vil løse disse store utfordringene. Senterpartiet har kommet til enighet med regjeringspartiene om at sosiale ordninger skal gå hånd i hånd med et forbud. Det var en forutsetning for at vi i dag kunne
Per Olaf Lundteigen

Når vi kjenner hennes engasjement med tanke på alkohol, rus og de problemer som det gir, må jeg si at det viser en side ved Unge Venstre som er det som jeg har minst til overs for. Det som er saken her i dag, er endringer i politiloven, tigging, § 14 første ledd nr. 8, og den skal lyde: «om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus.» hus.» Vi har fått justisministerens presisering av det, sånn at de som sitter med en kopp foran seg, gjør – etter at denne loven er vedtatt og satt i kraft – noe ulovlig. Det er en svært vanskelig sak for meg å stemme for denne lovendringa, for det utfordrer min sosiale samvittighet. Jeg hadde en nabo som er død nå, og som var alkoholiker. Han lærte meg noe veldig tidlig, han sa: Per, når folk ber om fem kroner på gaten til en langpils, vet jeg hvor forferdelig det er å være tørst. Det har jeg respekt for, så de får fem kroner. Det er et dilemma som en står overfor, hvordan en skal opptre overfor folk som sliter, og min sosiale samvittighet sier at vi skal behandle dem med respekt, og vi skal gjøre en langt større innsats enn i dag. Jeg lyttet med veldig oppmerksomhet til Peter Christian Frølich fra Høyres innlegg. Han sa at en kan ikke akseptere tigging som arbeid, det er forstyrrende for omgivelsene, og det ikke å ha regler er naivt. Han stilte også spørsmål ved om det å tillate tigging er Han stilte også spørsmål ved om det å tillate tigging er medmenneskelig. Det siste synes jeg vi skal dvele ved. Det er ikke spesielt medmenneskelig å ha et samfunn hvor tigging er en del av hverdagen. Det er ikke sånn at det løser noen fattigdom. Det som vi har opplevd gjennom mange år, er at det er mange som har slitt, og som har tigget i Norge, og det er gjort altfor lite for dem. Det som vi Det som vi da også står overfor, er at det nå blir gjort vedtak om at en skal sette i gang målrettede tiltak for tiggere i Norge, og da vil jeg som medlem i arbeids- og sosialkomiteen ta dette på alvor. Jeg vil ta det på meget stort alvor og fremme nødvendige forslag, dersom dette blir vedtatt, og det er dersom dette blir vedtatt, og det er Senterpartiet med på, som gjør at en kan skaffe seg økonomisk opphold på annen måte enn gjennom tigging. Det er meget krevende når vi har en EØS-avtale med fri bevegelse av arbeidskraft.

og i større grad mot den folkegruppen enn det en hittil har gjort. Jeg har lagt merke til at SV har et forslag i den retningen her i dag, og SV har lagt fram tre forslag som Senterpartiet kommer til å vurdere med åpent sinn, og som vi kommer til å se nærmere på fordi de trekker i samme retning som det Senterpartiet har ment når det gjelder sosiale tiltak. Så er det litt skuffelse over Senterpartiet og hvordan vi har brukt vår vippeposisjon.

hvordan andre partier bruker sin vippeposisjon. Det synes jeg er en merkverdighet. Når det gjelder representanten Kjersti Toppe, uttrykte hun i dag at det er sjølsagt at ethvert medlem i Senterpartiet kan arbeide fram mot våre landsmøter for å fastlegge enten ny politikk eller å endre politikken i partiet. Det kalles partidemokrati. Det er ikke enkelt for noen av oss, det spørsmålet vi står overfor i dag. Det finnes argumenter både for og mot. Det er vanskelige vurderinger, og jeg tror også de foregående innlegg fra Senterpartiet har vist det. Senterpartiet kommer til å stemme for tiggeforbud, men vi vil også vurdere de forslagene SV har lagt fram, fordi vi mener at målrettede sosiale tiltak er uløselig knyttet opp mot forbud, som representanten Lundteigen var inne

Hovedperspektivet i møtet med tigging må være at dette handler om fattige folk som befinner seg i en ufattelig vanskelig situasjon. Hvis tiggere begår kriminalitet, er også vi i Kristelig Folkeparti enig i at det må tas på samme måten som all annen kriminalitet. Tigging er ikke løsningen for dem som kommer hit, men å hjelpe dem i deres hjemland. Men hvis vi ser på den økonomiske situasjonen i Europa,

vi vil gjøre når utfordringen bare blir økende. Kristelig Folkeparti vil, med menneskeverdet i sentrum, ha en helhetlig tilnærming, som svarer på flere sider av denne utfordringen når det kommer tilreisende til Vi står overfor en stor sosialpolitisk utfordring, hvor vi må vurdere hva det er som faktisk hjelper og er hensiktsmessig. Vi må i alle fall klare å gi disse folkene som kommer til oss, et verdig liv, på en måte som gjør at de faktisk får et helsetilbud, at de har et sanitærtilbud som det går an å leve med, og at de kan bo på skikkelig vis. Folkeparti vil støtte, og helst forsterke, denne innsatsen, som gjør at folk kan slippe å sitte med koppen. Men de trenger vår hjelp og vår støtte. Derfor må det utformes en plan på en slik måte at vi hindrer og reduserer konfliktpotensialet som ofte ligger i disse sakene, og som vi ser at blir en konflikt i de må vi ha tiltak som gjør at vi møter dem med respekt, og samtidig gir dem tiltak som virker.

SV har fremmet tre forslag som går ut på å styrke den sosiale innsatsen knyttet til tigging, både her hjemme med humanitære tiltak og med en økning av andelen EØS-midler som går til romfolk i Bulgaria og Romania. Spesielt de partiene som argumenterer med en omsorg for dem som rammes av tiggeforbudet, som f.eks. Senterpartiet, bør føle kallet til å stemme for SVs forslag. Men hvilken freidighet vi ser i debatten her! Nå sto justisministeren her på talerstolen i stad og spilte fornærmet over Bård Vegar Solhjells antydninger om at denne loven kan tolkes som om den er rettet mot romfolk. Vel, den koblingen kan Fremskrittspartiet ene og alene takke seg selv for. Det var nemlig ikke representanten Solhjell som introduserte det å nekte adgang Det var det justisminister Anundsens egen partiledelse som gjorde. Jeg kan sitere Per Sandberg fra 29. april i fjor. Da sa han til TV 2: «Romfolk kan nektes adgang til Norge.» Det var et utspill som Likestillings- og diskrimineringsombudet følte seg kallet til å gå ut og si at potensielt var i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon. Så kan man legge til representanten Ulf Leirsteins kampanje mot romfolk på sosiale medier, som vakte nasjonal oppsikt i fjor, og da skal det en rimelig dose frekkhet til for å hevde at partienes holdning til romfolk ikke er en faktor i det vi står og diskuterer i dag. At liberale Høyre gjør seg til redskap for Fremskrittspartiets dobbeltkommunikasjon i denne saken, synes jeg er både trist og I dag forbyr Stortinget det å be om hjelp når man er i den ytterste nød. For ti år siden skrev Høyre-politikerne Nikolai Astrup og Torbjørn Røe Isaksen en bok som heter Velferd etter velferdsstaten, hvor de brukte et kapittel på å fortelle en rørende historie om en tigger som sparte opp 14 000 kroner til drømmebryllupet sitt, fordi hans kjære fortjente det beste. Tidene har forandret seg også for de politikerne, virker det å be om hjelp. Om du selger seksuelle tjenester, er det greit, men ber noen om mynter uten gjenytelse, skal de straffes. Jeg tror historien vil dømme Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet hardt for dette vedtaket – knallhardt. I mellomtiden må en rekke uskyldige mennesker betale prisen for stortingsflertallets dårskap.

for det er det dette forslaget i realiteten betyr. Aggressiv tigging, pågående tigging er forbudt i dag. Det eneste dette forslaget vil medføre, er at man fjerner de folkene som sitter helt stille med en kopp foran seg, enten de har et skilt eller ikke, fra det offentlige rom. Det er nettopp det justisministeren bekreftet, at det er den meningen som ligger bak.

Det er rusavhengige, som er én gruppering. Der er det store mangler – helt uavhengig av tigging er alle enige om at vi trenger en annen politikk og helt andre ressurser inn mot rusavhengige for å gi dem et bedre liv. Men å tro at det å nekte dem å spørre om penger også skal være en del av denne helheten, mener jeg er lovlig naivt. For det første er det helt er det helt unødvendig. Det er én oppgave. Utenfor der jeg bor, hvis jeg nå skulle møte noen når jeg går på butikken, som det hender at spør meg om fem eller ti kroner, blir det uforståelig at man skal kunne møte det med å ringe til politiet. Dette er virkelig ikke et problem. Når det gjelder den andre grupperingen, har vi, som mange også påpekte, hatt en situasjon med mange tilreisende de siste år, de siste år, de fleste av dem romfolk, som også tigger. Ja, det er et problem at mange sover i parkene, det er et problem med avfall, det er et problem i en del områder rundt omkring i de store byene. Men det er ikke et problem at man sitter stille med en kopp og spør om penger. Så har jeg et spørsmål til statsråden: Mener han at det å forby tigging Så har jeg et spørsmål til statsråden: Mener han at det å forby tigging automatisk vil føre til at vi får en reduksjon i annen kriminalitet som nasking, og mener han at det automatisk vil føre til en reduksjon av camping, forsøpling eller andre problemstillinger i de store byene?

som, som ulike folk tidlegare har vore, er mest forfølgd i mange land, og at det vert diskutert, lover vert vedtekne og politiske grep vert gjorde for å hindre romfolk tilgang til mange land. Det er heller ingen tvil om at gjer vi eit vedtak om å innføre eit nasjonalt tiggeforbod, vil det avgrense tilgangen til riket for romfolk, fordi det er mange romfolk blant dei tiggarane som kjem hit – sånn er det.

av at dei er fanga i sosiale feller eller har kulturtradisjonar som gjer at dei ikkje går på skule, ikkje jobbar – store, store utfordringar og komplekst. Det er komplekst korleis vi skal handtere den organiserte kriminaliteten som det utan tvil finst eksempel på er kopla til tigging. Det er komplisert korleis vi skal halde parkane våre og gatene våre reine og korleis vi skal hindre forsøpling osv. Men det er ikkje komplekst komplekst dersom det å forby å be om hjelp på gata er løysinga på det. Det finst ikkje antydning, etter mitt syn, til gode argument og dokumentasjon på at å forby å sitje stille og be om hjelp er den rette løysinga på det. Lat oss difor heller jobbe med alle dei kompleksitetane og løysingane som finst. SV har no i salen fremja tre forslag – å auke den potten som går direkte til tiltak. Det vil vere ei naturleg sosial oppfølging, synest vi, av eit vedtak, ei einigheit, som kom etter at revidert-innstillinga var lagt fram. Det andre er å opne for at den potten ikkje berre kan brukast til humanitære tiltak, men òg til arbeidsretta, meir langsiktige opptreningstiltak – heilt i tråd med det fleire har argumentert for. Det tredje er at EØS-midlane i større grad bør gå til tiltak retta mot romfolk i Romania og Bulgaria. Jeg tok ordet fordi jeg ble utfordret på hvordan vi ville løse fattigdomsutfordringa, og

Men jeg tror også at tilhengerne av forbudet gjør en stor feil. Det er at en i hvert fall langt på vei hevder at da vil ikke de menneskene komme til Norge, da vil de heller gå på skole i Romania, eller da vil de finne seg et arbeid i Romania. Det er ganske interessant å høre på, for det er i alle fall en helt annen virkelighet enn den de menneskene som lever i Romania, opplever. Det er en grunn til at de søker lykken ved å komme til et rikere land og velger Norge og andre europeiske land. land. Derfor er det interessant når jeg hører det med sosiale tiltak – det virker som om et forslag i Stortinget om at det nå skal komme sosiale tiltak, er det som løser hele utfordringa. Jeg velger å tro at tilhengerne av eller de som stemmer for det forslaget, ikke oppriktig tror at det er det som skal til. Men hva skal vi gjøre? Kristelig Folkeparti har gått i front for bistand, handel og investeringer for de aller fattigste som bor langt utenfor Europa, så jeg tror ikke bistand er det som skal til for å løse utfordringa i Øst-Europa. Jeg tror på en politikkendring. Jeg tror også at EØS-midlene kan brukes annerledes, men jeg tror det blir utfordrende på kort sikt, iallfall, å sikre skolegang og arbeid, som er alternativet. Så tror jeg at noe som er viktig, er at en går i dialog med dem det gjelder: romfolket, som Er de med på å ta beslutninger for hvilke alternativer de kan ha? Vi som er motstandere av forbudet, ønsker jo flere tiltak i Norge. Da tror jeg det er helt nødvendig at vi i dialog med romfolket kan snakke om ulike tiltak som vil hjelpe dem, og som de selv ønsker å bidra til for å kunne finne alternativer, enten det er å få utdanning, eller det er å få arbeid. arbeid. Derfor er et viktig svar fra Kristelig Folkeparti at vi ønsker mer midler til frivillige organisasjoner, som gjør et fantastisk arbeid for å hjelpe, enten det er norske eller det er utenlandske tiggere. Vi ønsker arbeids- og utdanningstiltak og ikke minst større satsing på rusomsorg, som regjeringa også har varslet – og det er bra, men det er et langsiktig tiltak. Mennesker vil fortsette å komme til Norge. Problemet er bare at de ikke lenger får lov til å be om hjelp. Jeg husker den første gangen jeg kom til Oslo

debattant, både i denne salen og i offentlegheita, for å bruke ulike forbod og påbod for å løyse sosiale utfordringar, men no åtvarar mot det. Det var mitt poeng, og det bør ein lytte til, på same måte som ein faktisk bør lytte til representanten Lundteigen sjølv og representanten Pollestad, som også i det nemnde medieoppslaget seier at dei er skeptiske til og mot innføring av eit tiggeforbod. Men når representanten Arnstad etterpå sidestiller ei endring i taxfree-kvota, som den raud-grøne regjeringa sjølv gjennomførte

staten. Det bør kanskje representantane frå Høgre og Framstegspartiet reflektere noko meir over. Då eg lytta til det, kom eg på – eg veit ikkje heilt kvifor – at tiggedebatten også har vore aktuell i eit land Framstegspartiet ofte viser til, nemleg i USA, der ein har prøvd seg med å innføre det ulike plassar. Det har vorte slått ned av høgsterett, med tilvising til ytringsfridomen i grunnloven. Det kunne ha vore interessant, dersom dette forbodet no blir innført i Noreg, om nokon forsøkte å prøve det mot den same paragrafen i den nye, norske Grunnloven § 100 – «Ytringsfridom skal det vere», står det der. Om det skal vere eit unnatak for dei som set seg på gata med ein kopp og ein lapp, er det sanneleg verdt å diskutere. Så er det slik at ein kan sikkert knyte noko kriminalitet til alle moglege miljø, også til tiggemiljøet, men det er ikkje det same som at ein skal forby tigging. Det

der det har vore stor innvandring, bevegelse av menneske over landegrensene, til Noreg, også fattige tiggarar, går Europa no i riktig retning, der veksten tek seg opp igjen, der ein får begynt å kjempe ned fattigdommen. I fjor var det valdsame opptøyar rundt tigging i Noreg, i år har det vore veldig roleg. Eg synest det er synd, etter at vi har klart å stå med ryggen rett mot forbodstankegangen gjennom ei så vanskeleg tid, at Stortinget no skal la demninga breste. Ho bør ein snarast tette igjen. Det debatteres i dag nær sagt som om det i dag ikke er slik at kommunene har anledning til på nærmere bestemte vilkår å forby tigging. Det har de – de må bare avgrense det til et klokkeslett og til bestemte områder i en kommune. Så det revolusjonerende nye er ikke at kommunene nå får myndighet til selv å bestemme om man skal forby tigging, men de får en utvidet mulighet til å bestemme det geografiske området til å gjelde hele kommunen, ikke bare enkelte deler av kommunen, til bestemte klokkeslett. På mange måter kan det ses på som en forenkling og en forbedring, og det styrker også det lokale selvstyret, etter min oppfatning – og gir kommunene ett virkemiddel til å benytte seg av. I proposisjonen og i lovteksten blir det ikke skilt mellom aggressiv og ikke aggressiv tigging. Begrepet som brukes i lovteksten, er «tigging», og det er derfor mitt svar til representanten Solhjell i stad kunne være så tydelig. Hvis kommunen ønsker det, vil alle former for tigging kunne bli forbudt i kommunen. Det betyr, slik sett, at kommunen får anledning til å velge dette selv i større grad enn tilfellet er i dag. Den andre linjen debatten har gått rundt i dag, er anmodningsforslaget, der en ber med et forslag om et nasjonalt tiggeforbud. I det forslaget er det også sagt noe om innretningen, nemlig at den skal ramme organisert tigging, og man skal skjerme mot menneskehandel og annen kriminalitet. Den konkrete innretningen på hvordan dette skal gjøres, må regjeringen komme nærmere tilbake til i det arbeidet som nå ligger fremfor oss. Så mener jeg at det er et vesentlig skille mellom det Solhjell betrakter som å begrense romfolks adgang til riket og det jeg mener denne saken dreier seg om, nemlig helt generelt å ha regler for hva både romfolk og andre kan gjøre eller ikke kan gjøre når de er innenfor landets grenser. Årsakene til at mennesker ser seg nødt til å tigge, er

Mennesker i sosial nød skal selvsagt møtes med verdighet og sosialpolitiske tiltak. Men organisert tigging handler først og fremst om kriminelle bakmenn som bedriver slaveri og menneskehandel gjennom å utnytte fattige kvinner og barn. Dette er tydelig påvist av Europol. Barn blir solgt tiggerbander til en høy pris, fordi de har god omsetningsverdi. Dette er påvist av europeisk politi. Det er også påvist, av norsk politi, en sammenheng mellom omreisende tiggere og utøvelse av kriminalitet. Det gjelder lovbrudd som lommetyveri, butikktyveri, innbrudd og alvorlige ran. Dette skaper også utrygge lokalsamfunn. Flere utenlandske borgere ankommer Oslo, byen som jeg representerer og bor i, med tigging som eneste formål. Antall lommetyverier har de siste årene eksplodert i Oslo. Og som representanten fra Senterpartiet nevnte, sammenligner vi med Berlin, er det like tall, selv om Berlin har syv ganger så mange innbyggere som Oslo. Når regjeringen nå åpner for at kommunene kan innføre så mange innbyggere som Oslo. Når regjeringen nå åpner for at kommunene kan innføre tiggerforbud, er ikke dette noe revolusjonerende eller noe nytt. I dag finnes det en mulighet, men man ønsker å ha soner – det jeg vil kalle for et kvasiforbud. Her gir vi kommunene en reell selvbestemmelsesrett og en reell mulighet til å innføre et forbud. Dette handler ikke om å renske bybildet for upassende personligheter. Jeg er ikke tilhenger av å redigere gatebildet eller hvordan europeere skal bevege seg det å kunne bevege seg fritt i Europa betyr ikke at man kan bevege seg utenfor loven. Tiggerforbudet handler også om å støtte opp om et viktig velferdsprinsipp: Folk skal slippe å tigge. Man kan aldri helt fjerne nød og fattigdom fra gatene – det tror jeg vi alle er enige om. Men det er viktig med en treffsikker og sosial velferdspolitikk. Ved å bekjempe bakmennene kan man i det minste sørge for at ikke flere presses ut i elendigheten. Videre skal Norge fortsette å bidra til å finansiere målrettede tiltak som kan avhjelpe underliggende årsaker i de landene det gjelder. Der er EØS-midlene og bruken av dem helt avgjørende. Til slutt: Jeg ser også fram til debatten i 2015 om å innføre et nasjonalt tiggerforbud. Debatten i dag har i stor grad dreid seg om det å tillate tigging for dem som er et nasjonalt tiggerforbud. Debatten i dag har i stor grad dreid seg om det å tillate tigging for dem som er i nød. En annen side ved tigging er lite berørt i dag. Vi har gjennom media over tid fått Hvis denne saken bare dreier seg om å si ja til tigging for dem som er i nød, hadde det kanskje vært enkelt å si ja. Men når vi får presisert en annen bakside av tigging, nemlig menneskehandel, er det vanskeligere. I rapporten fra Politidirektoratet som ble overlevert Justisdepartementet, avsløres det omfattende utnyttelse av både barn og voksne i forbindelse med tigging. I Kripos’ rapport

Det er vel ikke så store forskjellene mellom Norge og Sverige at det skulle tilsi at tallet er så mye mindre her. En sak som gikk for Bergen tingrett nylig, omfatter en romfamilie som ifølge dommen utnyttet fire jenter i alderen 13–17 år. Jentene skal bl.a. ha blitt tvunget til å stjele i butikker, stjele falske gullsmykker, og tigge. Tigging alene hjelper ikke mot fattigdom, men jeg er også veldig bekymret for barn, kvinner eller andre som blir utnyttet i en kynisk menneskehandel rundt tigging. Først vil jeg si at jeg er veldig glad for engasjementet i denne saken og

men det ene forslaget her er ikke noe særlig annerledes enn det vi hadde. Og da må en jo spørre seg: Hvorfor et nytt forslag? Ebbesen var oppe nå og viste til situasjoner som ingen av oss synes er gode, som ingen vil ha. De blir altså tatt i dag. De blir dømt. Det er det som er forskjellen – hvorfor dette engasjementet for å endre loven nå, når vi har virksomme lovreguleringer allerede? En forsker på Politihøgskolen sier at det er like galt å si at alle som tigger, er kriminelle som å si at ingen av dem utøver kriminelle handlinger. handlinger. Forskning på NOVA kan heller ikke dokumentere noen sammenheng mellom organisert kriminalitet, med bakmenn, og tigging. Den debatten vi har hørt i dag, viser helt klart at dette er en vanskelig debatt. Vi er inne på vanskelige områder som dreier seg om moral og verdisyn. Nettrollene omfatter ikke bare kvinner.

bruker. Jeg mener at Fremskrittspartiets representanter ikke har bidratt til å heve debatten i så henseende gjennom sin retorikk, noe representanten Solhjell også viste til. Jeg synes det er beklagelig at det står i komitéinnstillingen «de siste års utvikling med stadig mer aggressiv tigging og kriminalitet», når vi i denne salen faktisk ikke har fått dokumentert at det er utviklinga. Dette mener jeg opprettholder og forsterker et unyansert og skremmende bilde av situasjonen, et bilde som er mer skremmende og mer unyansert enn det det rent faktisk og reelt er. Derfor er det viktig for oss å reflektere over hvorfor denne saken kommer nå. Jeg har merket meg alle forsikringene som har kommet i løpet av debatten om hva dette ikke handler om. Det er

Mens jeg kjørte forbi rasteplassen på Svartskog rakk jeg og telle 12 store varebiler tilhørende en stor gruppe sigøynere. Det blir sikkert trivelig for innbyggere og turister å oppholde seg i hovedstaden i sommer … De har jo regjeringens velsignelse til å komme hit og tigge.» For få dager siden var Leirstein med og forhandlet ferdig avtalen om tiggeforbud, og nå står justisministeren her på talerstolen og sier at nei, nei, romfolk er ikke en del av ligningen i det hele tatt – dette har ingenting med debatten om romfolk å gjøre, ingen sånne hensikter. Og det er veldig fornærmende når noen siterer justisministerens egen nestleder, som selv har tatt ordene «nekte romfolk adgang til Norge» i sin munn. Så kunne Høyre ved Mudassar Kapur forsikre oss om at dette ikke har noen ting å gjøre med å rydde gater og torg – nei da, ikke i det hele tatt. Hvis det ikke er et spørsmål om å rydde gatene for tigging, er det grunn til å spørre seg hvorfor representanten Michael Tetzschner uttalte til NTB for to år siden, da Høyre gikk inn for tiggeforbud, den 6. mai 2012: «Dette er et klart signal om at vanlige folk kan ta plasser og torg tilbake». Hva er dette for noe? I nasjonale medier sier Høyre og Fremskrittspartiet en ting: en fortelling om horden av romfolk – eller sigøynere, som de kaller det – på vei til Oslo, som gjør det utrivelig for norske innbyggere med den rød-grønne regjeringens velsignelse, en fortelling om at gater og torg i Oslo nærmest er under okkupasjon. Men her i stortingssalen er det omsorg for de tiggende, omtenksomheten for de tiggende – det er det som er bakgrunnen for tiggeforbudet. At ikke justisministeren har mage til å ta nestlederen i sitt eget parti i forsvar, er det bare å merke seg. Men det er greit, for det tror jeg ingen av oss andre hadde hatt mage til heller. Som flere har

og menneskesmugling. Det er enkeltsaker det eventuelt er snakk om. Så refereres det ofte til at du har mange lommetyverier. Da lurer jeg på: Tror man at ved å forby tigging reduserer du antall lommetyverier i i Oslo eller i Norge for øvrig? Skal du redusere antall lommetyverier, må selvfølgelig politiet sette inn et målrettet arbeid for å ta dem som driver med dette. Det er det som er virkemidlet, og du har lovhjemmelen som den er i dag. Så er det ingen tvil om at den situasjonen som har oppstått med et åpent Europa og at du har mange tilreisende, også at det er personer som kommer og tigger i Norge, gjør at du får problemer lokalt. Da har jeg lært meg at skal du ta tak i problemene, gjør du det på best mulig måte ved å gjøre det på lavest mulig nivå. Det Stortinget gjør nå – og særlig med varselet om til neste år å ha en sak om et nasjonalt tiggeforbud – er det stikk motsatte. Man griper inn nasjonalt for å få et forbud i en problemstilling som kunne løses mye bedre lokalt. Da må man jobbe målrettet. Vi har det regelverket vi har behov for. Vi har det lovverket vi trenger. Da må det jobbes mye mer målrettet – samarbeid med lokale myndigheter, samarbeid med politiet – for å ta tak i de reelle problemstillingene, som handler om at der det er kriminalitet, er det den som skal bekjempes, der det er forsøpling, der man camper ulovlig, er det det man skal ta tak i. Men det er camper ulovlig, er det det man skal ta tak i. Men det er ingen grunn til å gå inn og forby det å sitte helt stille med en kopp i det offentlige rom i Norge for å ta tak i de problemene. Dette er en fryktelig trist dag for Stortinget og for landet. Det er sagt veldig mye i saken allerede, og

Jeg vil henstille til forslagsstilleren om å vurdere å gjøre om forslag nr. 2 til et oversendelsesforslag. Da har representanten Anders B. Werp anmodet om at ett av forslagene gjøres om til oversendelsesforslag. Representanten Kjell Ingolf Ropstad Ropstad har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Først vil jeg takke for en god debatt. Det har vært en mer prinsipiell og ryddig debatt enn jeg opplevde i forrige periode. For, som noen har vært inne på her, hadde vi også en vanskelig runde da det ble vedtatt et forbud i tid og sted eller regulering, som det ble kalt – av den rød-grønne regjeringa i forrige periode. Jeg er glad for at man får en mer prinsipiell tilnærming til saken nå enn det jeg opplevde den gangen, da jeg også deltok i debatten. Men jeg tok egentlig ordet til det samme som representanten Werp var inne på, nemlig forslagene til SV. Jeg vil også signalisere at vi ønsker å støtte forslag nr. 2, og ser gjerne at det kan bli gjort om til et oversendelsesforslag. Så skal vi se på de andre forslagene. Men jeg kan allerede nå varsle at forslag nr. 1 kommer vi ikke til å støtte. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Ingen har bedt om ordet. Komiteen har behandlet Prop. 57 L, konfliktrådsloven. Det er

Komiteen ble i forbindelse med sitt arbeid med proposisjonen gjort oppmerksom på en inkonsekvens mellom merknad i Prop. 135 L for 2010–2011 og ordlyden i lov under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde. Derfor fremmer komiteen i tillegg forslag til endringer i lovteksten som vist i

for 2010–2011, barn og straff, som ble enstemmig vedtatt av Stortinget i desember 2011. Stortinget vedtok med dette en ny straffart, ungdomsstraff, som et alternativ til ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraffer for lovbrytere mellom 15 og 18 år på handlingstidspunktet. For å sikre en sammenhengende kjede av individuelt foreslår regjeringen en ny strafferettslig reaksjon for unge lovbrytere, omtalt som ungdomsoppfølging. Den nye reaksjonen skal benyttes for lovbrudd som ikke er så alvorlige at ungdomsstraff er aktuelt. Gjennomføringen skal skje i konfliktrådet etter samme mønster som for ungdomsstraffen, men i de fleste sakene med kortere gjennomføringstid og mindre inngripende tiltak. Lovbryter skal bl.a. delta i Lovbryter skal bl.a. delta i et ungdomsstormøte. Gjennom møte med fornærmede og andre berørte må lovbryter delta aktivt og vil gjennom dette bli mer bevisst konsekvensene av sine lovbrudd. Den unge må i tillegg vise vilje til å ta ansvar for sine handlinger gjennom å samtykke til en forpliktende ungdomsplan. Planen skal utformes individuelt og inneholde tiltak om oppfølging og kontroll. Planen vil også inneholde hjelpetiltak på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Utgangspunktet for hvilke tiltak som er aktuelle, vil være det begåtte lovbruddet og lovbryterens livssituasjon. Det er sånn at både ungdomsstraff og ungdomsoppfølging baseres på tidlig innsats fra både justissektoren og ulike kommunale og statlige hjelpeinstanser. Reaksjonen bygger på erfaringer fra lokale samarbeidsmodeller som har vært prøvd ut for å følge opp unge lovbrytere på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det vises spesielt til ungdomskontrakter, rusavtaler og ulike former for oppfølgingsteam. I tillegg til ungdomsoppfølging foreslås oppfølging i konfliktråd som ny strafferettslig reaksjon. Reaksjonen retter seg mot lovbrytere over 18 år og innebærer, i likhet med ungdomsoppfølging, en utvidelse av dagens meklingsordning til også å omfatte oppfølging over et fastsatt tidsrom i egnede saker. Jeg viser også til at saken har vært ute på høring, og hovedinntrykket fra høringen er at høringsinstansene er positive til en modernisering av konfliktrådsloven og til lovforslagene om oppfølging i konfliktråd som ny strafferettslig reaksjon. Det er

det gjør det lettere å kunne komme videre, og det er også bra for gjerningspersonen, fordi han da kanskje kan forstå alvoret i det han har gjort, og lettere finne en ny kurs. Så totalt sett er vi veldig glad for den retningen som justisministeren peker ut. Ungdomsoppfølging vil sammen med ungdomsstraff kunne hjelpe unge kriminelle på et bedre spor, for tidlig innsats er helt avgjørende avgjørende når man arbeider med unge som begynner å komme på skråplanet. Det er helt sentralt i arbeidet med kriminelle barn og unge at samfunnets reaksjoner ivaretas av flere etater og på ulike nivåer i forvaltningen. Ungdomsoppfølging vil også kunne være med og bidra til også kunne være med og bidra til dette. Når en ser på årsakene til kriminalitet blant unge, er de sammensatte og komplekse. Derfor er det også viktig at tiltakene som skal få unge mennesker ut av kriminalitet eller hindre at de fortsetter på en bane de ser ut til å legge an, er tilsvarende mangfoldige, og derfor er det viktig at vi i dag vedtar nok en ny reaksjonsform – som et tillegg til ungdomsstraffen. Så vil jeg peke på forebygging; jeg gjør ofte det i disse debattene. disse debattene. Det som jeg tror er veldig bra med ungdomsoppfølging, er at en tar i bruk nærområdet og aktørene rundt gjerningspersonene – familie, venner og nettverket som er rundt – i innsatsen for å hindre at de kommer inn i en kriminell løpebane. Det at en har venner, familie og folk i nærheten som forplikter en, gjør at en også lettere kommer ut av det kriminelle miljøet.

store. Derfor er det også viktig at unge mennesker blir fanget opp før de havner på «kjøret». Her er et helhetlig tilbud helt avgjørende. Det kan være skole, politi, fritidsklubber etc. Unge mennesker må få tilbud om fritidsaktiviteter. Så jeg ønsker å utfordre justisministeren på det, å fortsette med det som jeg opplever har vært en retning fra den nye regjeringa, at en ønsker å samarbeide på tvers av departementene og ulike statsråder. Det er også et viktig felt her. Til slutt ønsker jeg å påpeke konfliktrådenes økonomi. Jeg har fått lov til å besøke noen konfliktråd, og tilbakemeldingene er at de opplever at de har en presset økonomi. Når en nå forhåpentligvis også får til et bedre arbeid overfor enda flere ungdommer, vet en at for de som følger opp ungdommene, er det en 24/7-tilværelse, og en må være til stede når ungdommene trenger det. Derfor pekes det på at det å få flere ungdomskoordinatorer og bedre økonomi er en viktig jobb for Stortinget, og jeg utfordrer justisministeren videre på det.

arbeid. Så har jeg lyst til å si litt om viktigheten av denne saken. Det er viktig at konflikter løses raskt på lavest mulig nivå. En gjenopprettende prosess i konfliktrådet, der de direkte berørte i konflikten og lokalsamfunnet for øvrig involveres, kan både ha en konfliktdempende og en kriminalitetsforebyggende effekt. Jeg er veldig tilfreds med at det er en enstemmig komité som står bak denne innstillingen i dag. Jeg tror det er viktig, akkurat som komiteen også understreker, med gjenopprettende prosesser for å ivareta hensynet til fornærmede og pårørende på en god måte. Selv om ikke alle skader kan repareres, vil en gjenopprettende prosess gi fornærmede og pårørende en mulighet til å bli sett og hørt og til å komme seg videre i livet og ut av en eventuell offerrolle. Jeg tror det gjorde inntrykk på mange av oss da vi

holdningsendringer. Bakgrunnen for at vi har en aktiv kriminalpolitikk, er jo først og fremst at vi vil hindre at kriminalitet skjer, og skal man hindre det, er det å påvirke prosessene i gjerningsmenn som er dømt, etter at de er dømt, også ekstremt viktig for å endre holdninger for fremtiden. Derfor har regjeringen foreslått å øke bruken av konfliktråd i hele straffesakskjeden. Jeg har lyst til å dra noen linjer til ungdomsstraffen, som også representanten Ropstad var inne på. Ungdomsstraffen, som vil tre i kraft 1. juli i år, er et veldig viktig og riktig grep. Det er rettet mot relativt alvorlig og gjentakende kriminalitet begått av unge forbrytere. Utfordringen med ungdomsstraffen har vært at nivået for å bli idømt ungdomsstraff vil være høyt, mens vi nå med denne nye ungdomsreaksjonen reduserer nivået og gir et samlet tilbud til ungdom som gjør feil valg, så tidlig at de ikke må ha gjort de samme feilene mange, mange ganger og mer og mer alvorlig for å få den oppfølgingen som ungdomsstraffen, eller i dette tilfellet ungdomsreaksjonen, vil være. Man kommer altså tidligere inn. inn. Jeg har tidligere vært veldig opptatt av at vi skal stjele begrepet – det er kanskje dumt å si at man skal stjele begreper i en justispolitisk debatt – «tidlig innsats» fra kunnskapssektoren, for akkurat de samme hensynene med å komme tidlig inn gjør seg gjeldende også her.

som er nødvendig og nyttig. Jeg er veldig glad for at Stortinget samlet, uten vesentlig debatt – i hvert fall imot forslaget – støtter opp om det arbeidet som regjeringen har lagt ned i denne proposisjonen. Så var representanten Ropstad inne på samarbeid på tvers av departementene. Jeg mener det er en forutsetning at samarbeidet på tvers av departementene er godt – men ikke bare på departementsnivå. Her vil det jo i veldig stor grad være snakk om støtteapparat som ligger på andre nivå, men i porteføljen til de ulike departementene. Det å se på tvers, det å finne hvilke løsninger som er best for den enkelte, er veldig og jeg er som sagt glad for at vi nå har et samlet storting også bak denne endringen. For det var et samlet storting som igangsatte ungdomsstraffen, da etter forslag fra den forrige regjeringen, og det er nå et samlet storting som vedtar å gå enda noen skritt lenger i riktig retning. Som det er sagt, er det brei einigheit om denne saka, så

kan få brei tilslutning over tid, nemleg det at ein skal bruka gjenopprettande prosessar i det omfanget det lèt seg gjera å bruka dei prosessane. No lever me ikkje i Kardemomme by, men sett på spissen kan ein jo seia at det er ikkje alle saker som det er rimeleg eller naturleg å overlata til politimeister Bastian. Nokre gonger er det tante Sofie som er den rette personen til å ta tak i saka. Ein har undervurdert den disiplinerande effekten av dei sosiale sanksjonane ein treffer på i av dei sosiale sanksjonane ein treffer på i eit samfunn som tek ein konfrontasjon eller eit oppgjør – i møte med den som har vorte utsett for noko

med konsekvensane av ugjerninga si. Ungdomsoppfølginga er nemnd. Det vert jo sagt at «it takes a village to raise a child». Det er eit uttrykk som òg er relevant har. Eg vil understreka, i likheit med Kristeleg Folkeparti, viktigheita av at sivilsamfunnet og lokalsamfunnet er involverte når dei sosiale sanksjonane trer i kraft. Førebygging vart trekt fram av statsråden som sentralt i den samanhengen. Det er eg heilt einig med statsråden i. I så måte framstår det som eit paradoks at det har vorte signalisert kutt i økonomien til kommunane. Den økonomien må vera sterk for at ein skal kunna førebyggja kriminalitet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Ingen har bedt om ordet til

Kraften var uimotståelig, og den kommunistiske illusjonen var sjanseløs mot befolkningens fredelige ønske om frihet. Det er svært sterk symbolikk i dette, og 25-årsjubileet er en markering av demokratiets seier over diktaturet. Denne interpellasjonen dreier seg om Øst-Tysklands spionasje mot Norge. I perioden 1969 til 1989 rapporterte mer enn 300 Stasi-agenter om norske forhold. I alt ble 1 920 rapporter sendt til det kommunistiske Øst-Tyskland, en fiendtlig stat. 85 pst. av rapportene gjaldt politiske forhold, forsvar og etterretningstjenesten i Norge. Denne usynlige invasjonen av landet pågikk helt til murens fall i 1989. Forskere ved Stasi-arkivet i Berlin mener at over 30 av agentene var norske borgere. Ingen er dømt i Norge. Har dette relevans i dag, spør kanskje noen. Absolutt – og det i svært stor grad, fordi dette er en del av vår nyere historie som for det meste er uutforsket. Den kalde krigen har formet landet vårt både politisk og kulturelt. Vi må systematisere og dokumentere lærdommene fra denne perioden. Hva fikk flere titalls nordmenn til å spionere for et autoritært samfunnssystem og en fiendtlig stat, mens de selv kunne nyte godt av friheten i et demokrati og en rettsstat? Var det slik at så lenge man var overbevist om at den radikale sosialismen representerte det objektivt gode, kunne det aksepteres noen ofre? Undertrykkelsen ble jo gjort i den rette doktrinens navn, må vite. Så man ikke framveksten av organisasjoner som Stasi som alarmerende? Da Øst-Tyskland kollapset i 1989, er det estimert at Stasi hadde 91 000 ansatte og 189 000 uoffisielle medarbeidere – agenter. Stasi regnes som en av etterretningshistoriens mest effektive organisasjoner på sitt felt og den østtyske befolkningen som den mest overvåkede befolkning noensinne. Førstegangsvelgerne ved stortingsvalget i 2009 var de første som er født etter murens fall. De har dermed ingen egne referansepunkter til den kalde krigen. En undersøkelse blant svenske ungdommer nylig viser at 22 pst. anser kommunismen som en demokratisk samfunnsform. I den samme undersøkelsen svarer 95 pst. at de kjenner til Auschwitz, men 90 pst. kjenner ikke til Gulag. Det kan tyde på at det er store hull i den oppvoksende generasjons basiskunnskap om vår nyere historie. Dette forsterkes av at temaet har liten oppmerksomhet i Med noen hederlige unntak er det svært få norske journalister og forskere som har engasjert seg på dette området. I forrige uke la regjeringen fram sin handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, et offensivt og Det er interessant å lese at mange av de psykologiske og samfunnsmessige faktorene som driver personer inn i en radikaliseringsprosess, nå er de samme som før, uavhengig av politiske, ideologiske eller religiøse drivkrefter. Det er derfor en viss sammenheng mellom den kalde krigens spioner for kommunismen og Svermeriet for det autoritære er altså ikke noe nytt, men skal vi hindre at svermeriet blir til aktiv handling, må vi forstå mer om motivasjonen for radikalisering. Vi har altså en viktig kilde for denne forståelsen i vår Jeg mener vi har en dyp forpliktelse til å søke den kunnskapen, sannheten og erfaringen som har formet landet vårt, også om den kan være ubehagelig eller vanskelig tilgjengelig, og særlig når dette kan gi bidrag til en bedre forståelse av hvordan vi skal møte de drivkreftene som truer våre verdier og vårt samfunn.

Arkivet utgjør i dag 111 hyllekilometer med dokumenter samt millioner av foto, filmopptak, lydopptak og andre objekter. I tillegg har man funnet over 15 000 store sekker med makulerte dokumenter. Denne interpellasjonen dreier seg om at norske myndigheter skaffer seg de nødvendige nøkler for å kunne søke målrettet i dette enorme arkivet. Slike nøkler finnes nemlig i det såkalte Rosenholz-kartoteket, som CIA under uklare omstendigheter fikk hånd om i løpet av Øst-Tysklands sammenbrudd i 1990. Dette er en samling med mikrofilmede kartotekkort med opplysninger om i Stasis øyne interessante personer og om reelle Stasi-spioner. Kartoteket inneholder tre typer kort: som er en bruttoliste med interessante personer for Stasi, det er de såkalte F-22-kortene med aktive agenter, og det er de såkalte statistikkortene, som inneholder kodenavn, agentkategori, dato for verving, motiv for verving, osv. Disse kortene utgjør en helhet, og en eventuell overlevering til norske myndigheter må inkludere alle tre typene.

La meg også kort komme inn på det strafferettslige. Spionasje foreldes etter 25 år. Rosenholz-kartoteket ble i all hovedsak ajourført siste gang i begynnelsen av 1988. Det er mer enn 25 år siden, og det svekker trolig kartotekets verdi som kilde for straffeforfølgelse isolert sett. 9. november 1989 har antakelig liten relevans strafferettslig. Derimot er 31. mai 1990 viktig. Denne dagen ble kodeordet «Wittenberg» gjentatt tre ganger over Stasis radiosamband – så stillhet. Det betød øyeblikkelig avvikling av all utenlandsk etterretningsvirksomhet. Stasi var fra det øyeblikk historie. Seks dager tidligere hadde det samme skjedd med Øst-Tysklands militære etterretning. Det er på denne bakgrunn jeg stiller følgende spørsmål til justisministeren: Vil statsråden ta initiativ til å få utlevert fra amerikanske myndigheter alle registrerte opplysninger om norske borgere i

og utvikling. DDRs statssikkerhetstjeneste og utenlandsetterretning, Stasi, hadde en omfattende aktivitet både mot DDRs egne borgere og mot andre land – også Norge. Selv om deler av arkivet, som interpellanten var inne på, ble ødelagt i 1989/1990, er mesteparten fortsatt intakt, og den bevarte delen av arkivet utgjør 111 000 hyllemeter – eller 111 hyllekilometer, som interpellanten sa – med dokumenter, hvorav 39 millioner kartotekkort. Det eksisterer dessuten 1,8 millioner foto og titusenvis av film- og lydopptak. Arkivmaterialet som i dag finnes i Stasi-arkivet, representerer for forskere et viktig supplement til andre kilder som stammer fra vestlige land under den Det er ikke tvil om at det i dette materialet også finnes informasjon som kan kaste lyd over norske forhold. I Stasi var det avdeling HVA som var ansvarlig for utenlandsspionasjen. HVA førte kartotek over sine agenter og såkalte uformelle medarbeidere. Arkivene i Stasi var bygget opp slik at dokumenter, rapporter mv. refererer til kodenavn og registreringsnummer på disse. Uten tilgang til kartotekkortene, som bl.a. viser hvilke personer som skjuler seg bak de enkelte kodenavnene eller registreringsnumrene, er innholdet i materialet som finnes i Stasi-arkivene, vanskelig tilgjengelig. De originale kartotekkortene skal ha blitt ødelagt etter Berlinmurens fall. HVA skal imidlertid allerede i 1988 ha mikrofilmet kartotekkortene og lagret dem på Uten at man vet nærmere om omstendighetene, skal disse i 1992 ha befunnet seg hos den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. Det er dette materialet som benevnes – som også interpellanten veldig tydelig har sagt – som Rosenholz-filene. Etter det man kjenner til, er det tale om totalt 381 CD-ROM-er med totalt mer enn 300 000 filer. Rosenholz-filene omfatter tre typer kartotekkort: F-16, F-22 og statistikkort – som interpellanten selv gikk gjennom betydningen av. Det er altså avgjørende at en har tilgang til alle tre kartotekkortene for å få et komplett sett med nøkler til Stasi-arkivene. I forbindelse med sammenslåingen av de to tyske statene i 1990 ble det opprettet en sentral myndighet i Tyskland som skulle ta hånd om Amerikanske myndigheter har gitt enkelte andre land tilgang til Rosenholz-filer om landets egne borgere. Tyskland mottok selv kartotekkort om tyske borgere i 2003. Også Danmark og Sverige skal ha mottatt kartotekkort om sine borgere. Etter det jeg har forstått, har det vært som ledd i en strafferettslig etterforskning. Spørsmålet om å innhente Rosenholz-filer var også gjenstand for en interpellasjon i desember 2011 fra representanten Werp til daværende justisminister. Hun ga da uttrykk for positivitet til å avklare mulighetene for å få tilgang. Jeg har gjennomført noen undersøkelser i departementet og kan konstatere at det har skjedd lite etter den interpellasjonen, uten at jeg kan redegjøre nærmere for årsaken til det. Jeg mener det er både riktig og viktig at det nå rettes en henvendelse til amerikanske myndigheter for å få tilgang til de tre typene kartotekkort som interpellanten har redegjort for. I departementet er vi allerede i gang med forberedelsene til en slik henvendelse. Jeg mener også at man skal undersøke mulighetene for å få tilgang til kartotekkort om andre personer som hadde tilknytning til Norge, f.eks. gjennom bosetting, i den tiden DDRs utenlandsetterretning var operativ. Dette begrunner jeg med at slike personer kan ha ervervet norsk statsborgerskap på et senere tidspunkt, f.eks. etter Berlinmurens fall. Når det gjelder dette, må jeg naturligvis understreke at det er knyttet stor usikkerhet til hvordan amerikanske myndigheter vil stille seg til å gi tilgang til andre lands borgere med tilknytning til Norge. Det primære siktemålet med en henvendelse til amerikanske myndigheter vil være å sikre et viktig historisk materiale for forskere. Aktivitetene til Stasi er knyttet til DDR-staten, som brøt sammen i november 1989, altså for snart 25 år siden. Eventuelle straffbare handlinger vil, som også interpellanten var inne på, sannsynligvis være strafferettslig foreldet allerede, men vil uansett være det i løpet av et års tid. I denne sammenheng må jeg understreke at det uansett vil være påtalemyndigheten som vurderer en eventuell beslutning om etterforskning dersom det skulle komme for dagen opplysninger før foreldelsestiden som skulle aktualisere det. Man kan imidlertid ikke utelukke at det for noen personer vil kunne ha konsekvenser, f.eks. for sikkerhetsavklaring dersom vedkommende i dag sitter i en stilling hvor det er nødvendig. Jeg har informasjon om at vi rett i forkant av denne interpellasjonen faktisk allerede har iverksatt en del tiltak for å oppnå kontakt med de amerikanske myndighetene. Vi vet ikke hvordan de vil stille seg til en norsk henvendelse ennå, men basert på at flere andre land har fått tilgang, er jeg optimistisk til tilbakemeldingen som vi etter hvert vil få fra amerikanske myndigheter. Vi vet imidlertid ikke om det vil bli stilt vilkår for hvordan et slikt materiale skal forvaltes på norsk side. Uansett vil den videre forvaltningen måtte avklares nærmere i den kommende prosessen. Jeg vil takke interpellanten Werp for hans store engasjement over lang tid i saken, og dernest vil jeg også understreke at vi vil rette denne henvendelsen til amerikanske myndigheter. Egentlig kunne da kortsvaret på denne interpellasjonen

vil jeg tro – vil bli lest med stor interesse også langt utenfor dette landets grenser. Temaet engasjerer mange, men oppfølgingen fra myndigheter i Norge og i andre land har inntil nå vært savnet. Jeg mener det er grunn til å håpe at statsrådens veivalg vil bli et eksempel til etterfølgelse, også i andre land. Resultatet av kontakten med amerikanske myndigheter gjenstår naturligvis å se, men for min egen del legger jeg til grunn som en selvfølge at henvendelsen blir vurdert ut fra en positiv vinkling fra våre amerikanske venner. Vi har i mange årtier vært en av USAs aller nærmeste og mest lojale allierte. I kraft av vår strategiske beliggenhet, naturressurser, sikkerhetspolitiske interesser og dype historiske bånd har samarbeidet mellom Norge og USA vært basert på felles interesser og felles nytte.

Kun på denne måten kan vi få bidrag til kunnskap og sannhet om vår egen nære historie. Jeg vil også minne om Gotland-manifestet fra september 2011, hvor framtredende internasjonale forskere henstilte til nordiske myndigheter om å stille sitt respektive Rosenholz-materiale til disposisjon for Stasi-arkivet i Tyskland. Det er her Rosenholz-kartoteket kom fra, det er her kartoteket hører hjemme. Siden 1991 har Stasi-arkivet håndtert 7 millioner henvendelser om utlevering av opplysninger, herav 27 000 henvendelser fra forskere og presse. Det er altså etablert et solid rammeverk som ivaretar både personvern, rettssikkerhet og offentlighet ved Stasi-arkivet i Berlin. Hvordan tenker statsråden seg tilgjengeliggjøringen av dersom vi får det fra amerikanske myndigheter? Jeg er

så mitt utgangspunkt vil være at vi i størst mulig grad skal kunne alminneliggjøre innsikt og kunnskap rundt disse forholdene. Men der er det et stort forbehold, rett og slett fordi vi ikke vet om amerikanerne ved eventuelt å utlevere disse opplysningene også vil stille vilkår for bruken av dem. Derfor må jeg si at det neste steget på mange måter er å få svar fra amerikanske myndigheter på hvordan de vil stille seg til vår henvendelse, og om det der også vil ligge føringer på hva slags type bruk en kan legge til grunn for den eventuelle utleveringen. Jeg er av den generelle oppfatning i den typen spørsmål at jo mer vi vet, jo mer vi kan og jo mer vi kan undersøke, jo bedre vil det være, også for forståelsen av vår relativt nære historie.

Men den kunnskapen er faktisk mulig å få tak i hvis man graver dypt nok. I så måte er statsrådens svar meget oppløftende. Stasi var ikke bare en politietat, det var et departement i en diktaturstat. All opposisjon mot DDR-staten ble framstilt som fiendskap mot folket. Det egentlige folket fikk aldri sagt sin mening i valg. Ordet «folk» var reservert en masse forskjellige funksjoner i myndighetsapparatet. Det alvorlige er at det aldri ble tatt et skikkelig rettslig oppgjør med DDR-staten. I så måte er disse opplysningene meget interessante å få på banen. Når det ikke ble tatt et skikkelig rettslig oppgjør, er det også opplysninger som verdenssamfunnet ikke har fått om forhold innad i DDR. Hva de 30 norske gjorde for DDR, er det Hva de 30 norske gjorde for DDR, er det vanskelig å vite. Kanskje vi får svaret. Men det vi vet, er at spioner som jobbet for DDR, i sin tid påførte statsledere enorme konsekvenser. Jeg minner om Günter Guillaume, som spionerte i Vest-Tyskland, noe som medførte at Willy Brandt måtte gå Hva som hadde skjedd i vårt land hvis disse 30 hadde blitt avslørt i sin tid, kan man bare spekulere på. Dessuten er det svært viktig, som både interpellanten og statsråden har vært inne på, å få kartlagt hva som motiverer mennesker til å gå i ledtog med totalitære regimer. Det skjedde før DDR-regimet, og det har skjedd etterpå, og det er en høyst interessant kunnskap også i

trygg på at dette nå får en framdrift som gjør at vi både kan få mer kunnskap om vår nære historie og få mer kunnskap om radikaliseringsprosesser – som er viktig å forstå den dag i dag. Jeg takker nok en gang statsråden for svaret.

Det er hans engasjement som har gjort meg veldig oppmerksom på problemstillingen, og det er denne interpellasjonen som bidrar til at regjeringen nå handler konkret for å ta kontakt med amerikanske myndigheter med sikte på å få utlevert Rosenholz-filene. Jeg synes det viser at interpellasjoner kan brukes for å oppnå politisk viktige ting, men jeg synes også det viser viktigheten av å illustrere engasjementet fra stortingsrepresentanters side, og den konsekvensen det kan ha for helt konkrete spørsmål av stor historisk verdi og betydning. Så jeg takker representanten Werp for at han har takket meg for et positivt svar, men jeg vil også takke representanten Werp for å ha satt denne saken på dagsordenen på nytt. nytt. Jeg vil presisere at han gjorde et godt forsøk også i 2011, uten at gjennomslaget da var like sterkt, men det viser at det nytter. Jeg er også veldig glad for at ingen i salen i alle fall har tatt til orde for det motsatte, altså at man ikke skal foreta seg noe for å få tak i Rosenholz-filene, og det tar vi med oss i vår videre oppfølging.

Ulovlig innførsel og ulovlig utførsel av avfall er et betydelig miljøproblem i mange land, og dette er alvorlig kriminalitet som må bekjempes. De vanligste typene avfall som sendes ut, er elektronisk avfall, kasserte kjøretøy, bildeler og kasserte batterier – avfall som kan inneholde farlige stoffer, og som kan skade natur og mennesker om det ikke behandles på den rette måten. Det kan være mulig å tjene penger på avfall, derfor har det vært en utvikling i retning av transport også ut av Norge. Komiteen er tilfreds med at forslag til endringer som er kommet fram under høringer, også er tatt med i proposisjonen. Det er, som sagt, en samlet komité som slutter seg til dette, og derfor ser jeg ingen grunn til å gjøre debatten lengre. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

I Norge har vi anslagsvis ca. 2 000 omskjæringer av nyfødte gutter per år, og hele lovens hensikt er å sikre at dette skjer på en forsvarlig og god måte. Som saksordfører vil jeg også takke hele komiteen for måten denne saken har blitt behandlet på i komiteen. Det er vist stor respekt for at dette betyr mye for noen, og for komiteen har det vært viktig å få loven på plass slik at vi sikrer at disse inngrepene utføreres i trygge rammer – enten med lege til stede, eller at lege

Samtidig har det vært viktig for Kristelig Folkeparti som parti å vise at denne egenbetalingen ikke bør bli så høy at folk velger å la være å bruke tjenesten, og velger å bruke andre måter å få gjort inngrepet på som verken er godt for pasienten eller er jeg glad for at jeg på vegne av komiteen kan fremme et samlet komitéforslag, hvor vi sammen følger forslaget i proposisjonen.

For Arbeiderpartiet er det etisk og politisk krevende å regulere omskjæring av gutter. Det er et irreversibelt inngrep. Det er krevende fordi man i politiske fora og i mektige saler ikke kan vedta hva folk skal tro på, eller hvilke skikker man skal følge, selv om man har en annen overbevisning. I et moderne Norge klarer jeg ikke å se for meg at omskjæring ville ha blitt innført i 2014, men faktum er noe annet. Dette er ikke en diskusjon om å innføre noe nytt eller ikke. Omskjæring er en tradisjon som man kan dokumentere at strekker seg 5 000 år tilbake i tid, og som er sterkt tilknyttet religion og tro. Debatt om en aldersgrense er en reell debatt, sett fra et perspektiv som strekker seg fra Nordkapp til Lindesnes, eller innenfor Skandinavias breddegrader. Debatten tar utgangspunkt i prinsippet om at man ikke skal behandle friske barn – et prinsipp det er lett å nikke til. Flertallet av menneskene som lever innenfor disse breddegradene, er ikke berørt av tradisjonene eller av denne troen og synes det kan være vanskelig å forstå dilemmaene foreldrene står i. Nå skal vi handle. Med vitende om dilemmaene menneskene står i, og de verdiene vi hver dag bærer med oss, skal vi hjemle noen prinsipper fast i lovs form. Hvert år blir ca. 2 000 norske barn omskåret. Skulle vi innført en aldersgrense, ville det vært et reelt forbud, et forbud som vi vet ville ha ført til flere utenlandsreiser – med et diskutabelt formål – og økende privat praksis.

Skal man klare å oppnå et redusert antall omskjæringer, må man samarbeide, respektere ulikheter og finne løsninger vi sammen kan jobbe for. I FNs barnekonvensjon artikkel 19 forutsettes det at barn skal beskyttes mot alle former for fysisk eller psykisk vold og overgrep. Når vi kjenner til tilstanden og hvordan dette fungerer i dag, så mener disse partiene at det ville vært uansvarlig ikke å regulere rituell omskjæring. Dette er en sak som har blitt lagt i skuffen og skjøvet til side altfor lenge. Som jeg sa tidligere i innlegget mitt, så er nå tiden vi skal handle. En regulering der vi tydelig sier fra om at målet om å få ned antall Arbeiderpartiet har også sagt at vi ønsker at egenandelen skal være høy fordi dette ikke er et prioritert inngrep, men ikke så høy at vi skyver noen vekk. Dette er en vanskelig balanse, og heldigvis har vi med oss departementet i den avgjørelsen. Målet er at flest mulig barn skal skal bli behandlet på en tryggest mulig måte og innenfor helsevesenets rammer. Vi vet at inngrep på barn skjer, vi vet at det omskjæres, og vi vet at det foregår utenlandsreiser med omskjæring som formål. Da er spørsmålet vi må stille oss, om vi kun skal være prinsipielle og sette en aldersgrense, eller om vi skal være

Spørsmålet om en egen lov om rituell omskjæring av gutter har vært en særdeles vanskelig og krevende sak helt fra den ble sendt på høring fra den rød-grønne regjeringen i april 2011. Tanken om rituell omskjæring rører ved noe av det innerste i mange av oss. Det gir oss etiske og moralske utfordringer omkring hva som er riktig og galt når det kommer til om man skal la nyfødte og friske guttebarn omskjæres av religiøse årsaker. Veien frem til den brede enighet som finnes i helse- og omsorgskomiteen, har vært lang. Det samme har rundene i flere av partigruppene. Når vi sammen har konkludert med at det er riktig å tilby omskjæring av gutter i spesialisthelsetjenesten, er det først og fremst hensynet til barna som har vært avgjørende. Mange har på netthinnen bilder fra tv-reportasjer som viser omskjæring av barn på et kjøkkenbord, uten smertelindring og utført av noen uten nødvendig helsekyndig kompetanse.

Det er betryggende at rituell omskjæring som utføres av andre personer enn det som følger av loven, vil være forbudt og vil kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil to år. Nybakte foreldre som ønsker sitt barn omskåret, må grundig orienteres om risikoen for komplikasjoner som faktisk er knyttet til inngrepet. De må også orienteres om straffeforfølgelsen som vil finne sted, dersom de velger å la slik omskjæring skje utenfor spesialisthelsetjenesten eller godkjente privatklinikker. Det er viktig å understreke at omskjæring er sterkt religiøst forbundet, og at det er et vanlig inngrep i store deler av verden. Det er spesielt jøder og muslimer som omskjæres, men det er også vanlig blant koptiske kristne, amerikanere og koreanere. Verdens helseorganisasjon anslår at 30 pst. av alle menn i alderen 15 år og eldre er omskåret.

En samlet komité står fornuftig nok bak forslaget om at egenbetalingen for inngrepet ikke skal inngå i frikortordningen, siden rituell omskjæring ikke er en del av den ordinære helsetjenesten. Det er flere som har tatt til orde for at omskjæring av guttebarn bør forbys – på samme måte som langt mer alvorlig og grotesk kjønnslemlestelse av unge jenter. Inngrepene kan virkelig ikke sammenlignes. Den urett og bestialitet som særlig mange muslimske pikebarn utsettes for, er så dyptgripende alvorlig og rystende at det knapt er mulig å fatte. Sammenlignet med dette er omskjæring av guttebarn for et lite inngrep å regne. Regjeringen konkluderer med at internasjonale konvensjoner ikke medfører at dette må forbys, ei heller at konvensjonene er til hinder for at det ved lov vedtas begrensninger med hensyn til hvem som kan utføre dette. Ergo vil rituell omskjæring som utføres i strid med loven, kunne straffes, som jeg også nevnte tidligere. Avslutningsvis: Maksimal trygghet ved bruk av tilfredsstillende smertelindring og kyndig helsepersonell for små guttebarn som omskjæres, er det som ligger bak Fremskrittspartiets støtte til dette

og de fleste rituelle omskjæringer skjer utenfor helsetjenesten. Vi vet derfor ikke i dag om dette inngrepet blir utført uforsvarlig eller med den nødvendige smertelindring. I Norge i dag finnes det heller ikke noen lov som regulerer rituell omskjæring av gutter. Det finnes heller ikke noe eksplisitt forbud mot at omskjæring kan utføres av andre enn helsepersonell. Vi ønsker derfor denne loven velkommen. Det er derimot flere lover som berører ulike sider av rituell omskjæring. Hos jøder, muslimer, koptiske kristne, amerikanere og koreanere, som tidligere har blitt nevnt fra talerstolen, er omskjæring av guttebarn vanlig. Begrunnelsene varierer fra religiøse årsaker, til kulturelle årsaker og til helsemessige årsaker. helsemessige årsaker. Når det gjelder helsemessige årsaker, er det delte meninger i fagmiljøet om hvorvidt det har en helsemessig gevinst, og om f.eks. antallet tilfeller av livmorhalskreft hos kvinner er lavere dersom man er i et forhold med omskårne menn. Men hensikten med lovforslaget er å foreslå rettslige rammer som skal sikre at rituell omskjæring utføres på en Den foreslåtte reguleringen vil skape klarhet i ansvarsforhold, samtykkeregler og kompetansekrav samt at den sikrer adekvat smertelindring og oppfølging etter inngrepet. Lovreguleringen vil også sikre at inngrepet blir utført av en kompetent person, på en forsvarlig måte. måte. Det er behov for å skape sikkerhet rundt inngrepet – ikke minst for å beskytte barna. Dette er særlig viktig når det gjelder de omskjæringene som i dag skjer utenfor helse- og omsorgstjenesten og utenfor spesialisthelsetjenesten. Forslaget om ny lov om rituell omskjæring av gutter innebærer en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker å få utført en rituell omskjæring, får det på en forsvarlig måte. Lovens hovedregel er at rituell omskjæring skal utføres av lege, men det åpnes også for at rituell omskjæring kan utføres av andre dersom en lege er til stede og står ansvarlig for inngrepet. I tillegg til forslaget foreslås det også endringer. De endringene er at det skal kreves egenbetaling for inngrepet når inngrepet skjer ved sykehusinnleggelse og utføres poliklinisk. Egenbetaling og nivået på egenbetalingen er diskutert, og det er mange meninger om dette. Noen var uenige i at inngrepet skulle gjøres uten noen form for egenbetaling, andre mener at det bør være full egenbetaling, mens andre igjen mener at inngrepet kan gjøres av det offentlige, mot en lavere egenbetaling. Det er enighet i komiteen om at det innføres egenbetaling dersom inngrepet skal gjøres innenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Komiteens flertall støtter innføring av egenbetaling for å få utført rituell omskjæring. Dette er også for å markere at dette ikke er en del av det ordinære helsetilbudet. Egenandelen kan derfor være større enn ved andre helsetilbud. Jeg mener at full kostnadsdekning vil bli så dyrt at intensjonen bak forslaget står i fare for å bli svekket, nemlig at vi ønsker å hindre en uforsvarlig Derfor er det nødvendig at man sørger for at tilbudet kan gis i alle helseregioner, nettopp for å sikre at man ikke får ulovlige alternativer. Det er

ein lege er til stades og står ansvarleg for inngrepet. Eg synest det er positivt at ein etter høyringa har gjort denne endringa.I lova vert ein òg pålagd å sikra nødvendig smertelindring før, under og etter inngrepet. Det blir òg understreka i regjeringas forslag. Grunnen til at vi har fått dette lovforslaget til behandling i dag, er jo at praksisen ute i helseføretaka er at ein ikkje lenger tilbyr dette fordi det ikkje er innanfor sørgje-for-ansvaret. Då vert dette tilbodet prioritert vekk. Eg legg stor vekt på at inngrepet er sterkt religiøst forankra. Det er eit vanleg inngrep i store delar av verda, noko eg meiner vi må akseptera i Noreg, men vi må krevja at det skjer på ein forsvarleg måte. Gjennom internasjonale studiar og systematiske oversikter er det vist at omskjering av gutar er eit trygt inngrep så framt inngrepet vert gjennomført av kompetent helsepersonell. Lovforslaget gjer greie for at inngrepet ikkje vert vurdert å vera i strid med internasjonale konvensjonar, særleg FNs barnekonvensjon og Den Eg synest det er positivt at lovforslaget inneber ein eigen straffeføresegn i lovforslagets § 9, slik at «den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene i loven, kan straffes». Det er bra at det vert presisert at det òg er ei auka strafferamme dersom inngrepet vert utført på ein annan måte enn det som loven tillèt, og då med ei strafferamme med bøter eller fengsel i inntil to år.

komiteen om eigenbetaling, og eg merker meg at i regjeringa har ein nok ikkje vore einige om dette, sidan dei ikkje kjem med eit samla råd, men overlèt til Stortinget å verta einige om kva nivået på eigenbetalinga skal vera. Eg støttar at det skal vera ei eigenbetaling. Det har vore ei vanskeleg vurdering å finna ut kva nivået på eigenbetalinga skal

I denne saka har det vore ein debatt i Senterpartiets stortingsgruppe. Vi har ikkje programfesta eit partistandpunkt i denne saka. Det har heller ikkje vore oppe i partiorgan slik som sentralstyret eller landsmøtet, men vi har hatt eit

Dette spørsmålet har, som flere andre partier har vist til, skapt et stort engasjement. Vi har debattert det i landsmøtene de siste årene. Det har vært hensynet til barna. Det har vært hensynet til religion og tradisjon, og det handler også om prioriteringer i helsevesenet. Det setter partiene på prøve og er således en viktig debatt i vårt flerkulturelle samfunn.

i en eller annen form, sier vi at det bør skje etter en egenbetaling som minst er på 50 pst. Vi oppfordrer regjeringen til å finne en pris som er akseptabel.

og fordi vi på den andre siden, i vårt stadig mer mangfoldige samfunn, også legger stor vekt på den respekt som flertallet og storsamfunnet må vise for ulike minoriteter, ikke minst de ulike livssynsminoritetene som vi har. Det prinsipielle utgangspunktet for det dilemmaet er likevel veldig klart fra SVs side. Det er at vi aldri kan akseptere at religion brukes som begrunnelse til å påføre barn unødvendig smerte og risiko. Når vi stemmer for regjeringens forslag i dag, er det fordi regjeringen har vært så tydelig på – og jeg deler de vurderingene at det lovforslaget som her foreligger, ikke strider mot de forpliktelsene vi har gjennom Barnekonvensjonen, og at det faktiske resultatet av det vedtaket vi gjør i dag, kommer til å være en mer forsvarlig, tryggere og mindre smertefull behandling av de guttebarna det gjelder. For situasjonen i dag er jo ikke at vi står overfor et valg om vi skal innføre rituell omskjæring i Norge eller Vi står overfor et valg som handler om hvordan vi skal håndtere den rituelle omskjæringen som foregår i vårt land. Skal det skje innenfor trygge rammer i det offentlige helsevesenet, eller skal det, som i dag, foregå utenfor offentlig kontroll og dermed med større risiko for smerte og komplikasjoner for guttebarn? Stortinget må ha en konsekvensetisk tilnærming til et sånt spørsmål. Da mener vi fra SVs side at trygge forhold, tilstedeværelse av lege og smertelindring er et klart steg fram fra det som er dagens situasjon. Jeg mener at det forslaget som vil bli framsatt her senere om en aldersgrense, nettopp stryker på den testen som handler om konsekvensetikken i dette. Den faktiske konsekvensen av aldersgrense eller forbud, vil sannsynligvis være at flere guttebarn omskjæres under uakseptable forhold. Vi er i den situasjon at ingen land i verden har noe forbud mot rituell omskjæring av gutter. Vi bør ikke innføre et slikt forbud i Norge heller, men det er viktig å understreke at det Stortingets klare flertall slutter seg til i dag, er ingen anbefaling om rituell omskjæring. Det er en erkjennelse av at det er et religiøst ritual som står sterkt i noen religioner som også er representert i Norge, og et forsøk på å sørge for at vi får en så trygg og forsvarlig behandling av alle norske barn som mulig. Derfor mener jeg at det regjeringen har kommet fram til, er et forslag som på best mulig måte i dagens situasjon kombinerer det som er mest forsvarlig for barna, og som samtidig

Det ene var at de ba om en følgeevaluering av den lovendringen som nå skjer. Det er enighet i komiteen om at vi vil be om dette. Det andre var betydningen av informasjon til foreldre om den faktiske risikoen som finnes ved dette inngrepet. Jeg vil bare understreke overfor helseministeren – dette er komiteen enig om – betydningen av at den informasjonen gis og er god. Jeg mener det er en oppgave for helseministeren å påse at det følges opp. Når det gjelder egenandelen, mener SV det er rimelig at det er en egenandel for inngrep som ikke er medisinsk nødvendige. Vi synes nok likevel at det var litt lettvint av regjeringen å overlate den vurderingen til Stortinget, så vi ønsker at regjeringen kommer tilbake med en vurdering av det. Det må kombinere hensynet til at egenbetalingen bør være så høy som mulig, gitt at dette inngrepet ikke er medisinsk nødvendig, men på den andre siden ikke virke mot ordningens hensikt, som er at den rituelle omskjæringen av barna skal foregå på en tryggest mulig måte. Så vi ber regjeringen om å komme tilbake med forslag som ivaretar og finner det rette balansepunktet. Jeg vil takke saksordføreren og resten av komiteen for godt samarbeid om denne saken. Rituell omskjæring av gutter er

Så vidt jeg vet er det ikke innført forbud mot rituell omskjæring i noe land. I Norge omskjæres om lag 2 000 muslimske og jødiske gutter hvert år. Jeg forstår at mange synes rituell omskjæring av gutter er problematisk. Som det er redegjort for i proposisjonen, og som det også framgår av komiteens innstilling, reiser spørsmål om rituell omskjæring en rekke vanskelige juridisk, etisk, økonomisk og prioriteringsmessig art. Jeg mener likevel hensynet til guttene må være det avgjørende argumentet for å regulere dette inngrepet. Som følge av at sykehusene for noen år siden sluttet å tilby inngrepet, vet vi ikke lenger hvor eller hvordan dette inngrepet utføres, eller om det utføres av kompetent personell. Slik jeg vurderer det, er det derfor nødvendig å gjøre noe med dagens situasjon. Det er i alles interesse at rituell omskjæring utføres slik at guttene ikke blir utsatt for smerte eller risiko for skade. Jeg er derfor glad for at helse- og omsorgskomiteen har sluttet seg til forslaget i proposisjonen. Lovforslaget innebærer at rituell omskjæring som hovedregel skal utføres av lege. Det åpnes også for at andre personer kan utføre inngrepet, men bare dersom lege er til stede og står ansvarlig for inngrepet, og at dette skjer i henhold til loven. Det er enighet i fagmiljøene om at rituell omskjæring som blir utført på en forsvarlig måte av kompetent personell, medfører liten medisinsk fare for gutten. I tillegg til at lovforslaget regulerer hvem som skal kunne utføre inngrepet, vil også de regionale helseforetakene få en plikt til å organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det, kan få utført rituell omskjæring av gutter på en forsvarlig måte. Dette vil sikre at et forsvarlig tilbud er tilgjengelig. Slik jeg vurderer det, vil komiteens forslag tydeliggjøre hvem som kan utføre inngrepet, skape klarhet i ansvarsforholdet, gi nødvendige regler om samtykke og informasjon, sikre tilstrekkelig smertelindring og sikre oppfølging etter inngrepet.

om at det bør innføres en egenbetaling for å få dette inngrepet utført. Når det gjelder størrelsen på egenbetalingen, merker jeg meg at det er ulike synspunkter i komiteen. I tråd med det som framgår av lovproposisjonen, vil jeg komme tilbake til endelig fastsettelse av egenbetalingen i forbindelse med det ordinære budsjettarbeidet. Da vil jeg selvfølgelig legge vekt på de vurderingene og synspunktene komiteen har gitt uttrykk for.

Det har stor betydning for de menneskene dette gjelder. Det er en måte for Stortinget å gi uttrykk for at Norge er et land som ønsker alle velkomne og tar hensyn til ulikheter. Innstillingen og debatten her i Stortinget viser at man har den samme respekten. Jeg mener at en del av debatten

Så spørsmålet er: Mener helseministeren at det er et mål å få ned antallet omskjæringer på gutter under 16 år i Norge? Det som er viktig, er at foreldrene får god informasjon om den risikoen som et slikt inngrep, som alle medisinske inngrep, innebærer, i forkant av at de tar denne beslutningen. Det vil vi oppnå ved at dette blir et tilbud i regi av den offentlige helsetjenesten, der vi har muligheten til å regulere den slags informasjon. Det er allerede en del av vår helselovgivning. Slik sett vil man også få bedre informasjon om det samtykket. Men jeg vil ikke sette meg til doms over de vurderinger som foreldrene gjør selv. Helseministeren har ved fleire høve argumentert for kvifor det er

Helseministeren tykkjer tydelegvis det er problematisk om Noreg er først ute med å setje rettsvernet til ungane framfor religionsfridomen til foreldra. Eg vil be om at helseministeren utfører eit tankeeksperiment – og eg går ut frå at han klarar å sjå for seg dette og ikkje avviser det som hypotetisk. Eg vil han skal sjå for seg at det om fem år allereie har vorte innført ei nedre aldersgrense for ikkje medisinsk grunngjeven omskjering av som Frankrike, Tyskland og England samt i Sverige og USA. Meiner helseministeren at det ville ha vore like uaktuelt som no å innføre ei nedre aldersgrense i Noreg i så fall? Jeg mener – og det mener jeg veldig prinsipielt – at vi selvfølgelig alltid skal se til hva en gjør i andre land, men i denne typen spørsmål som er etisk vanskelige, medisinsk utfordrende og politisk vanskelige, må Norge gjøre sine selvstendige valg. Det gjør en også, mener jeg, veldig tydelig f.eks. når en diskuterer bioteknologispørsmål. Hvis en alltid setter grensene ut fra hvor andre land setter sine grenser, er det ikke spørsmål som i realiteten trenger å diskuteres i politiske og demokratiske organer, for det vil alltid være andre land som metoder enn vi gjør i Norge. Så jeg mener: Ja, det er viktig å se på hva andre land gjør, men det er også viktig å ta egne vurderinger. Da er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Temaet omskjering av små gutar har engasjert meg lenge, og eg har delteke i Ja, det er viktig å se på hva andre land gjør, men det er også viktig å ta egne vurderinger. Da er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Temaet omskjering av små gutar har engasjert meg lenge, og eg har delteke i tallause debattar om dette – mange av dei med Bent Høie, no som helseminister, og tidlegare som leiar av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Noko av det som plagar meg, er uviljen frå både helseministeren og mange andre mot å diskutere om det er prinsipielt utan at ungen har høve til verken å samtykke eller nekte. Små ungar kan ikkje beskytte seg sjølve mot fysiske overgrep, og nettopp derfor er det så viktig at vi som vaksne og som samfunn vernar dei mot truslar. Eg meiner klårt at det å bli utsett for omskjering er ein type overgrep, sjølv om eg ikkje trur at årsaka til at det blir utført, er å gjere skade. Når folk trur på ein religion og påbod om det eine og det andre, følgjer dei vel desse religiøse boda for å oppfylle viljen til ei høgare makt. Det er vel og bra så lenge det ikkje går utover nokon, så lenge ikkje andre må li som følgje av religiøse handlingar og ritual. Med omskjering har grensa for kva som er greitt når det gjeld konsekvensar av religiøse handlingar for andre menneske, vorte passert. I fleire andre land er det heldigvis mange som meiner det same, og det er stadig fleire som argumenterer og arbeider for at det blir sett ei nedre aldersgrense for ikkje-medisinsk grunngjeven omskjering av gutar. Eg meiner denne aldersgrensa må vere 18 år – same aldersgrensa som for å køyre bil, drikke alkohol og, for den del, ta brystforstørrande operasjonar. Dette er eit val som vil ha store konsekvensar for den enkelte, derfor fortener gutane å få velje sjølve når dei er myndige. Eit merkverdig argument mot ei aldersgrense for dette inngrepet er at ikkje noko anna land har innført det før. Eit før. Eit kvart framsteg har skjedd fordi nokon har gjort noko som ingen andre har gjort før. Det ligg i ordet. Ein tek eit skritt framover, og nokon må begynne. Noreg er eit føregangsland kva gjeld å setje rettane til ungar først, og det kan vi vere i denne saka òg. Då må vi ikkje legitimere inngrepet omskjering av småungar ved å gjere det til eit offentleg tilbod. Også i dei andre landa der temaet omskjering av gutar blir diskutert, blir det brukt som argument mot ei aldersgrense at noko slikt finst ikkje i andre land. Det at Noreg går framom, vil såleis kunne føre til at andre land raskt kjem etter. Dette er eg for min eigen del ikkje i tvil om. Eg tek med dette, på vegne av Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og meg sjølv, opp framlegget om å innføre ei nedre aldersgrense for ikkje medisinsk grunngjeven omskjering av gutar. Representanten Jenny Klinge har da tatt opp

Men et overgrep er fortsatt et overgrep, selv om det delvis blir finansiert av staten, og utført av staten. Det setter bare enda mer på spissen hvor ille det er at omskjæring av gutter er tillatt i Norge. Forslaget legitimerer dagens praksis med at foreldrene bestemmer over ungenes kropp og kan utsette unger for inngrep som ikke er Så er vi vel alle sammen enige om at det aller verste er når det foregår på kjøkkenbenken hjemme, uten bedøvelse og uten tilsyn fra helsepersonell. Jeg fremmer i dag, sammen med to andre stortingsrepresentanter fra Senterpartiet, et forslag om at det skal innføres en nedre aldersgrense for ikke medisinsk begrunnet omskjæring av gutter. Jeg skulle ønske flere kunne stå opp for rettighetene til ungene. Det er mange flere som har sagt at de mener det burde være en aldersgrense, men dessverre virker det som om det er vanskelig for de fleste å tone flagg i denne vanskelige saken. Noen vil ha det til å framstå som om dette hovedsakelig handler om religionsfrihet, og at en aldersgrense vil innebære at religionsfriheten blir Men da er det på sin plass å understreke at religionsfriheten ikke bare bør gjelde voksne. Religionsfrihet bør i aller høyeste grad også gjelde ungene. Her blir guttene påført en varig endring som vil følge dem hele livet, også hvis de velger å skifte religion på et senere tidspunkt. Små unger kan Det er derfor vi har endret loven når det gjelder fysisk avstraffelse av unger. Det er ikke mange tiårene siden det var lov å rise ungene sine her til lands. Det er naturligvis forbydd, fordi vi ikke vil at unger skal utsettes for et sånt overgrep. Det er et paradoks for meg at hvis jeg som forelder gir guttungen min en dask på rumpa, kan jeg bli straffet for det. Hvis en utfører et inngrep uten bedøvelse, kan en ikke bli straffet for det. Jeg vil selvsagt ta helt avstand fra all form for fysisk avstraffelse, men det er på tide at Norge innfører en nedre aldersgrense for dette inngrepet, og den bør være den samme som myndighetsalderen, som er 18 år. Dette er

en del på et velskapt guttebarn som er en del av skaperverket. Som flere har vært inne på, er det noe som ikke kan sammenlignes med kjønnslemlestelse av jenter. Jeg vil si at det å karakterisere dette som et overgrep, føler jeg vil være å ta for sterkt i, for så langt min kunnskap rekker, kan ikke det sies at det er noe som påfører disse guttene et varig problem. Det er et faktum at det er mange som ut fra sin religionsoverbevisning og sine tradisjoner utfører dette på små guttebarn mens de er nyfødte. Det å si at den religiøse tradisjonen ikke skal kunne brukes som et argument for å påføre barn smerte, er jeg for så vidt enig i, samtidig som det jo er et spørsmål om hvor liberalt samfunn vi skal ha. Når vi vet at det å innføre en aldersgrense er det samme som utelukke folk med en religiøs overbevisning fra å leve lovlig i Norge, står det for meg som så sterkt at det er noe jeg ikke kan støtte. At komiteen og statsråden legger opp til at en skal få dette inn i ordnede former, og at det dersom en ikke opptrer i ordnede former, skal være straffebestemmelse bak, synes jeg er et verdig kompromiss. kunne kanskje få høre statsrådens vurdering med hensyn til hvordan en skal påse at dette blir gjort på en ordentlig måte. Det står at det skal være straffbart å gjøre det dersom det ikke utføres av «leger eller med lege til stede». Jeg må bare si at måten dette er taklet på, synes jeg er bra. Kompromisset når det gjelder betaling, synes jeg er klokt. Jeg vil slutte opp om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

Loven som skal vedtas i dag, springer ut av et høringsforslag sendt ut av de rød-grønne like før valget, bygget på prinsippet «innenfor dagens ramme». Brukerorganisasjonene hadde mange innspill og krav om endringer og forbedringer som de mente måtte på plass. De samme organisasjonene har vært svært utålmodige etter at den nye regjeringen kom på plass og rettighetsfesting var en Siden både Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i mange år har ønsket en rettighetsfesting, er det ikke vanskelig å forstå at forventningene var høye. Mange ble da også glade da det viste seg at regjeringen hadde til hensikt å levere lovforslaget før sommeren. Dette ble også en utfordring for komiteen: organisasjonenes ønske om vedtak før sommeren satt opp mot komiteens behov for nok tid til å behandle lovforslaget på en god måte. Det er derfor viktig for meg å berømme komiteen for stor velvillighet med hensyn til å strekke seg langt for å rekke dette, selv om det betydde sene timer og mye mailutveksling, lesing og skriving – også i helger. Man må nesten være til stede i et komitémøte for å forstå hvor mye arbeid som ligger i merknadene og forslagene i en sak. Vi kan diskutere og spikke på enkeltsetninger og enkeltord – til og med på punktum Det er viktig at det vi er enige om, kommer tydelig fram, og at det vi skriver, blir oppfattet og forstått slik det var ment. I denne saken ble det litt hektisk den siste dagen – jeg tror jeg har komiteen med meg når jeg sier at det ble ikke helt perfekt. Vi skulle gjerne hatt litt bedre tid til å skrive oss sammen enkelte steder, istedenfor mange enkeltmerknader som mye sier det samme. Men vi er enige om det viktigste, nemlig at endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, herunder rett til brukerstyrt personlig assistanse, vedtas. I dag skal vi vedta å gi personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse rett til BPA, dvs. tjenester som omfatter praktisk bistand og opplæring, støttekontakt samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. I dag er det stor enighet om hvilket fantastisk verktøy BPA kan være. Slik har det ikke alltid vært. Enkelte kommuner har vært positive til BPA i mange år, andre igjen vet knapt hva dette innebærer. Mange tusen kan nå, ifølge beregninger, komme inn under denne rettigheten. For kommunene betyr det svært mange søknader, svært mange som skal ha opplæring, og svært mange som skal ansettes. Det er vårt inderlige ønske og håp at dette blir så bra som vi har drømt om. Så vil jeg kommentere særskilt regelen om beregning av timer til avlastning for hjemmeboende barn under 18 år. I utgangspunktet var avlastning ikke engang tiltenkt i ordningen, men ble lagt inn av Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. Samtidig er det viktig ikke å undergrave det å bli voksen, og at behovet for bistand skal vurderes ut fra det voksne barnets eget behov. Når timetall skal vurderes i et slikt perspektiv, vil støttekontakt være mer riktig, i tillegg til annen bistand som foreldrene tidligere har utført. 18-årsskillet er ment som en styrket rettighet, ikke en svekket. Jeg konstaterer at Arbeiderpartiet og SV i sine merknader skriver at de «etterlyser» når en eventuell utvidelse av rettigheten vil komme, og viser til at man lett kan «anta at dette kun er en utsettelse av ubestemte spørsmål på ubestemt tid». Det er mulig at SV og Arbeiderpartiet snakker av egen erfaring. For Fremskrittspartiet og Høyre er det viktig at vi nå følger nøye med på utviklingen, og at loven og ordningen blir evaluert med tanke på å se på i hvilken utstrekning forslaget imøtekommer brukernes behov. En følgeevaluering vil fange opp eventuelle svakheter eller Neste skritt blir å sørge for tydelige retningslinjer, slik at ordningen blir så lik som mulig i kommunene, og slik at ordningen blir slik som vi ønsker den: en ordning der brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvaret for organisering og innhold ut fra egne behov. Bruker kan innenfor timerammen styre hva assistenten skal gjøre når, og hvor. Arbeidslederrollen skal gi bruker mulighet til å være sjef i eget liv i egen hverdag. Gratulerer med dagen!

Å ha et arbeid, kunne ta utdanning, ha en meningsfylt fritid og være aktiv i samfunnet er viktig for å kunne bli nettopp det. En personlig assistent – som brukeren sjøl har ansvar for og styring med – gir mange med nedsatt funksjonsevne mulighet til å leve et aktivt og engasjert liv. Innenfor gitte rammer kan brukeren styre hva assistenten skal gjøre, og til hvilke tider assistansen skal gis. BPA fungerer slik at brukeren sjøl, eventuelt med støtte fra andre, organiserer og leder arbeidet til sine assistenter. Det er viktig å understreke at kommunene allerede i dag har en tydelig plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse. Det vi vedtar i dag, er en individuell rett til BPA for brukere som oppfyller definerte krav. Hvorvidt regjeringa har rammet inne BPA-ordninga på en god nok måte, er det ulike meninger om. Brukerorganisasjonene er måtelig fornøyd. Arbeiderpartiet mener retten til BPA kan være enda mer offensivt utformet, og vi har et forslag i innstillinga som tar til orde for det. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid de siste årene med å utarbeide en ordning med rettighetsfestet BPA. De rød-grønne partiene intensiverte dette arbeidet etter valget i 2005, og Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i 2011 at det skulle etableres en rett til BPA for brukere med et stort hjelpebehov, og at kostnadene skulle utredes og drøftes med KS, brukerorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene. Dette arbeidet lå til grunn for et forslag om rettighetsfesting lagt fram av Helse- og

kan det være greit med et lite tilbakeblikk. Jeg vil peke på at alle partier ved høve har erkjent at spørsmålet om rettighetsfesting av BPA reiser mange problemstillinger, både når det gjelder omfang, innretning, avgrensing og kostnader. Det har til tider gitt seg ulike uttrykk. Ved behandling av Meld. St. 40 for 2002–2003, Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, var Høyre og Kristelig Folkeparti særdeles skeptiske til rettighetsfesting av BPA og formulerte følgende: «Komiteen sine medlemer frå Høgre og Kristeleg Folkeparti meiner at å lovfeste retten til BPA reiser både prinsipielle og praktiske problem.» Her framholder de to partiene at ordninga vil gi store vridningseffekter, og at den bryter med prinsippet om at det er kommunen som skal velge hjelpeform. I forbindelse med behandlinga av Meld. St. 25 for 2005–2006, Mestring, muligheter og mening, gikk Fremskrittspartiet mot at det skulle være en øvre aldersgrense for ordninga, mens den nåværende borgerlige regjeringa – Fremskrittspartiet inkludert – nå mener at brukere over 67 år ikke skal ha rett til BPA. Det er med andre ord betimelig å minne om at alle partier, inkludert Arbeiderpartiet, i perioder tidvis har famlet etter å finne riktig innretning på ordninga med BPA. Jeg tenker at vi alle nå bør oppvise en smule ydmykhet, og sørge for at BPA-ordninga blir så god som mulig, til beste for brukerne. Arbeiderpartiet ser også BPA som et ledd i en mye breiere satsing, der vi som samfunn må ha langt sterkere og mer målretta innsats overfor enkeltmennesker og grupper som trenger ekstra støtte og hjelp fra fellesskapet.

Det er denne visjonen som er grunnplanken i regjeringens helse- og velferdspolitikk, og som også gjenspeiler seg i den viktige saken vi nå debatterer. Brukerstyrt personlig assistent, BPA, er en alternativ måte å organisere tjenester og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne, personer med stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Rettighetsfestingen av BPA skal bidra til å legge til rette for at disse, på lik linje med oss andre i samfunnet, skal kunne nå sine mål. En bruker av BPA har rollen som arbeidsleder, og påtar seg dermed ansvaret for organiseringen og innhold i tjenesten, ut fra egne behov. Arbeidslederrollen gir med andre ord brukerne nødvendig innflytelse over egen livssituasjon. For den enkelte bruker vil retten til BPA bety mer forutsigbarhet og et mer aktivt og uavhengig liv, til tross for sin funksjonsnedsettelse. Lovfestingen av BPA er ganske enkelt et «frigjøringsverktøy» som gir funksjonshemmede samme handlingsrom til livsutfoldelse som andre, og lovfestingen kommer – for å si det ganske så forsiktig – langt på overtid. Allerede i 2004 ba Stortinget regjeringen om å fremme lovforslag om rett til brukerstyrt personlig assistanse. Regjeringen Bondevik II fulgte opp dette i 2005 i statsbudsjettet for 2006, uten at regjeringen Stoltenberg II, de rød-grønne, fulgte dette opp videre. I etterkant ble det startet en lang kamp for å få på plass en rettighetsfesting av BPA. Denne kampen ble spesielt tatt og støttet av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti her i Stortinget, men det måtte et regjeringsskifte til for å få på plass dagens lovfesting. Nettopp av den grunn, og fordi det har tatt så lang tid, valgte regjeringen å ta utgangspunkt i modellen som har vært ute på høring. Dette var fordi forslaget skulle ha en mulighet til å bli behandlet av Stortinget før ferien. Det er derfor bra at det i proposisjonen slås fast at høringsforslaget ikke imøtekommer regjeringens ambisjoner i tilstrekkelig grad,

rettighetsfesting. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og med spesielt store hjelpebehov skal få lov til å nå sine mål i livene sine. Ordningen skal kunne gi mennesker en mer meningsfylt og aktiv hverdag hvor de kan få lov til å delta på lik linje med sånn som Mennesker med nedsatt funksjonsevne må, i likhet med alle oss andre, kunne få leve et mest mulig uavhengig liv. En brukerstyrt assistent vil hjelpe brukere og pårørende til å få et mest mulig normalt liv, og en brukerstyrt assistent skal kunne gjøre alle de oppgaver brukeren selv ikke er i stand til å gjøre på grunn av sin Det er viktig at ordningen blir evaluert for å kunne justere og for å kunne finne en form som gjør at den kommer brukerne til nytte. Kristelig Folkeparti er også opptatt av å kunne skolere de brukerne som selv skal ansette sine folk, til å bli gode arbeidsgivere og ta godt vare på sine ansatte. Det er en utfordring for Kristelig Folkeparti at ordningen slutter ved 67 år. år. Her må vi være villige underveis til å se videre på hvordan dette skal bli på sikt, for folk blir eldre, også de som har en funksjonsutfordring. Behandlingene er bedre, og mange opplever at de faktisk også ønsker å ha et aktivt liv etter at de er 67 år, og vil delta i samfunnet på lik linje med oss andre, som blir mer og mer aktive i en alder av 67 år. Livskvalitet og mestring må være hensikten med ordningen. Kristelig Folkeparti er derfor glad for at det blir en individuell rettighet, da personer med nedsatt funksjonsevne er like forskjellige som alle oss andre, og trenger å få tilrettelagt tjeneste som gjelder kun for dem. Det tror vi er en viktig del av det å få et verdig liv.

Senterpartiet har i merknader til saka streka under det særeigne med ordninga, nemleg at arbeidsleiarrolla gir brukaren innflytelse over eigen livssituasjon, slik at brukaren får eit aktivt og mest mogleg uavhengig liv trass i funksjonsnedsetjing. Brukarstyring er altså heilt grunnleggjande i denne måten å organisera tenestene på. Vi tar avstand frå ei utvikling av tenestene der denne brukarstyringa vert uthola, f.eks. ved at det vert oppretta stillingar som BPA-koordinator e.l. Eg meiner derfor at rett til BPA skal ein som regel gi til brukarar som sjølve kan vareta rolla som arbeidsleiar – med unntak av born under 18 år der foreldre eller føresette ønskjer og kan Senterpartiet er einig i at det må definerast og setjast ei ramme for kven rettane skal gjelda for, og vi er einige i at rettigheitsfesting kjem i tillegg til og ikkje i staden for kommunens plikt til å tilby brukarstyrt personleg assistanse i helse- og omsorgstenesteloven § 3-8. Kommunen skal framleis ha plikt til å vurdera om det er føremålstenleg å tilby BPA, også til brukarar som ikkje oppfyller vilkåra i Senterpartiet stør at rettigheitsfestinga skal gjelda dei med langvarig og stort behov for tenesta. Vi meiner at denne retten ikkje bør definerast ut frå ei eksakt timegrense fordi det er lite hensiktsmessig for å nå dei personane som har størst behov. Ei timegrense vil òg kunna gi uheldige tilpassingar som vil kunna verta styrande for vurdering av behov. Vi meiner, slik Helsedirektoratet òg har foreslått,

retten. Senterpartiet deler ikkje regjeringas syn på dette, og vi meiner at det ikkje skal vera noko unntak. Behovet for BPA om natta og ved behov for fleire tenesteytarar må i tilfelle vurderast ut frå den kommunale plikta til å tilby tenester der det er føremålstenleg. Senterpartiet har merka seg at eit stort tal av høyringsinstansane ikkje stør forslaget om å anna har Helsedirektoratet uttalt at dei ikkje ser at BPA-ordninga vert dyrare dersom ein person som allereie har BPA, held fram med å ha det også etter nådd aldersgrense. Det vert framheva også at BPA kan føra til at fleire kan bu lenger heime. Vi kjem derfor ikkje til å stø ei øvre absolutt aldersgrense, og meiner at dei personane som oppfylte vilkåra for ein rett til BPA før oppnådd må ha rett til vidareføring av ordninga om vilkåra elles er til stades. Senterpartiet er opptatt av at innføring av ein rett ikkje rokkar ved dagens ordning, slik at også dei som fell utanfor rettigheitsomgrepet, skal kunne få BPA dersom kommunane vurderer det som føremålstenleg. Dette må følgjeevalueringa spesielt sjå til og at utviklinga vert følgd nøye. Kontroll og tilsyn med ordninga er òg viktig for å sikra forsvarlege ordningar både for brukarar og assistentar. Det er viktig med ryddige kontraktsforhold mellom kommunar og eventuelle private leverandørar. Senterpartiet meiner derfor at det må stillast tydelege krav ved at norsk standard ved framskaffing av BPA vert lagd til grunn, og at det vert sett krav til tariffavtalar. Vi kjem med forslag om det. Vi meiner òg at det må setjast klare krav til arbeidsleiaren i forskrift. Med dette vil eg ta opp Senterpartiets forslag i saka. Da har representanten Kjersti Toppe tatt opp det forslaget hun refererte til. Venstre har

utføre nødvendige gjøremål i hverdagen. Dette er derfor en lov som har stor betydning for verdigheten til den enkelte. I tillegg til å ha stor betydning for den enkelte, er også brukerstyrt personlig assistent et eksempel på hvordan vi kan organisere oss bedre til nytte for den enkelte samtidig som en bygger på et fellesskapsideal. En av aktørene her, Uloba, er organisert som et samvirke, og bidrar på mange måter til innovasjon og utvikling både for den enkelte og ikke minst for det offentlige tjenesteapparatet. Slike innovasjoner har jeg lyst på flere av. Denne ordningen utfordrer oss på mange måter. Vi får en sentrering rundt den enkelte bruker som er helt annerledes enn hva de tradisjonelle systemene våre har vært opptatt av. Mange som utlyser en BPA-stilling, har også fått mange søkere. Dette viser at stillingene kan være attraktive, selvfølgelig avhengig av at det er ryddige arbeidsforhold og at det er en god arbeidsgiver. Vi har også sett svært fruktbare eksempler på hva en arbeidsleder og en assistent sammen både kan skape og gjøre. Alt i alt er dette en gledens dag. Samtidig er det også en stor utfordring for mange kommuner, som i liten grad har tilbudt denne ordningen og kanskje har hatt litt vanskelig også for å akseptere den. Vi står foran en stor oppgave med å implementere ordningen for stadig flere brukere og i stadig flere kommuner. Litt av den grunn ønsker ikke Venstre å gå altfor langt nå. den grunn ønsker ikke Venstre å gå altfor langt nå. Ordningen har behov for å befeste seg, og at vi ikke går for raskt fram. Samtidig er vi opptatt av at denne ordningen skal vi erkjenne og bygge ut, men at vi bør bruke litt tid på å utvide ordningen ytterligere. Det er

det er ikke sånn at høyresiden i norsk politikk har monopol på å ha vært for BPA. Tvert imot har rollene endret seg litt. Ulike partier har vært pådrivere, og det har dessverre gått for sakte under ulike regjeringer. Så må vi klare å samle oss om og sørge for at vi får den viktige rettighetsfestingen på plass nå. Vi er glad for at vi er der at vi kan fatte noen vedtak knyttet til rettighetsfesting i Stortinget nå, men det er også vesentlige mangler ved det som regjeringen har lagt fram. Vi er også fra SVs side bekymret for når regjeringen kommer til å komme med eventuelle utvidelser av ordningen, og usikre på om det er et løfte vi kan stole på – gitt den store uklarheten i det som nå foreligger. Brukerstyrt personlig assistent er et frigjøringsprosjekt. Det er et bilde på den typen velferdsstat som vi ønsker oss: en velferdsstat som ikke er ovenfra og ned, men der den enkelte selv har makt over tjenestene og gjennom det makt over egen hverdag. Det er fantastisk hva BPA og pionerene for den ordningen har betydd for utviklingen av frihet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uloba og andre som har stått på for å bygge ut dette tilbudet, fortjener fantastisk stor honnør. Det er noen ting ved det regjeringen har lagt fram, som SV er uenig i, og der vi vil legge fram andre forslag. Det ene er knyttet til aldersbegrensningen på 67 år. Jeg kan ikke se det finnes noen prinsipiell eller praktisk årsak til at grensen skal trekkes der den er trukket i dette tilfellet. Det er grunn til å minne om at det dette handler om, er at en skal kunne ta ut allerede tildelte timer, slik brukeren selv ønsker. Da er det vanskelig å se at det skal være noen avgjørende prinsipiell eller praktisk forskjell på om vedkommende er 65 eller 68 år. Det vi istedenfor vedkommende er i stand til å ivareta arbeidsledelse på en god måte, og i så fall bør det ikke være en aldersbegrensning. Derfor foreslår SV å fjerne den. Jeg vil også vise til en økende uklarhet i en del kommuner knyttet til innhold og prinsipper rundt ordningen, som bekymrer oss. Det er behov for tydeligere nasjonale reguleringer rundt

Det må være sånn at brukerstyrt personlig assistent er tilgjengelig ved stort hjelpebehov også når det ikke krever veldig mange timer. Derfor foreslår vi at retten til BPA skal inntreffe ved ti timer. Det siste forslaget fra SV er knyttet til en tidsplan for den videre utvidelsen av rettighetene. Vi Vi skulle ønske at vi hadde fått noe mer håndfast fra regjeringen enn det vage løftet om å komme tilbake igjen til saken. Derfor fremmer vi et forslag om at regjeringen skal komme tilbake med en tidsplan for dette til Stortinget – altså ikke de ferdige forslagene, men en tidsplan – i statsbudsjettet til høsten. Det ville være en rimelig måte å signalisere ambisjonsnivå på og hva Stortinget kan forvente seg fra regjeringen i denne utrolig viktige saken framover.

De fleste av oss ønsker utdanning og arbeid, og vi har alle forventninger om å leve et selvstendig og aktivt liv. Det gjelder òg for mennesker som har behov for bistand i hverdagen. Regjeringen ønsker at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter til å være sjef i eget liv. Ja, BPA-ordningen bygger mer på borgerrettighetstenkning enn på omsorgstenkning. Rettighetsfestingen av BPA skal nettopp bidra til å gjøre dette mulig. Jeg vil i dag takke brukerorganisasjonene som har kjempet denne kampen og holdt ut i den lange ventetiden. Jeg vil òg takke den forrige regjeringen som etter svært lang tid, men uansett, sendte et nytt forslag på høring i for. For vår regjering har det vært viktig å få på plass rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse så raskt som mulig – uten en ny høring. For å få dette til har vi derfor valgt å ta utgangspunkt i den modellen som var på høring i 2013. Men regjeringens ambisjoner er større. Vi har derfor imøtekommet flertallet av høringsinstansene ved å utvide den foreslåtte retten til òg å omfatte støttekontakt og avlastning for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne. For både yngre og eldre kan støttekontakt være et godt tilbud for å få en aktiv fritid. Helt siden brukerstyrt personlig assistanse ble lovfestet i 2000, har det vært vanlig å inkludere støttekontakt i tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse. Det er derfor viktig at òg støttekontakttimene omfattes av rettigheten. Regjeringen ønsker òg å bedre hverdagen til foreldre med særlig store omsorgsoppgaver for barn med nedsatt funksjonsevne. Mange foreldre og barn som er i den situasjonen, vil kunne få et bedre tilpasset og fleksibelt tjenestetilbud med brukerstyrt personlig assistanse. Da bør vi gi dem muligheten til nettopp å velge det. Brukerstyrt personlig assistanse vil i tillegg kunne bidra til at ungdom blir mer selvstendige – en forberedelse til å mestre livet som voksen. Når barnet fyller 18 år, skal tjenestebehovet fastsettes uavhengig av foreldrenes

fordi så mange timer når det gjelder både avlastning og støttekontakt, nå regnes inn for å gi rettighet. Våre anslag over merkostnadene av dette vil bli fulgt opp i de årlige budsjettprosessene. For neste år er kostnadene anslått til 300 mill. kr. Regjeringen erkjenner at lovforslaget innebærer en viss usikkerhet. Det gjelder særlig i hvilken utstrekning forslaget vil imøtekomme brukernes behov. Det gjelder òg i hvilken utstrekning rettigheten vil påvirke kommunens muligheter til å tilpasse og dimensjonere tjenester på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte til alle brukergrupper. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor sette av midler til en følgeevaluering av forslaget. Regjeringen vil senere vurdere om rettigheten bør endres eller

og derfor behov for avlastning og tjenester. Ikke alle kan ha eller ønsker en brukerstyrt personlig assistanse, men de som har slike behov, og som ønsker brukerstyrt personlig assistanse, har nå muligheten til å velge dette. Det blir replikkordskifte. Dette er

helst tariffavtaler. For selv om det er mange flotte, store ord rundt dette, er det i det enkelte møte mellom den personen som trenger hjelp, og assistenten at kvaliteten virkelig vil merkes. Så spørsmålet til helseministeren er: Hvordan vil helseministeren sikre ordnede arbeidsforhold? Det gis jo bl.a. tilskudd til kommunene for at de skal gi et opplæringstilbud, og det er viktig at kommunene sikrer en god og forsvarlig BPA-ordning – uavhengig av om det er kommunen som yter tjenesten selv, eller inngår avtale med private tjenesteutøvere – og at den enkelte, som blir arbeidsleder og jobber i tjenesten, òg gis muligheten til å oppfylle det ansvaret på en god måte. Mitt inntrykk er at dette er noe som

Mitt spørsmål går på tariffavtale for dem som har arbeidsgiveransvaret. Vil statsråden gå inn for at det her kreves tariffavtale for dem som er ansatt hos kommersielle aktører, eller ideelle samvirkeaktører, for her står vi overfor et behov for en samfunnskontrakt mellom staten som yter mye penger, og de aktører som her gjør en jobb som innbefatter stor økonomisk aktivitet? Det er kommunene som inngår denne typen avtaler, og derfor vil vi følge de samme prinsippene som vi gjør ellers når kommunene enten velger å organisere og tilby tjenesten blant egne ansatte eller kjøpe den av en privat aktør. Da er det kommunen som avgjør den

Mitt spørsmål til statsråden er ganske enkelt: Hvis Høyre og Fremskrittspartiet mener det ikke finnes noen god prinsipiell eller praktisk begrunnelse for å sette grensen ved 67 år, vil da statsråden vurdere å oppheve den begrensningen? For det første er det viktig for meg å understreke at kommunens tjenester som brukes til personlig assistanse, vil gjelde fortsatt. Det betyr at det ikke er noe som hindrer at kommunene kan både tilby og videreføre tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse selv om brukeren blir 67 år. Skulle vi nå ha foreslått at den aldersgrensen som ble foreslått av den forrige regjeringen og sendt ut på høring, ikke skulle gjelde, er min vurdering at det hadde vært en så omfattende endring at det hadde krevd en ny høring og dermed en ny utsettelse av denne saken. Det er ikke ønskelig. ønskelig. Det er helt åpenbart at da utvider en personkretsen betydelig, samtidig som man også utvider den til å gjelde en større andel av befolkningen som vil ha behov for dette. Det vil også ha store økonomiske konsekvenser for kommunene. Det er et av de spørsmålene som vi må ta stilling til, og som vi skal vurdere underveis med tanke på hvordan dette slår ut for den enkelte. Så er det også viktig å ha med seg at på det tidspunktet opphører Stortingets ordning om

Nesten 3 000 har BPA i dag, og det har høstet mange positive erfaringer. Men denne måten å organisere helse- og omsorgstjenestene på innebærer at det er nytt for den det gjelder, men også for kommunene. Derfor er det utrolig viktig at vi legger til grunn et utviklingsperspektiv når vi skal implementere ordningen videre. Derfor mener Arbeiderpartiet at det er akkurat nå i innfasing av ordningen er viktig at vi sørger for at det er kommunen som har dokumentasjonskravet ved avslag. Det bygger også opp under prinsippet om mennesket og brukeren i sentrum. Vi legger også til grunn en innsikt i maktforholdet mellom det enkelte individ og det kommunale byråkratiet som vi trodde at en del andre partier også var opptatt av. av. Vi tror også at det vil skjerpe kommunen i forståelse av ordningen, når de selv må dokumentere de gangene de vil gi avslag. En annen viktig sak som Arbeiderpartiet også har fremmet, er at det er viktig å opprettholde det politiske trykket for å sikre at ordningen blir utviklet videre. Vi mener at det er svært uheldig at man snevrer inn ordningen ved å ta vekk retten til natt- og punkttjenester. Selv om den er innført i mange kommuner, gir det et dårlig signal at vi verken har tidfestet når vi skal utvide den, eller at den gir muligheten til kommuner å ta fra dem dette. For de menneskene det her er snakk om, har et stort hjelpebehov, og de fleste vil også ha et behov om natten for å ha det selvstendige livet. Vi håper at flere vil støtte de to forslagene fra Arbeiderpartiet. Flere har uttrykt at dette er

Stortinget vedtok i 2013 å ratifisere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen gir funksjonshemmede betydelig støtte i deres kamp for å få oppfylt sine rettigheter, som det å gjøre det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å leve et så selvstendig og verdig liv som mulig. Selve konvensjonen inneholder ikke noen nye særskilte rettigheter, men stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene på best mulig måte kan legge til rette for at også funksjonshemmede kan nyte godt av de universelle menneskerettighetene som er nedfelt i FNs konvensjoner. Tilretteleggelsen dreier seg særlig om å innføre lover og regler som hindrer diskriminering, og som gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å delta på alle områdene i samfunnslivet, akkurat som vi gjør i Stortinget i dag, når vi vedtar en lovfesting av brukerstyrt personlig assistanse. Regjeringen ønsker et samfunn med muligheter for alle, der alle kan delta. Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag i målet om et aktivt og mest mulig selvstendig liv for personer med funksjonsnedsettelser. Ordningen innebærer at den som trenger assistanse, styrer og organiserer det som gjelder eget liv. Arbeidslederrollen gir brukeren innflytelse over egen livssituasjon. Innenfor rammen av innvilgede timer og regler som gjelder i arbeidslivet, kan brukeren styre hva assistenten skal gjøre, til hvilke tider, og hvor assistansen skal gis. Det handler om å ha hendene på rattet i eget liv, en opplevelse av frihet, selvstendighet og verdighet som er viktig for oss alle. En Econ-undersøkelse viser at BPA også er samfunnsøkonomisk lønnsomt, bl.a. ved at brukerstyrt personlig assistanse er det eneste virkemidlet som gir funksjonshemmede med assistansebehov muligheter for yrkesaktivitet og sosial deltakelse. Omtrent en fjerdedel av de intervjuede personene som har BPA, oppgir at de har ordinært arbeid, ca. halvparten jobber 100 pst. To tredjedeler av dem som er i arbeid, mener at uten BPA ville de ikke vært i jobb. Resten mener at de Også familiemedlemmer ville vært mindre yrkesaktive eller hatt en lavere stillingsstørrelse om den funksjonshemmede med assistansebehov ikke hadde hatt BPA. I rapporten kommer det fram at BPA fører til at flere funksjonshemmede tar utdanning. Dette fører igjen til økt yrkesaktivitet og ytterligere samfunnsøkonomisk gevinst. I spørreundersøkelsen kommer det også fram at de med BPA-ordning har mye mindre behov for ulike typer helse- og omsorgstjenester, noe som reduserer kostnadene i de tradisjonelle hjemmetjenestene.

mot byråkratiske formuleringer, byråkratiske motforestillinger og profesjoner – altfor lang, i år etter år. Det er vi som er politikere, som får ta ansvar for at vi ikke har bestemt det som skal bestemmes, før i dag. Det vil jeg ha sagt. Jeg vil, i likhet med det flere, også statsråden, berømme Uloba og andre, som jeg ser er til stede her, som skal ha all ære for at de har orket å stå på så lenge som de i virkeligheten har gjort. Jeg håper at ikke dette i tilfelle er uttrykk for et litt utrivelig symptom, at vi her snakker om «sterke» svake grupper, som ikke klarer å forfekte sine interesser sterkt nok, og derfor ikke tidsnok blir tatt hensyn til. Jeg mistenker at det er sannheten. Vi har et kollektivt ansvar – det er ikke noe som jeg legger på den nåværende regjering eller noen andre, jeg tar like mye ansvar for det selv. Så er det sagt. Så er jeg redd for at vi er i ferd med å gjøre en feil. Jeg hører hva statsråden sier – og er glad for Jeg stoler på hva Bent Høie sier der. Det er ingen grunn til ikke å stole på Høie når han sier det her – det er overhodet ingen grunn til det. Men jeg tror vi er i ferd med å gjøre en faktisk juridisk feil, og det er å gjøre det som representanten Grung var oppe her og presenterte, nemlig å sette avgrensinger mot punkttjenester, nattjenester og dublering. Det betyr at en rekke av dem som har det i dag, kan miste sin rettighet når de skal fornye sin BPA. Jeg forstår ikke at det ikke blir forstått. Dette har jeg drevet med i årevis – jeg kan det faktisk. Jeg kan det. Jeg skal si det med rene ord: Den som har behov for å få noen til å hjelpe seg med å gå på toalettet om natta – det er en punkttjeneste om natta

menneskene som var assistenter for brukere med store funksjonsnedsettelser. Det var en viktig jobb som ble startet der. Som flere har vært inne på, har det gått mange år før en har kommet fram til i dag, hvor vi skal gå videre fra en kommunal tilbudsplikt

realiteten, og går inn for det, har jeg et veldig våkent øye på å definere ordninga. Jeg tror det blir helt avgjørende for at ordninga skal ha brei politisk oppslutning, og for at den skal fungere etter hensikten, at en er nøye med begrepene. Det første er at det skal være en brukerstyrt personlig assistent. Det er altså brukeren som trenger bistand, som sjøl skal være arbeidsleder. Det må være et grunnleggende prinsipp. Fra Senterpartiets side har vi gjort ett unntak fra det. Det gjelder foreldre til barn under 18 år, som kan være arbeidsledere, for det er rimelig opplagt at for de ungene det er snakk om, vil en slik ordning kvalitetsmessig være langt, langt å foretrekke framfor det som er i dag. Når vi så er inne på hvor stor og omfattende ordninga skal være, støtter jeg og Senterpartiet det som regjeringa legger til grunn: at en skal definere det til ikke å omfatte tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede, eller nattjenester. Her må en se at andre offentlige tilbud i mange tilfeller kan være bedre enn brukerstyrt personlig assistent. Bare helt til slutt: Det er en rekke mennesker som skal arbeide med dette. Det er viktig at de som arbeider som assistenter, har anstendige arbeidsforhold, og siden staten går inn med så mye penger, må også staten være villig til å sikre anstendige arbeidsforhold for dem det gjelder, gjennom bl.a. tariffavtaler. Det er

av følgende: Det er ingen her i Stortinget som mener at de overordnede rettighetene i sosiallovgivninga skal svekkes. Hvis du har behov for x antall tjenester, skal det betales, enten det er via hjemmehjelp, institusjonsopphold eller alle andre typer tjenester. Det Men BPA-ordninga kommer jo ikke i tillegg til de tjenestene – den kommer ofte istedenfor. Faren for at dette skal bli så dyrt, utover det som kommuner og fylker i dag betaler, begriper jeg rett og slett ikke. Det er heller ingen som klarer å forklare meg det, til tross for at jeg har vært regjeringa ganske nær. Det er aldri noen i Helsedepartementet eller Finansdepartementet som har klart å forklare meg det. Jeg har selvfølgelig full respekt for at ting koster – vi skal være nøkterne, vi skal være ordentlige, men argumentet om, og faren for, at dette blir så dyrt, forstår jeg oppriktig talt ikke, hvis det er under forutsetning av at vi ikke skal røre rettighetene i overordnet sosiallovgivning. sosiallovgivning. Jeg skal ikke misbruke det, men jeg ser nå at statsråden nikker forsiktig. Jeg skulle ønske at han kunne gå opp her og si litt om det før vi avslutter, for det er en viktig del av det hele. Jeg tror statsråden og jeg er veldig på bølgelengde når det gjelder forståelsen av hva dette egentlig handler om. Så skal jeg bare til slutt – jeg skal ikke gjenta meg selv, selvsagt – si noe om det som vi er i ferd med å gjøre. Jeg forstår hva statsråden sier, om at vi skal komme tilbake til ting. Men i første runde – og det kan ta ett år, to år, tre år – vil en rekke mennesker som i dag har BPA, kunne komme i rettighetsproblemer i det øyeblikk de må ha dublering eller nattjenester. Det vedtaket mener jeg Stortinget ikke bør gjøre. Det er feil å gjøre det vedtaket, fordi folk som kan fungere bra på dagen, ha jobb og alt mulig, men trenger hjelp om natta, som da vil si at de ikke har den rettigheten lenger, fordi de har krav på nattjeneste. Jeg gjentar det: Hvor slikt kommer fra i forbindelse med lovbehandling, skulle jeg gjerne visst. Men vi burde ha evnen til å stoppe

arbeidet som ble igangsatt under den forrige regjering, bryter det forslaget som er fremmet i dag, med det prinsippet. Vi har beregnet at utvidelsen når det gjelder spesielt støttekontakt og avlastning, til neste år kommer til å koste kommunene om lag 300 mill. kr ekstra og årene etter betydelig mer enn det. Min tilnærming – og min tilnærming til dette har hele veien vært den samme som Martin Kolbergs – er at jeg ikke har forstått hvordan det kan være mulig, for dette

og det synes jeg egentlig er det mest skremmende – som er kommet fram, er at den største kostnaden i utvidelsen av dette er knyttet til avlastning. Avlastning gis til foreldre som har sterkt funksjonshemmede barn – de som Stortinget alltid har ment bør ha bedre hjelp. Så kan en spørre: Hvorfor blir det så dyrt? Jo, det er rett og slett fordi kommunen organiserer det tilbudet så dårlig i dag at mange foreldre ikke orker å ta det i bruk. Det at en får mulighet til å organisere det som brukerstyrt personlig assistent, gjør at flere foreldre rett og slett vil orke å ta i bruk avlastning – en avlastning og ikke en belastning, som det av og til blir i dag. Det er hovedårsaken til kostnadsveksten. Så kunne jeg ha sagt at vel, da burde kommunene tatt den regningen, fordi de i utgangspunktet har den oppgaven fra før av, men da vet vi at da hadde den regningen gått ut over andre viktige kommunale oppgaver. Derfor har vi gått inn for å dekke den over statsbudsjettet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og